sete. Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Henning Skumsvoll fra og med 2. mars og inntil videre. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Vest-Agder fylke, Tor Sigbjørn Utsogn, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget i tiden fra og med 2. mars til og med 5. mars, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og Andre vararepresentant for Vest-Agder fylke, Kjell Ivar Larsen, innkalles for å møte i permisjonstiden. Kjell Ivar Larsen er til stede og vil ta sete. Representanten Ketil Solvik-Olsen vil

På vegne av representantene Oskar Jarle Grimstad, Harald T. Nesvik, Kjell Ivar Larsen og meg selv vil jeg fremme forslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk. Jeg anmoder om at saken behandles etter § 28 tredje ledd punkt c i Stortingets forretningsorden. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Videre vil presidenten foreslå at det åpnes opp for fem replikker med svar etter de enkelte innlegg. – Det anses vedtatt.

her. Jeg har lyst til å starte med å snakke litt om den norske velferdsstaten, eller det norske velferdssamfunnet, som på mange måter kan defineres som et solidarisk spleiselag: Du skal gjøre din plikt og du skal kreve din rett, vi skaper verdier og vi fordeler dem rettferdig. Vi skal ha en modell som sikrer alle velferd, omsorg, helse, utdanning og arbeid. Folketrygden skal sikre oss ved sykdom arbeidsledighet og som pensjonister. Dette er også viktig å ha som utgangspunkt for organiseringen av den offentlige sektoren, som skal sette dette ut i livet. Vi vet at utfordringene med å få til en god og effektiv tjenesteproduksjon i offentlig sektor vil øke i årene framover, bl.a. fordi vi får flere eldre, vi får høyere krav til kvalitet og til tilgjengelighet. Det er store forventninger til tjenesteytende etater, både fra det politiske system og fra brukerne. Vi ser at kravene til førstelinjetjenesten øker sterkt, vi ser at presset på førstelinjetjenesten øker, og vi ser at fokuset på førstelinjetjenesten øker – der brukerne møter det offentlige Stortinget, gjennom våre vedtak, og Regjeringen, som gjennomføringsinstans, har ansvaret for at offentlig sektor er organisert til brukernes beste. Mennesker som trenger hjelp og service, skal møtes med respekt når de kommer til et offentlig kontor. Det er viktig at brukerne ikke møter veggen, for ikke å si døra, når de går til et offentlig kontor. Det er også viktig at de ikke behøver å gå til mer enn én dør, at de kommer gjennom på telefon, at de får svar og at de får en rask og forsvarlig saksbehandling. Dette er egentlig hele essensen av offentlig service. Opprettelsen av Nav var basert på en velferdspolitisk visjon, med en førstelinjetjeneste i arbeids- og velferdsforvaltningen som et viktig virkemiddel for å nå målet om en helhetlig arbeids- og sosialpolitikk. Det er et samlet storting – både nå i dag og flere ganger tidligere – som har sluttet seg til Nav-reformen. La meg understreke det ganske sterkt. Utgangspunktet var – og er – flere i arbeid, færre på trygd, enklere for brukerne og større effektivitet. Det har ikke vært kontroll- og konstitusjonskomiteens jobb å se på eller ta stilling til organisasjonsmodell. Det er fagkomiteens jobb. Vårt ansvar er å se om Stortingets vedtak og forutsetninger er fulgt opp, og selvfølgelig å behandle Riksrevisjonens rapport om revisjon av Nav for budsjettåret 2008. Kanskje kan gjennomføringen av Stortingets vedtak om Nav kalles en ubalanse mellom målsettinger, ressurser og gjennomføringsevne. Det politiske system tok trolig ikke høyde for verken omfanget av eller kompleksiteten i den reformen som ble satt ut i livet. Det kan i etterpåklokskapens navn – og det er som kjent en god klokskap – stilles spørsmål ved om dette ble godt nok kommunisert, om det ble skapt urealistiske forventninger fra politisk hold. Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen sa under høringen 15. januar 2010, altså for noen uker siden: tror ingen egentlig fullt ut kunne forstå hvor krevende det var.» Kanskje ble det underkommunisert at det ville bli en vanskelig overgangsfase, også fordi man opprettholdt saksbehandling og betjening parallelt med et krevende reformarbeid. Det betyr ikke at Nav ikke kommer til å fungere bra. Det vil jeg også understreke. For igjen å sitere tidligere statsråd er helt sikker på at historien om Nav kommer til å bli en suksesshistorie.» La meg legge til at det vi behandler i dag, er budsjettåret 2008, og at mange av de forholdene som Riksrevisjonen påpeker, allerede ble tatt opp av statsråd Dag Terje Andersen i St.prp. nr. 51 våren 2009 og i fagkomiteens Kontroll- og konstitusjonskomiteen forutsetter at de tiltakene er fulgt opp, og at de videreføres. Hovedsaken fra Riksrevisjonen er at de er kritiske til at Nav gjennom flere år har nedprioritert arbeidet med å sikre en tilfredsstillende etterlevelse av internkontrollen i ytelsesforvaltningen. Svak internkontroll åpner for bevisst misbruk av velferdsordningene, og vi har fått eksempler også på det. Det er dramatisk at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte etatens regnskap for 2008, fordi regnskapet inneholder feil og mangler. Vi snakker altså om 300 milliarder kr. Det er ikke 300 millioner kroner, men 300 milliarder kroner, så det er selvfølgelig dramatisk. Riksrevisjonen sier også at Nav mangler styringsparametre for mangler direktoratet styringsdata i forhold til målet om rett ytelse. Komiteen forutsetter at etaten får en forsvarlig virksomhetsstyring som bidrar til en positiv utvikling innenfor saksbehandlingstid, restanser, service overfor brukere og internkontroll. Det som nok har gjort sterkest inntrykk i de månedene jeg nå har jobbet med Nav, og til dels misnøye som har vært kanalisert inn til meg og andre fra ulike kategorier brukere av Nav. Og vi hadde også noen på høringen. Det dreier seg om førstelinjetjenesten – eller det lokale Nav-kontor. Det dreier seg om hvordan den lille mann og kvinne møter et offentlig kontor når de kommer i ulike ærend. Til tross for Stortingets forutsetninger om det motsatte, er både kompetanse og avgjørelsesmyndighet tilsynelatende flyttet fra lokalkontoret og opp til de såkalte forvaltningsenhetene bak kulissene, som for øvrig også Stortinget sluttet seg til da man behandlet St.prp. nr. 51. Nav-kontorene framstår i dag som en enhet som mangler breddekompetanse. Økende frustrasjon hos de ansatte over ikke å kunne ta de enkleste avgjørelser og ikke kunne saksbehandle eller svare på spørsmål, gjør at det ser ut som om det er en flukt av saksbehandlere fra førstelinjetjenesten og til kontorer som er skjermet for brukerkontakt. Det er også alvorlig. Jeg var litt i tvil, men tror likevel jeg skal sitere fra et SMS-innlegg i VG i går nå er det ti uker siden jeg sendte reiseregning til Nav i Skien. Det mangler bare et stempel for utbetaling, fikk jeg opplyst, men de regnet med et par uker til. Kjempebra med det nye systemet!» Jeg vet ikke riktig om dette er Sagstua i Nord-Odal, men i så fall er det langt fra Nord-Odal til Skien. Eller hun som gikk til Nav-kontoret på Skedsmo for å få kort for blå resept. Det ble videresendt til Eidsvoll og tok seks uker. Nå er riktignok det en sak som nå er ryddet opp i, fordi det ikke lenger skal skje på Nav-kontorene, men likevel. En enstemmig komité understreker at det har vært en forutsetning for Nav-reformen at lokalkontorene skulle gi én dør inn til alle tjenester, og at saksbehandlingstiden skulle reduseres. Jeg vil gi ros til statsråd Bjurstrøm for å ha grepet fatt i dette problemet ved at hun har tatt initiativ til en grundig analyse av arbeidsfordelingen mellom Nav-kontorene og forvaltningsenhetene. Under høringen kom det også fram synspunkter på Navs kompetanse på formidling, yrkesveiledning og arbeidslivskontakt. Dette var kompetanse som den gamle Aetat hadde, hvordan man skulle sikre tilbakeføring til arbeid. Fra flere hold kommer det meldinger om at dette er kompetanse som Nav i dag nedprioriterer, at arbeidsformidling rett og slett ikke fungerer. Det gjelder alle typer arbeidssøkere og kontakt mellom arbeidssøker og næringslivet, også når det gjelder høyere utdannet arbeidskraft. Men det dreier seg selvfølgelig ikke minst om personer med redusert arbeidsevne. I den første saken på dagsordenen, Innst. 142 S, kan vi lese at mens arbeidslivssentrene har rekruttert såkalte IA-plasser i 693 bedrifter, greide Nav bare å plassere 96. Det er et altså tilsynelatende et misforhold her – at man ikke greier denne kontakten mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, for det står faktisk igjen nesten 600 plasser som bedriftene har meldt inn til Nav. Til slutt: En av grunnene til feilutbetalinger og sen saksbehandling synes å være fortsatt mangel på fungerende IKT-løsninger. Komiteen viser til at det utdaterte systemet fører til ineffektivitet og utfordringer med hensyn til kontroll. Nå jobbes det med en ny IKT-strategi. Det er viktig, også når vi vet at Riksrevisjonen sier at dagens system ikke tilfredsstiller kravene i økonomireglementet til sikkerhet og krav til sporbarhet av transaksjoner. Helt til slutt vil jeg understreke det som statsråd Bjurstrøm sa i høringen: «Arbeidet med å gjøre Nav til den organisasjonen vi alle ønsker, må foregå på bred front.» Vi støtter Nav-reformen, og mange steder fungerer da også Nav veldig bra. La oss ikke glemme det. Men det er mye som står igjen før brukerne skal få én dør og en riktig og rask saksbehandling. I denne prosessen må de ansatte være med. De er blitt huggestabber i kritikken mot Nav. De 17 000 ansatte har imidlertid gjort en kjempejobb med å holde etaten gående gjennom en svært krevende reformprosess. Det hører også med til bildet av Nav. Når Arbeids- og velferdsetaten fortsatt holder på med reorganisering, og i dette tilfellet gjelder det selve direktoratet, er det en selvfølge at de ansattes organisasjoner, også i direktoratet, får den medbestemmelsen som avtaleverket tilsier. Jeg forutsetter at statsråden bidrar til at det skjer. Det er stort sett enighet i denne innstillingen. Men Fremskrittspartiet mener at statsråden bør vurdere om Nav-direktøren og den øvrige ledelse har den nødvendige tillit og kompetanse. Fra vår side finner jeg grunn til å understreke at Stortinget ikke blander seg opp i hvem statsråden og departementet ansetter til enhver tid. Det er statsråden som står til ansvar overfor oss, ikke representanter fra

Dernest vil jeg takke Riksrevisjonen for en god rapport, og ikke minst for at de har tatt utfordringene i Arbeids- og velferdsetaten så alvorlig at de har laget en egen tilleggsrapport til Dokument nr. 1. Så vil jeg understreke hvor alvorlig det er når en statsetat ikke får sine regnskaper bekreftet av Riksrevisjonen. Det er altså slik – som jeg sa i vandrehallen, og som ble sitert her tidligere – at dette dreier seg ikke om hva som helst, det dreier seg om hele ryggraden i det norske velferdssamfunnet, det dreier seg om en tredjedel av statsbudsjettets utgiftsside. Det er meget alvorlig når Stortingets kontrollorgan ikke kan bekrefte pengebruken i et slikt system. Riksrevisjonen har pekt på en rekke alvorlige mangler i virksomhetsstyringen og rapporteringen, samtidig som det avdekkes flere strukturelle forhold som påvirker kvaliteten på tjenestene og kontrolloppfølgingen på en negativ måte. Under den åpne kontrollhøringen ble det også klart at styringssignalene fra politisk ledelse har vært for svake. Under gjennomføringen av en så stor reform som Nav-reformen er, er det ikke unaturlig at en møter utfordringer underveis. Men da er en helt avhengig av en tydelig politisk ledelse i departementet, som i etatsstyringen sikrer at Stortingets vedtak og forutsetninger gjennomføres. Mye tyder på at den politiske styringen burde vært bedre og tydeligere fra departementets side. Særlig var det grunn til å forvente en sterk politisk oppfølging fra departementets side i 2008, fordi Riksrevisjonen peker på feil og mangler da som også er påpekt flere ganger tidligere. Det er statsrådens ansvar å sikre en slik oppfølging. Det er mye som tyder på at den politiske bevisstheten rundt disse problemstillingene har vært for svak. Det er naturligvis viktig at internkontrollrutiner fungerer godt også under gjennomføringen av en stor reform. Kanskje er det ekstra viktig under gjennomføringen av en så stor reform at slike rutiner er tidlig på plass, sånn at en sikrer seg mot feil, mangler og Derfor er det alvorlig at Nav har fremstilt sin egen internkontroll som om den var bedre enn tilfellet faktisk var. Nav-direktøren sa i høringen at han lenge levde i den villfarelse at internkontrollrutinene var gode. Det har Fremskrittspartiet og komitéflertallet stilt seg uforstående til. Det er vanskelig å forstå at Nav-direktøren kan ha hatt inntrykk av at internkontrollrutinene er gode, når Riksrevisjonen siden igangsettingen av Nav-reformen har pekt på at internkontrollrutinene har vært for dårlige. Etter hva jeg har forstått hadde også Nav-ledelsen kjennskap til den omfattende feilrapporteringen om utviklingen av internkontroll i Nav. Fremskrittspartiet mener, i likhet med komiteens flertall, at dette viser at ledelsen i Nav ikke har vært tilstrekkelig aktsom på dette området, hvilket har medvirket til at regnskapene til Nav ikke kan bekreftes av Riksrevisjonen. Da Nav-reformen ble vedtatt av Stortinget, ble det også vedtatt som uttrykkelig forutsetning at brukerne ikke skulle oppleve et redusert tilbud eller redusert oppfølging. En kan da konstatere at denne forutsetningen i forhold til 2008 ikke er oppfylt. Tilbudet til brukerne i 2008 var vesentlig dårligere enn forutsatt, brukerne ble utsatt for lang saksbehandlingstid, dårligere oppfølging, feilutbetalinger og utbetaling til feil tid. Det er også avdekket dels alvorlige feil i grunnlagsdokumentasjonen. Mye av dette skyldes også En av erfaringene fra gjennomføringen av Nav-reformen må være at slike systemer må raskere på plass ved gjennomføringen av slike reformer, slik at kontroll og oppfølging og internkontrollrutiner blir forenklet, samtidig som brukerne får bedre ivaretatt sine interesser og sine rettigheter på en mer effektiv måte. Sykefraværet er en utfordring i Norge generelt. Nav skal ivareta det offentliges ansvar for oppfølgingen av sykmeldte, men Nav opplever altså selv et svært høyt sykefravær for tiden. Det er grunn til å tro at en del av dette sykefraværet skyldes etatens manglende evne til kompetanseheving underveis i reformen. Det er alvorlig når en ser konsekvenser av at en har satset for dårlig på kompetanseheving av egne ansatte. Når innholdsreformen nå blir iverksatt, vil det skape store utfordringer for Nav om ikke Navs eget sykefravær går drastisk ned raskt. Fremskrittspartiet skiller seg noe fra de øvrige opposisjonspartiene og øvrige partiene, som saksordføreren også nevnte i sitt innlegg, idet vi har uttrykt det selvfølgelige i at en statsråd til enhver tid må sikre seg at det er den best egnede og best kompetente ledelse som sitter i førersetet i Nav på den videre ferden. Vi har registrert at statsråd Bjurstrøm er svært fornøyd med Nav-ledelsens arbeid, og Fremskrittspartiet har funnet det noe underlig, sett i lys av hva Riksrevisjonens rapport kan fortelle oss, ikke bare for 2008, men også i forhold til tidligere rapporteringer om Nav. Vi erkjenner imidlertid – naturligvis – at dette er et vurderingstema som statsråden må forholde seg til, og som statsråden alene må ta ansvar for. Til slutt: Under komiteens behandling av saken har vi fått forsikringer om at en ved Riksrevisjonens rapport for 2009 vil se at det har skjedd store forbedringer, og at det ikke er grunn til å frykte at regnskapene for 2009 ikke kan bekreftes. Det er ikke lenge til vi nå får fasiten på det, og jeg håper at den fasiten stemmer overens med de forsikringene vi har fått. Det vil nemlig være en helt uakseptabel situasjon dersom en fortsatt tillater videreført vesentlige svakheter i styringen og oppfølgingen av Nav. Det er en alvorlig kritikk som Riksrevisjonen retter mot gjennomføringen av en av de største reformer i – jeg får si – dette århundret, selv om det ikke er så mange år å basere det på. Den alvorlige kritikken gir Stortingets kontrollkomité stort sett samstemmig støtte til. Det synes jeg det er verdt å merke seg. Det er mer påfallende enn de små dissensene som er i innstillingen. Jeg skal komme tilbake til et par av dem. Den alvorlige kritikken oppsummerer seg som en kritikk både mot Nav som sådan og mot dets evne til internkontroll – jeg peker bl.a. på innstillingens side 10, og jeg siterer følgende: «Komiteen mener Riksrevisjonens rapport indikerer at Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennom flere år ikke har hatt tilstrekkelig fokus på med det resultat at feil og mangler innebærer at regnskapet for Nav ikke kan bekreftes for 2008.» Det er en kritikk mot departementet, i denne sammenheng knyttet til tidligere statsråders ledelse, men en kritikk som departementet som institusjon, uavhengig av den politiske ledelse, bør merke seg. Det er også en kritikk av Nav-ledelsen som sådan, og et komitéflertall, der regjeringspartiene ikke er med, peker på det litt uforståelige i at ledelsen i Nav ikke på et tidligere tidspunkt så hvor dette bar hen, men at man iverksatte nye internkontrollrutiner først høsten 2009. Komiteen peker på at signalene skulle ha tilsagt at dette var iverksatt på et langt tidligere tidspunkt. Men så må jeg for ordens skyld legge til at Høyre selvfølgelig holder seg til den konstitusjonelle regel at etatssjefer er statsrådens ansvar. Vi retter kritikk mot etatssjefen på dette punkt, men konklusjonen er at det er opp til statsråden å forholde seg til etatssjefen – selvfølgelig. Hovedinntrykket er at denne reformen er gjennomført på en måte som gjør at etaten i for mange år har vært komplett innadvendt, vært opptatt av seg selv, sine prosesser og alt som følger med en fusjon og en reform – hvorav fusjonen vel her nok var det vesentligste – og har vært for lite opptatt av å yte service til borgerne, som jo er etatens viktigste mål. Et lite eksempel på dette fikk vi så sent som i dagens debatt på radio om tiltak overfor prostituerte som resultat av sexkjøpforbudet som Stortinget tidligere har vedtatt. Grünerløkka sosialkontor ble tilført 2 mill. kr til tiltak knyttet opp mot prostituerte. De svarer i dag at det har vi ikke gjort noe med fordi vi i fjor holdt på med å Da kunne man jo reise spørsmålet om en etat virkelig er til for seg selv eller for brukerne. Dette er et alvorlig problem som både regjering og storting bevilget ekstra penger til, og man forutsatte altså at virkemiddelet etaten Nav ville gjøre det som var forutsatt. Det skjer ikke, og man begrunner det med at man var opptatt av seg selv. Dette er et ferskt eksempel og kanskje absolutt ikke det største. Det viktigste er de borgerrettigheter som Nav skal oppfylle i forhold til saksbehandlingstid, i forhold til restanser, i forhold til service overfor brukere og den internkontroll som følger med. Det burde også være en selvsagt ting at en etat som forvalter så store offentlige midler, også har en kontroll når det gjelder feilutbetalinger, som er atskillig bedre enn det som er dokumentert. Riksrevisjonen peker jo på – og dette er et av de viktigste kritikkpunktene i Riksrevisjonens rapport – at feilutbetalingene dreier seg om flere hundre millioner kr over flere år. Det har noe å gjøre med forvaltning av skattebetalernes penger, og jeg regner også med at regjeringsmedlemmene for tiden er opptatt av penger – knappe to uker foran første budsjettkonferanse. Men det er også en annen, kanskje viktigere, begrunnelse: Respekten for overføringssystemene som forvaltes av Nav, forutsetter at folk flest får tillit til at de utbetales i rett størrelse til de rette mennesker. Det er også påpekt av andre talere at det er åpenbart at den kompetanseheving som skulle være en del av reformen og fusjonsprosessen, ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt, og at det kanskje – jeg sier kanskje – er en av årsakene til det svært høye sykefraværet i etaten. Den nåværende statsråd varslet ved sin tiltredelse en grundig analyse av Nav ekstern ekspertise, seks måneder ville det ta. Det er vel og bra, men jeg er blant dem i komiteen som har stilt spørsmålet om hvorfor i all verden dette ikke er gjort før. Etter flere år med feil i etaten som er åpenbare, som er dokumentert, og etter at de ansattes organisasjoner har ropt varsku mange, mange ganger, hvorfor kommer dette først nå? Dette er ikke en kritikk mot den sittende statsråd, men kritikk mot det som ikke er gjort tidligere. Jeg har avslutningsvis fire spørsmål til statsråden: Er statsråden overbevist om at internkontrollen i Nav er bedre nå, og hvilken forankring har hun for dette? Det er også en gjennomgående kritikk i innstillingen, som det er i Riksrevisjonens rapport, at målstyringen overfor etaten, altså departementets målstyring, har vært for dårlig, for lite kvantifiserbar og for lite proaktiv. Er statsråden overbevist om at departementets målstyring har vært for dårlig, for lite kvantifiserbar og for lite proaktiv. Er statsråden overbevist om at departementets målstyring er tilfredsstillende nå, og igjen: Hvilken forankring har hun for dette? Under høringen lovet statsråden å komme tilbake til Stortinget i vårsesjonen – det fremgår av innstillingen i vedlegget, som er et referat fra høringen, hvor statsråden sier at hun vil komme tilbake til Stortinget i vårsesjonen, eller: «Da sier vi det.» Dette var jo en muntlig form, som var velegnet i høringen, men sitatet er nå slik. Mitt spørsmål til statsråden er: Står hun fortsatt på det hun mente tidlig i januar, at hun vil komme tilbake til Stortinget med en sak i vårsesjonen 2010? Hun uttalte også i høringen at hun så behovet for å forankre dette i et bredere flertall i Stortinget, altså drøfte det også med opposisjonen. Mitt siste og fjerde spørsmål er derfor: Hvilke initiativ har hun så langt tatt til drøftinger med opposisjonen om veien videre for denne reformen, som tross alt et samlet storting opprinnelig, dvs. da det endelige vedtaket ble fattet, sto bak, selv om det hadde vært en del uenighet

prosessen? Nav-reformen er den største forvaltningsreformen vi har gjennomført i moderne tid. Den er viktig både fordi Nav forvalter landets viktigste ressurs, nemlig arbeidskraften, og fordi den forvalter livskvalitet og livsmulighet for folk som lever vanskelige liv eller er for gamle eller sjuke til å jobbe og ikke har inntekt. Ja, ikke bare inntekten er folk avhengige av, men også nødvendig sosialfaglig oppfølging når livet blir vanskelig og floker seg til, som det gjør iblant. Derfor er det klart at en slik reform når den ikke fungerer optimalt, vil ramme forferdelig hardt for dem det gjelder. Derfor er kritikken som Riksrevisjonen kom med, svært alvorlig. Jeg vil også minne om at vi som har fulgt reformen fra fagkomiteens side, har tatt tak i denne saken ved budsjettbehandlinger etter perioden som Riksrevisjonens kritikk handler om, og også i form av egne saker til Stortinget som omhandler nøyaktig de samme temaene. Derfor har både Regjeringen og Stortinget i tida etterpå agert overfor de problemene som har vært. Forventningene var store. Ja, noen mener at forventningene var for store, og det kan jo tenkes at de var det – at man undervurderte en så og komplisert reform. Jeg har lyst til å minne om – fordi jeg har jobbet med disse sakene i 13 år i Stortinget nå – at heller ikke utgangspunktet var slik at det var etater med full kontroll, der alle som trengte bistand, fikk det raskt og ble behandlet skikkelig og med respekt. Dessverre var heller ikke dette tilfellet på forhånd, men problemet økte da reformen ble satt i gang. Men målet med reformen var jo at det skulle bli enklere, at flere skulle få hjelp tidligere, at de skulle få riktigere hjelp fort, og sjølsagt at det skulle være kontroll med utbetalingene – at folk fikk det de skulle og ikke noe annet. Alle var opptatt av at det skulle være sikkert. Feilutbetalinger og juks med trygdesystemet er etter mitt syn ikke verre enn å snyte på skatten, men i den politiske debatten rundt disse systemene vil det bli oppfattet som noe verre og som noe som kan være med på å rive ned tilliten til hele sikkerhetssystemet som folk i vanskelige livssituasjoner er avhengige av. Derfor er det svært viktig at hele Nav-systemet har en svært god internkontroll, og at de har rettssikre beslutningsprosesser, der feilutbetalingene er så små som mulig. Derfor er jeg veldig glad for at dette nå har blitt tatt sterkere tak i. I tilknytning til dette: Stortinget i forrige stortingsperiode en sak om det som kalles trygdejuks, og innførte nye regler for å sikre dette området. Når det gjelder ventetid, har den for mange vært altfor lang. Alle skjønner jo at når man ikke får penger – og man ikke har lønn noe annet sted – er det total krise. Når dette kommer samtidig med en finanskrise, blir situasjonen svært alvorlig. Da Stortinget behandlet St.prp. nr. 51 for 2008–2009, var dette noe av det vi fokuserte mest på. Da ble det bevilget nye ressurser for å ta tak i dette. Det ble også sett på det som kalles grensesnittet. Jeg er, i likhet med tidligere talere, veldig glad for signalene fra statsråden om en gjennomgang av grensesnittet. Det Stortinget sa ved behandlingen forrige gang, var at Nav selvfølgelig kunne behandle fullt ut enkle saker i førstelinjen, og slik bli ferdig med de sakene som var enkle. Mer kompliserte saker kunne sjølsagt ha en annen sløyfe. Den gangen var det arbeidsledighetstrygden det var snakk om, men Stortinget ga også den gang klare signaler om at det kunne være behov for dette også i andre saker, hvilket ble bekreftet både av statsråd og av direktør i Nav under høringer da vi behandlet den saken. Så det er behov for å se på det. Det er behov for å forenkle der det kan forenkles, og det er behov for å ha gode kvalitetskontrollrutiner på områder der det kreves. Det som også har vært tatt opp, er situasjonen knyttet til IKT og de tilleggsproblemene som det medfører for etater som skal slå seg sammen og håndtere mange forskjellige som til dels ikke helt greier å jobbe sammen. Det er klart at det er en stor utfordring. Det er ikke så mye politisk diskusjon i denne saken, men det er litt underlig at de som er de skarpeste kritikerne både med hensyn til manglende bevilgninger til IKT og med hensyn til at Nav ikke har mestret sine oppgaver, er det partiet som i de to verste årene presterte å kutte en hel milliard i Det er litt vanskelig å ta den kritikken på alvor når man ser at både ble Nav tillagt større oppgaver, og man tok fra dem ressursene til å gjøre jobben. Jeg er ganske overbevist om at med den type budsjettering hadde situasjonen vært vesentlig verre, både for de ansatte og, ikke minst, for brukerne. Jeg tror det bør mane oss alle til litt besinnelse når vi ut fra ideologiske årsaker går løs på offentlig forvaltning, og særlig på den forvaltningen som er til for dem som har det vanskeligst, med en generell sparekniv – at det liksom bare er å kutte litt her og der, for i denne organisasjonen er det så mye og alle meldinger som vi får, både fra brukere og fra ansatte i denne organisasjonen, forteller oss at her er det en organisasjon som har hatt mer enn nok å gjøre, og større oppgaver enn den i en periode har hatt ressurser til. Jeg er enig med representanten Foss i at den saken som ble referert i radioen i dag, ikke var en hyggelig sak. Den kan demonstrere en feilprioritering, men den kan også demonstrere at det her har vært prosesser som har gått for kjapt eller ikke har vært planlagt godt nok, slik at brukerne har kommet i klemma, som Stortinget forutsatte at de ikke skulle. Jeg vil kort si noe om arbeidslivssentrene, som er en del av en annen rapport. Riksrevisjonens rapport avdekker her også noe som vi får meldinger om daglig, nemlig at noen av arbeidslivssentrene fungerer veldig godt. Der de fungerer godt, bidrar de vesentlig til at folk kommer raskere tilbake etter sykdom, at folk kommer inn i arbeidslivet, og at arbeidsgiverne føler at de får kompetent bistand i sine oppgaver knyttet til uhelse og sykdom i arbeidslivet. Derfor er det uhyre viktig at man systematiserer jobben med arbeidslivssentrene på en slik måte at dette gode arbeidsredskapet fungerer godt i hele landet. Til slutt vil jeg si at jeg er veldig glad for signalene fra statsråden under høringen som gjaldt de grepene hun nå tar for å bedre situasjonen i Nav framover, og at hun vil se på de organisatoriske forholdene, i tillegg til behovet for en gjennomgang av kompetanse, som komiteen enstemmig har understreket gang på gang. Man må ha nødvendig kompetanse og nødvendige ansatte i førstelinjen. Det er tjenesten, og det er også der sannhetens øyeblikk for dommen over Nav-reformen vil komme: Vil den bli god, eller vil den bli dårlig? Jeg er overbevist om at Nav-reformen kommer til å bli god, men jeg er også overbevist om at vi er nødt til å bruke større ressurser på dette framover, og at det trengs sterkere politisk styring med dette enn det har vært til nå. Det hører jeg at statsråden har tenkt å gjennomføre.

2008 var et krevende år for etaten. Det var stort reformvolum. Veksten i arbeidsledigheten, særlig på slutten av året – på grunn av finanskrisen – skapte et ekstra stort arbeidspress. Internkontrollen ble tydeligvis ikke tilstrekkelig prioritert. Høringene bekreftet at man nå fokuserer mer på rutiner for og etterlevelse av internkontrollen. internkontrollen. Man må kunne forvente at det umiddelbart gjennomføres tiltak for å sikre forsvarlig virksomhetsstyring og en internkontroll av tilfredsstillende kvalitet. Vi kan ikke leve med at en tredjedel av statsbudsjettets utgifter – vel 300 milliarder – ikke kan bekreftes. En av intensjonene med denne reformen én dør, én saksbehandler og kortere saksbehandlingstid. Dessverre har virkeligheten ved enkelte Nav-kontorer ofte vært det motsatte. Ved at generalistkompetansen ikke har vært på plass i førstelinjetjenesten, har brukeren blitt en kasteball i systemet. Opprettelsen av forvaltningsetatene har trukket altfor mye kompetanse bort fra førstelinjetjenesten. Derfor er jeg glad for at statsråd Bjurstrøm kunne bekrefte under høringen at det er tatt initiativ til en grundig gjennomgang av dagens arbeidsfordeling mellom Nav-kontorene og forvaltningsenhetene. Personlig tror jeg rapporten vil vise at mange av arbeidsoppgavene, og også en del av beslutningsmyndighetene, må tilbakeføres til de lokale Gode IKT-løsninger er i dag avgjørende for at offentlige etater skal kunne gjennomføre sine oppgaver. I Nav har utdaterte IKT-løsninger gjort arbeidet lite effektivt. Ulike systemer på de forskjellige saksfelt har vanskeliggjort samhandling. Jeg mener at gode felles IKT-løsninger burde vært prioritert mye høyere, og at de burde vært på plass i forkant av reformen.

I etterkant er kompetanseplaner på plass i alle Nav-kontorer og utvekslingen som foregår skulder ved skulder har gitt bedre generalistkompetanse i førstelinjetjenesten. I ettertid ser vi vel også at kompetansehevingen burde hatt en større plass i forkant av reformen, og ikke bare blitt til underveis. Riksrevisjonens rapport for 2008 må på ingen måte ses på som en evaluering av Nav-reformen. Det var mange Nav-kontorer rundt om i landet som knapt nok var etablert da denne rapporten ble ført i pennen. Først om et par år kan vi slå fast hvor vellykket denne reformen har vært. På tross av innkjøringsproblemer på flere områder, med store konsekvenser for enkelte brukere, har jeg stor tro på at reformen vil lykkes. Jeg merker meg bl.a. at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i sin høringsuttalelse understreker at de har vært, og fortsatt er, veldig positiv til Nav-reformen. Nå er situasjonen også veldig ulik rundt omkring i landet. Særlig i Hordaland og i Oslo har det vært store problemer med restanser og på f.eks. å få avklart arbeidsledighetstrygd, men mange kontorer fungerer bra. Rapporten viser at Nav-kontorer i småkommunene har mindre ventetid, bedre personlig oppfølging og langt større brukertilfredshet enn de større kontorene – dette til tross for at finanskrisen også her har ført til økende arbeidsmengde, og til tross for at kritiske også i forkant av denne reformen mente at tvangssammenslåing av kommuner var en forutsetning for at denne skulle fungere i Distrikts-Norge. Til slutt håper jeg at mange av utfordringene som rapporten har pekt på, kan være noe vi tar med oss inn i arbeidet med Samhandlingsreformen. Heldigvis er Samhandlingsreformen bygget opp på en slik måte at den kan innføres gradvis. Kommunehelsetjenesten må utbygges gradvis. Like fullt er det mange av de samme utfordringene og mange paralleller å se her. Det vil være avgjørende å ha på plass fungerende IKT-løsninger i forkant. Tilstrekkelig kompetanse må være på plass i kommunesektoren i forkant, og ikke minst må oppgavefordelingen være klokkeklar før reformen

ved en annen løypemelding, som dette jo også er, kan si at det Stortinget gjorde i sin tid, var rett. Jeg synes vi kanskje skal dvele et par øyeblikk ved det faktum at en så stor reform er bestilt av Stortinget, delvis på tross av faglige råd som ble gitt om det motsatte, og på tross av at det første forslaget fra den daværende regjeringen om en annen modell ble forkastet. Dette kan det være greit å ha med seg. Når Stortinget selv retter kritikk mot andre, kan det av og til være behov for å kikke seg selv i kortene og spørre om prosessen – sett fra Stortingets side – var den aller beste. Jeg sier dette fordi vi står foran en annen stor og viktig reform, nemlig Samhandlingsreformen. Den ligger nå til behandling her i huset. La oss i hvert fall ta med oss noen av erfaringene vi har når det gjelder prosess, kanskje også forventninger, når vi nå går i gang med det arbeidet. Jeg har ikke behov for å ta opp det som øvrige talere har gjort når det gjelder hva som har gått galt, og som er så godt beskrevet i innstillingen og for så vidt også i Riksrevisjonens rapport. La meg bare si at det kan tyde på at oppfølgingen ikke bare er systemavhengig, den kan også være personavhengig. Fra høringen må jeg faktisk si at jeg opplevde, og det ble ikke bestridt heller, at det skjedde et klart fokusskifte i 2008 gjennom det statsrådsskiftet man da fikk. Departementet gikk sterkere inn i styringen av Nav, og jeg regner også med at det bl.a. er det som vil gi resultater – selvfølgelig også Navs eget arbeid – når vi får regnskapet for

tiden på det ene faktum som jeg synes i høringen og i etterkant av den, fremstår som akilleshælen: forholdet mellom de lokale kontorene og forvaltningsenhetene, eller de mer spesialiserte enhetene. Jeg vil først gi statsråden honnør for at man nå eksternt utvalg som skal gjennomgå dette grensesnittet. Jeg har bare lyst til å si fra Kristelig Folkepartis side at forutsetningen for dette faktisk ligger i det Stortinget allerede har sagt om det: Komiteen, altså arbeids- og sosialkomiteen, sa at det er en forutsetning at det er «en førstelinje som er god på individuell veiledning og oppfølging. Komiteen understreker at det å samle visse forvaltningsoppgaver i spesialenheter, skal bygge opp under målene med NAV-reformen, ved å frigjøre administrative ressurser til oppfølging av brukerne i førstelinjen. Gjennom en god samhandling mellom spesialenhet og NAV-kontor, skal NAV-kontoret fremstå med nødvendig nøkkelkompetanse for å realisere intensjonen i reformen». Etter min mening er Riksrevisjonens rapport på dette punkt såpass klar, og jeg vil si også underbygd i høringen, at her er ikke reformen fulgt opp i tråd med Stortingets forutsetninger, slik det var beskrevet av arbeids- og sosialkomiteen i det sitatet jeg nå refererte. Jeg må bare si at dette også er underbygd. Jeg har vært på to Nav-kontorer mellom høringen og denne debatten – et her i byen og et et helt annet sted. Der sier man rett ut at man er ribbet for tilstrekkelig kompetanse i førstelinjetjenesten. Selv de mer enkle avgjørelser kan ikke fattes på det lokale Nav-kontor, men må sendes til forvaltnings- og spesialenhetene. Hvis vi ikke får orden på dette, har vi et stort problem. Da snakker vi ikke om én dør. Da snakker vi om én dør og ett kontor som må videresende gjennom en annen dør til et annet kontor, som er mer eller mindre anonymt for brukeren. Det er ikke i tråd med reformen. Men selvfølgelig er det mer kompliserte saker som krever en mer spesialisert behandling. Min klare oppfordring er at får man ikke gjort noe med denne akilleshælen, kommer vi ikke tilstrekkelig videre. Men som sagt er jeg glad for at man nå har satt ned et utvalg som skal se på dette. Jeg forstår det også slik, jeg vil bare ha en bekreftelse fra statsråden, at brukerinteressene vil bli hørt gjennom en form for referansegruppe. Mitt spørsmål til statsråden er når hun forventer at hun er klar med en konklusjon av det arbeidet som hun nå har igangsatt, og når det eventuelt får virkning for brukerne. Så vil jeg også si når det gjelder det en kan kalle kultur- og kompetansedelen av reformen, at det ser ut til at man har en nedtrapping av ressursene til dette arbeidet i 2010. Jeg vil gjerne også utfordre statsråden på hvordan hun ser på dette. Jeg må si det var en opplevelse for meg å hvor man snakket om at i fjerde etasje er staten og i tredje etasje er kommunen. Det sier man rett ut! Det er klart at da må man spørre seg om intensjonen med reformen har slått helt til på de kontorene som den enkelte bruker møter, og hvor man etter min vurdering opptrer med ganske vanntette skott fortsatt.

skott fortsatt. Jeg vil også først begynne med å berømme saksordføreren for en veldig grundig og veldig åpen behandling. Det er bortimot de to beste honnørordene Venstre kan gi noen! Jeg støtter gjerne det representanten Syversen også sa her. I rapporten som Riksrevisjonen har lagt fram, er det mulig å se saken fra to ulike perspektiver. Det ene perspektivet

Det som har vært mest påfallende i forbindelse med jobbingen med denne saken, er akkurat det som Marit Nybakk tok fram, alle historiene vi har fått fra brukere når de har observert at vi har hatt denne debatten i Stortinget. Det er det andre perspektivet, nemlig borgerfokuset, tankegangen om at dette skal være et system

kan sikkert ha det fint i vårt sikkerhetsnett. Jeg syns at f.eks. oversikten over antall uteliggere i Oslo eller andre byer er et veldig godt bevis på hvordan systemet vårt har funket. For det er ikke et bevis på at vi ikke har en velferdsstat, det er ikke noe bevis på at vi ikke har systemer som gjør at alle skal ha en plass å bo, men det er et bevis på at vi har et system som er så avansert, er så avansert, har så lite fokus på den enkelte borger som kommer inn med sin problemstilling, at man ikke klarer å hjelpe dem som virkelig, virkelig trenger hjelp. Jeg har snakket med Nav-ansatte som sier at du skal taste inn noen indikatorer på en Jeg hadde ønsket meg et Nav som mye mer så den enkelte borger som satt der, som hadde mye større myndighet lokalt til å se hva den enkelte trenger, og også å se hva den enkelte ikke trenger, kunne hatt et mye større borgerfokus i planleggingen sin. Jeg tror at utfordringen for hele Nav, ja for hele basen i velferdsstaten vår framover, er at vi kanskje skal gi opp noe av millimeterrettferdigheten, for millimeterrettferdigheten skaper meterurettferdighet for dem som faller utenfor. Så kanskje skulle vi ha forenklet systemene våre. Kanskje skulle vi ha satset mye mer på å sette oss ned og se hva den enkelte trenger akkurat der og da, istedenfor å lage enda mer avanserte systemer som gjør det enda vanskeligere å komme igjennom. Noen av de historiene jeg har fått, har vært virkelig hjerteskjærende å lese. Det handler om folk som i en fase i livet der de får en virkelig knekk, oppfatter at de i tillegg skal kjempe imot et system. Jeg har fått historier fra gamle damer som har ringt og stilt spørsmål om om frakt og syketransport, og som er blitt skjelt ut i telefonen og fått slengt på røret, fordi det har de ikke noe med å spørre om. Det er noe med at det må være systemer som gir tilbakemeldinger, sånn at det også kan gis tilbakemeldinger på ansatte. Alle skjønner at når du jobber i systemer der du også møter folk på ytterste «edge», kan det være krevende, og det kan føre til at du også beveger deg på den ytterste «edge». Men da må det være systemer som gjør at det kan tas opp, og det kan være så enkelt som at kanskje noen av og til skal ta opp telefonen for å ringe og si unnskyld. Når staten skal foreta store omstillinger, har staten et stort drawback i forhold til når private gjør store omstillinger, og det er at staten alltid tror at man skal spare i omstillingen. Man tror at hvis man gir for stort handlingsrom i omstillingen, klarer man aldri å dra det inn etterpå. Dette er en finansdepartementlogikk som har vært krevende i mange store omstillinger i det offentlige. Jeg syns denne saken og høringen rundt saken også bærer preg av at vi har noen politikere som er fascinert av igangsetting, og noen politikere som Jeg er enig i Syversens bemerkninger om akkurat det. Det som jeg også syns er påfallende, som kom fram i høringen, er at da Dag Terje Andersen tiltrådte, beskriver han at det han nærmest kom til, var en krisetilstand, der man måtte inn med strakstiltak. Mitt spørsmål er da: Hvorfor ble ikke noe gjort før Dag Terje Andersen tiltrådte som statsråd, hvorfor ble ikke noen av grepene gjort tidligere? Så er jeg også veldig bekymret for det som skrives om kompetanselekkasje, spesielt fra førstelinjetjenesten. Alle som har drevet et hvilket som helst kontor – ja du kan også sammenligne det med å drive et politisk parti – der man skal ha kontakt med borgere, vet at førstelinjetjenesten er kjempeviktig. Det å møte folk på en ordentlig måte, og det å ha kompetanse i møte med folk, er veldig viktig. Dette er kanskje en av de store utfordringene som statsråden her står overfor. Så har jeg lyst til å nevne noe som ingen andre har nevnt, men som vi i Venstre er veldig opptatt av. Mange avsløringer om Nav i det siste har også gått på manglende personvern, manglende forståelse av personvern og manglende rutiner knyttet til personvern. Det er en stor utfordring for statsråden å ta tak i, for det er få som velger å komme inn i Nav-systemet, det er få som velger at det er der de skal opptre, og det da å føle at personvernet ditt ikke blir ordentlig behandlet, og at dine personopplysninger flyter rundt, den aller mest ømtålige informasjon om livet ditt, er noe man ikke kan tolerere. Det andre jeg vil nevne, er debatten om ombud. Jeg syns at hele denne saken, og hele jobbingen for oss i komiteen med saken, er et godt argument mot å tro at du skal løse alle Navs utfordringer ved å lage et Nav-ombud. Jeg tror at alle stortingspolitikere har veldig godt av å lese de henvendelsene vi har fått. Vi har veldig godt av å få de historiene om folks møte med systemet. Det er jobben vår, for vi er folks ombud. Det er vi som har ombudsrollen, og det er vi som skal ivareta den. Derfor er det sånn at når våre borgere, når de vi er ombud for, blir tråkket på av systemet, er det vår jobb å høre deres historie, og det er vår jobb å gjøre noe med det. Jeg er redd for at med det. Jeg er redd for at ved å innføre et ombud avpolitiserer man hele velferdsdebatten. Vi får sikkert en bedre hverdag ved at vi slipper å forholde oss til at folk har blitt tråkket på av systemet. Men jeg tror vi har veldig godt av å høre de historiene. Det er jobben vår å gjøre det også. Når det gjelder omstillingen av Nav, tror jeg at jeg skal gjenta noe som jeg har sagt før, og som det er viktig å huske på for statsråder som er som det er viktig å huske på for statsråder som er satt til gjennomføring og ikke til igangsetting. Det er et sitat fra Ivar Aasen: «Dei tru, det skal ganga so fort alt fram til nokot stort. Men so tidt nokot stort er naatt, so kjem det stødt nokot smaatt.» Det er Nav-reformen et godt eksempel på. Man må bry seg om de små tingene, for det er de små tingene hverdagen til folk

Det andre omtaler gjennomføringen av Nav-reformen og hva komiteen forventer av arbeids- og velferdsforvaltningen. I innlegget mitt vil jeg si noe om hvordan jeg følger opp begge forholdene. Jeg deler komiteens innstilling om at det er svært alvorlig at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte regnskapet til Arbeids- og velferdsetaten. Kritikken fra Riksrevisjonen går på ulike forhold. Det som etter mitt syn er mest alvorlig i kritikken, er den svake internkontrollen i ytelsesforvaltningen. Men jeg forventer at Riksrevisjonen vil kunne finne en bedring i situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten gjennom 2009, selv om jeg er forberedt på at Riksrevisjonen i revisjonen for 2009 også vil kunne komme med kritikk. For å bedre kontrollnivået i ytelsesforvaltningen har Arbeids- og velferdsdirektoratet iverksatt nøkkelkontroller for stønadsområdene sykepenger, uførestønad, barnetrygd, barnebidrag og stønad til enslige forsørgere. Kontrollene ble iverksatt i oktober 2009 i alle fylker og følges opp gjennom systematisk rapportering og intern revisjon av etterlevelse. Nøkkelkontrollene skal gradvis utvides. Direktoratet har i løpet av høsten 2009 utarbeidet en helhetlig kontrollstrategi for 2009–2015. Hensikten er over tid å etablere et kontrollnivå basert på en vurdering av risiko og vesentlighet som skal sikre balanse mellom krav til effektivitet og sikkerhet/kvalitet i saksbehandlingen. Departementet stiller i tildelingsbrevet til etaten for 2010 krav om at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne vise til en bedret internkontroll i ytelsesforvaltningen i 2010 sammenliknet med 2009, og at det skal synliggjøres hvilken effekt innførte tiltak for internkontroll har hatt for å bedre kvaliteten i ytelsesforvaltningen. Arbeidet med å styrke internkontrollen i Arbeids- og velferdsetaten er et langsiktig arbeid, og det vil ta tid før etaten vil komme opp på et ønskelig kontrollnivå. Det har også sammenheng med dagens IKT-systemer i etaten. Det gjenstår utvikling av mer fullverdige og integrerte IKT-løsninger. Det er viktig at den videre utviklingen på dette området gjennomføres med god styring og kontroll, og at det gjennomføres en grundig planlegging av hva som skal skje på dette området. Jeg vil orientere Stortinget om utviklingen i denne saken i forbindelse med de framtidige budsjettbehandlingene. Arbeids- og velferdsetaten har hatt en svært kompleks organisering av regnskapsfunksjonene som bygger på organiseringen i de tidligere etatene. Direktoratet er nå i ferd med å samle regnskapsområdet i en egen styringslinje. Dette vil bidra til en mer effektiv styring og en tydeligere ansvarsdeling for å øke kvaliteten på etatens regnskap. Komiteen omtaler også forhold knyttet til gjennomføringen av selve Nav-reformen. Jeg har nå nedsatt en ekspertgruppe som skal se på arbeidsdelingen mellom Nav-kontor og forvaltningsenheter. Ekspertgruppen vil også få innspill fra og ha dialog med en referansegruppe som skal bestå av representanter for brukere og ansatte. Gruppen skal ha en todelt leveranse. Jeg vil i revidert nasjonalbudsjett orientere om gruppens første leveranse om gjeldende arbeidsdeling og erfaringene med denne. Basert på gruppens sluttrapport som vil foreligge ved utgangen av juni, og etter at rapporten har vært på høring, vil jeg i budsjettproposisjonen for 2011 komme tilbake til oppfølgingen av den endelige rapporten. Både Riksrevisjonen og komiteen har vært opptatt av behovet for kompetanseheving i arbeids- og velferdsforvaltningen. Jeg er enig i at dette er en helt sentral forutsetning for at forvaltningen skal kunne løse sine oppgaver. Det dreier seg om ulike tiltak for å heve kompetansen til dem som nå er ansatt i forvaltningen, og minst i like stor grad, som jeg understreket i mitt innlegg under komitéhøringen, at arbeids- og velferdsforvaltningen får rekruttert kompetent arbeidskraft i framtiden. Jeg har nå mottatt den eksterne utredningen om langsiktige kompetanseutfordringer sett i forhold til tilbudet innenfor høyere utdanning. Utredningen vil i første omgang bli sendt på høring. I det videre arbeidet med denne saken vil jeg ha nær kontakt med forsknings- og høyere utdanningsministeren, og se oppfølgingen i sammenheng med arbeidet som nå pågår med en handlingsplan for å styrke relasjonene mellom forskning, profesjonsutdanninger og praksis innenfor velferdssektorens yrker. Komiteen mener at målstyringen av Arbeids- og velferdsetaten kunne vært tydeligere. For 2010 er det satt klare krav til hva etaten skal prioritere. Det kom tydelig fram i budsjettproposisjonen for 2010, det er videreført i tildelingsbrevet til etaten og preger den samlede etatsstyringen. Én av de viktigste oppgavene mine framover er å sørge for at nye virkemidler og endringer i regelverket foreslås innført på en slik måte at de understøtter arbeidet med å nå de overordnede målene i Nav-reformen og ikke medfører nye problemer for etaten. Avslutningsvis vil jeg også kommentere Innst. 142 S for 2009–2010 om Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet. Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten er et svært viktig virkemiddel for å realisere målene i IA-samarbeidet og den nye IA-avtalen. Dette er også vektlagt av partene i arbeidslivet. I den nye IA-avtalen er arbeidslivssentrenes rolle tydeliggjort. Riksrevisjonens kritikk av enkelte elementer i arbeidslivssentrenes organisering, IA-plasser og budsjettering av tilretteleggingstilskuddet er jeg opptatt av å finne gode løsninger på ut fra ønsket om å sikre et mest mulig inkluderende arbeidsliv. Det blir replikkordskifte. Jeg vil takke statsråden for

Men en av de andre utfordringene, som også har vært del av komiteens behandling gjennom høring, har vært at det fortsatt er et todelt eierskap i Nav, hvor kommunene har ansvaret for sosialdelen, mens staten har ansvaret for resten. Under høringen var statsråden svært klar og tydelig på noe Fremskrittspartiet var veldig glad for. Det hun sa, var at «dette vil jeg absolutt se nærmere på og vurdere», og det er vi veldig glad for. Kan statsråden også si noe om når hun vil se nærmere på dette og vurdere å samle eierskapet? Jeg har lyst til å understreke, som jeg også gjorde i høringen, at nettopp dette todelte eierskapet er en stor utfordring. Jeg har inntrykk av at dette har fungert langt bedre enn man kunne ha trodd, ut fra de problemene som kunne oppstå. Men det er også klart at jeg vil gå nærmere inn og se på dette. Jeg tror det har vært lurt ikke å gå for raskt fram her, for dette er, som jeg sa, en av de tingene som fungerer, og vi må på en måte få på plass en del andre ting. Men jeg har nå allerede vært i kontakt både med ledelsen for direktoratet, med brukerne og med de ansatte for å få et godt beslutningsgrunnlag for i første omgang å forstå hvordan dette fungerer. Jeg vil være tilbakeholden med å tidfeste akkurat når jeg skal konkludere her, for vi må gjøre dette på en grundig og ordentlig måte. Det ligger også en historie bak denne delingen, slik at dette er ikke noe som man fra min side bare ensidig kan treffe en beslutning om.

Vi hører allerede her at det er veldig klare tanker om hvordan situasjonen faktisk er, men vi må ha det bekreftet også gjennom ekspertgruppen. Den første delrapporten, som vil komme i forbindelse med revidert, vil være deres vurdering av den faktiske situasjonen. Så vil de fram til juni gå videre og se på hvilke anbefalinger de eventuelt vil Den anbefalingen vil jeg sende ut på høring, og så vil jeg komme tilbake til dette spørsmålet i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. Det andre spørsmålet gjaldt dette med om jeg er sikker på at internkontrollen i Nav er om jeg er sikker på at internkontrollen i Nav er bedre, ut fra det jeg har fått vite fra Nav. Det kan jeg ikke si helt sikkert. Nå må jeg se hvordan dette fungerer, men alt tyder på at det er i ferd med å bli bedre. Da forstår jeg det dit hen at Stortinget ikke vil konklusjon med hensyn til endringer i arbeidsoppgavene internt i Nav når det gjelder grensesnittspørsmålene, før i ordinært budsjett. Det kan det være greit å få avklart, i tilfelle. Mitt spørsmål går også på forholdet mellom IKT-delen og bemanningssituasjonen i Nav. Vi har nå forstått det dit hen at det som i politiet skulle være en styrking av politiet, i realiteten blir en reduksjon, fordi de pengene som skulle gå til flere polititjenestemenn og -kvinner, går til opprustning av IKT. Så mitt spørsmål er: Hvordan vil styrkingen av IKT-arbeidet i Nav bli? Skal dette f.eks. i revidert gis en tilleggsbevilgning, eller skal det nå tas fra det samlede driftsbudsjett, med den mulighet det er for at antallet ansatte som møter brukerne, må reduseres?

det vi vil få oss forelagt i revidert, er en beskrivelse av situasjonen. Og jeg må innrømme at jeg synes vi har fått mer enn nok av beskrivelser av situasjonen, ikke minst i møte med de ansattes organisasjoner, som jo til fulle dokumenterte at problemene mellom førstelinjetjeneste og forvaltningsenheter har de ansatte beskrevet som et problem i møte med borgerne, brukerne, ganske lenge. Så jeg skjønner rett og slett ikke at statsråden må bruke bortimot ett år på å komme til Stortinget med en anbefaling, i strid med det hun sa i høringen. Det kommer ingen anbefaling i vårsesjonen, men kun i høstsesjonen. Jeg ber statsråden bekrefte det. Jeg håper ikke at det at jeg etter sigende er blitt varm i trøya, vil gjøre at jeg vil være opptatt av kontakt. Derfor er jeg også opptatt av at det vi nå skal gjøre, hvis vi skal gjøre noe med dette grensesnittet, må være riktig og godt. Derfor skal denne ekspertgruppen, som har kompetanse på dette området, først danne seg et godt bilde av hva som er den faktiske situasjonen, for ellers kan man gjøre ting som ikke blir riktig her. Jeg må ha det grunnlaget før jeg kan komme med noen anbefalinger. De klarer ikke å få gjort det ordentlig før jeg skal legge dette fram i forbindelse med revidert budsjett, men da vil Stortinget få anledning til å få det så sende dette på høring, og så kommer vi med våre anbefalinger i forbindelse med budsjettet. Erfaringen opposisjonen har gjort i løpet av disse fem årene, er at jo varmere man blir i trøya, jo mindre blir man opptatt av Stortinget – det er livserfaringen herfra. Men det var egentlig ikke det jeg skulle spørre om. Det jeg skulle spørre om, handler om personvern. Mye av den informasjonen som Nav sitter på om oss som personer, er blant de mer ømtålige tingene. Det handler om sykdommene våre, om utfordringene vi har på alle mulige vis. Nå har vi sett gang på gang episoder informasjon har kommet på avveier. Vi har sett at man ikke har en bevisst nok holdning til informasjonen man sitter med. Man opplever at masse informasjon sendes ut ukryptert på e-post – personnummer o.l. – som jo nærmest er som å stå på gata og rope det ut. Mitt spørsmål er om statsråden også kommer til å ha fokus på den enstemmige komitémerknaden om dette, når hun nå skal gå gjennom Nav og se på hvilke endringer som må gjøres, om personvernet kommer til å løftes i det arbeidet. Jeg er opptatt av personvern og særlig for en gruppe som, som nettopp representanten selv også påpekte, ikke velger frivillig å ha den kontakten med direktoratet.

en tjeneste som er frivillig. Man må aktivt si at man vil ha den på e-post for at man skal få den på e-post. Hvis ikke får man den på papir. Slik jeg ser det, og har fått opplyst i saken, virker det som en tilfredsstillende ordning. Utover det er det klart at vi må fokusere veldig på at ikke papirer med personsensitiv informasjon kommer på avveier. Dermed er replikkordskiftet omme. Det er

og at de målene som er satt opp for reformen, er sentrale, viktige og riktige. Det som ligger i hele Nav-reformens historie, og som jeg vil si understrekes fra alle parter i denne debatten, er å sette brukeren i sentrum. Det som er det viktige og essensielle, er at vi har et sikkerhetsnett i det norske samfunnet som ivaretar dem som har behov for hjelp fra samfunnet, og at det er et godt system. Med andre ord: Det er ingenting her som sår tvil om oppslutningen om Nav-reformen, og at det var – selv om det har vært diskusjon, noe som delvis kommer fram også her i debatten – et riktig organisatorisk og administrativt grep. Jeg merket meg at representanten Foss i sitt første innlegg sa noe som sikkert i og for seg er sant, at det ble brukt veldig mye tid innadvendt i Nav-systemet i den første fasen, og at man dermed kanskje ikke greide å ivareta de utadvendte og sentrale funksjonene på en tilfredsstillende måte i førstningen. Det er formodentlig rett, men det er vanskelig og ganske illusorisk å tenke seg at man skal komme rundt en sånn fase når man skal etablere et slikt nytt system. Det tror jeg at det er viktig å erkjenne også for Stortinget, som har sagt at reformen skal organiseres slik som den nå blir organisert, at det vil kreve en slik overgangstid. Det er nødvendig med en viss tålmodighet knyttet til dette, og jeg synes vi bare skal innrømme Nav-systemet og dets ledelse akkurat det, for det er vanskelig å tenke seg at man kan komme utenom det hele. Så vil jeg si at det som også preger hele komitédiskusjonen, og som gjenspeiles her i salen i dag, er nettopp det at vi nå har det jeg vil kalle for en felles erfaring – jeg vil bruke det uttrykket. Selv om det er en viss uenighet her, så preges hele stortingsdebatten – Stortingets håndtering av spørsmålet – av veldig stor grad av enighet. Jeg har merket meg med tilfredshet at også opposisjonens talere har snakket pent om saksordførerens arbeid i denne sammenhengen. Om det vil jeg si at det er også slik at vi som er i posisjon, og som selvfølgelig har et primært ansvar for gjennomføringen av også må ha evne til å vise ydmykhet overfor de svakheter som slike systemer eventuelt viser. Det er det som gjenspeiler seg i både saksordførerens håndtering av saken og den innstillingen som altså foreligger, og som, som det er sagt fra andre, i hovedsak er veldig enstemmig. Jeg tror at hele det politiske systemet tjener på å vise både ydmykhet og evne til selvkritikk når situasjonen krever det, for saken er altfor alvorlig til at man skal begynne med noen form for partipolitisk, taktisk eller strategisk manøvrering. Det ville ikke tjent brukerne, det ville ikke tjent samfunnet, og det ville ikke tjent velferdsstatens utvikling hvis vi oppførte oss på en sånn måte. Det er også filosofien bak Arbeiderpartiets holdning i dette spørsmålet. Når alt dette er sagt, skal jeg bare gjenta noen hovedpunkter fra min side som allerede i og for seg er referert. Nå har statsråden nylig bekreftet sitt intense arbeid med håndteringen av kontrollrutinene internt i systemene og at man arbeider veldig seriøst med spørsmålet, slik at man ikke igjen får merknader fra Riksrevisjonen som reiser tvil om man kan godkjenne Navs regnskaper. Det må gå opp for oss alle sammen hvor utrolig alvorlig det er når Riksrevisjonen, som er Stortingets kontrollorgan på dette området, sier til Stortinget at de ikke kan godkjenne – de bruker ikke det ordet, men det er det det betyr godkjenne – de bruker ikke det ordet, men det er det det betyr – regnskapet, som altså omfatter en tredjedel av statsbudsjettet. Det er en meget alvorlig sak. Jeg tror det er veldig sjelden at vi har hatt en slik situasjon her i stortingssalen – jeg har ikke all historie inne, men jeg er ganske sikker på at det er veldig alvorlig. Verken under komiteens arbeid med dette eller i høringen har jeg oppfattet at det er noen som ikke skjønner det alvoret.

videre. Det er klart at dette vil kontrollkomiteen følge nøye med på. Dette med brukerne har vært omtalt av flere av talerne, og i og for seg kan vi bare underskrive på veldig mye av det som allerede er sagt. Men der ligger egentlig hovedproblemet. som formodentlig – og nå vil jeg her i stortingssalen bruke uttrykket «formodentlig» – skjer internt i et så stort system som det Nav-systemet er, er at det «naturlig nok» – og nå bruker jeg uttrykket i gåseøyne – oppstår en byråkratisering. Det er veldig krevende for en hvilken som helst ledelse og en hvilken som helst statsråd å motvirke en slik byråkratisering. Men det må være helt klart i fortsettelsen at man legger avgjørende vekt på å hindre at intern rivalisering og byråkratisering står i veien for en effektiv drift av Nav-systemet, og at det går ut over brukeren. Hvordan det så skal håndteres, skal jeg være forsiktig med å si. Jeg har forstått dette uttrykket Det tilhører det byråkratiske system at man lærer seg slike uttrykk. Grensesnitt er altså blitt dette systemets ord for denne utfordringen. Når det gjelder grensesnittet, tror jeg at svaret allerede i og for seg er klart. Man har de riktige avgjørelsene og ha de riktige folkene i førstelinjen. Punktum! Jeg imøteser selvfølgelig de gjennomgangene som statsråden her har annonsert, både i revidert og senere i budsjettet, og som jeg for min del synes er en tilfredsstillende måte å håndtere sakene på rent konkret. Jeg vil understreke det. Men samtidig er jeg ganske sikker på at der befinner problemet seg. For det er klart at hvis ikke det er én dør og én person som i hvert fall kan håndtere de enkle tingene, oppstår det problemer. Jeg skal ikke si det er overraskende, for det er ikke så overraskende, men jeg og mine medarbeidere her i Stortinget har jo opplevd å få mange henvendelser fra enkeltpersoner som forteller de merkeligste historier. de merkeligste historier. De merkeligste historier! Det er uttrykk for en situasjon som sikkert er frustrerende internt i Nav-systemet, men som handler om at man må sette brukeren i fokus og legge til side de andre tingene. Det er en stor jobb for statsråden, som vi forholder oss til, men jeg ser også litt til høyre her og sier at det selvfølgelig er en stor og krevende jobb også for den administrative ledelsen. ledelsen. Jeg vil til slutt bare si at dette med arbeidslivssentrene er av veldig stor betydning. Det ligger jo også en kritikk i Riksrevisjonens rapport når det gjelder håndteringen av arbeidslivssentrene. Jeg streker under den kritikken. For å si det veldig kort, jeg understreker behovet for at Nav-systemet håndterer det på en god og skikkelig måte i tiden som kommer, for dette er en institusjon som skal hjelpe dem som er svakest, som har veldig stort behov for hjelp, og som har krav på hjelp. Helt til slutt vil jeg si at jeg er ganske sikker på at Nav-reformen i tidens løp vil vise seg å bli vellykket. Vi har alle sammen lært gjennom det arbeidet som nå er gjort, gjennom det arbeidet som Riksrevisjonen prisverdig har gjort, og gjennom det arbeidet som komiteen har gjort. gjort. Jeg synes denne debatten på mange måter viser en stor vilje til å gå gjennom dette – med nødvendig ydmykhet, som sagt – og håndtere dette på en slik måte at det kan bli en veldig viktig og riktig reform som styrker velferdsstaten. Det er det som var meningen, og det er det som kommer til å skje, på litt sikt. Jeg må tilstå at jeg er

jeg har en yrkesbakgrunn fra Aetat, som er blitt en del av Nav. Jeg vil også rose saksordføreren. Det har vært en meget interessant prosess vi har vært gjennom, med en grundig høring gjennom, med en grundig høring med brukerorganisasjoner, ansattes representanter, administrativ ledelse og tre tidligere statsråder. Selv har jeg i tillegg brukt mye tid på å snakke med ansatte i Nav-systemet, kommunisere med dem pr. korrespondanse – mail, brev osv. – og jeg har også besøkt flere Nav-kontorer, i likhet med hva jeg skjønte representanten for Kristelig Folkeparti har gjort. Innledningsvis noen ord om Navs arbeidslivssentre. Dette er jo en relativt liten del av Navs virksomhet, men en viktig aktør i arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv. Sentrene skal bidra til å redusere sykefraværet, få flere med redusert arbeidsevne i arbeid og hjelpe til slik at de beholder arbeidet samt å få eldre til å stå lenger i arbeid. Jeg registrerer at undersøkelsen sier at virksomheten har en marginal effekt. Det reises også tvil om prioriteringen og systematikken for virksomheten. Det viser seg bl.a. ved at virksomheter med høyt sykefravær bare i begrenset grad har mottatt en større andel av tjenestene fra arbeidslivssentrene enn bedrifter med mindre problemer på dette området. Når det gjelder andre forhold som bør bemerkes, er det jo oppsiktsvekkende at 693 bedrifter har sagt seg villig til å tilby IA-plasser i 2008, mens bare 96 plasser er benyttet. Undersøkelsene viser videre at arbeidslivssentrene i liten grad har prioritert tiltak for å øke den reelle pensjonsalderen, og at bruk av ressurser til dette formålet er redusert i løpet av 2008. Når vi i denne salen har varme ord om seniorpolitikk og om å få folk til å stå lenger i yrkeslivet, blir det selvfølgelig nedslående å lese denne type rapporter. Det er også manglende informasjonsflyt og samhandling mellom sentrene og Nav lokal om hvilke IA-bedrifter som bør prioriteres. Rapporten tar også opp IKT-utfordringer på området, bl.a. at registreringspraksisen ikke er enhetlig.

Så noen generelle kommentarer rundt Nav når det gjelder Dokument 1 Tillegg 2 for 2009–2010. Jeg har stor forståelse for at det i den perioden man har vært igjennom, ikke har vært greit å være Nav-ansatt, med alle de negative oppslag man har sett i avisene, i leserbrevspalter, og med klager fra publikum generelt. At dette kan ha bidratt til et høyt sykefravær, ser jeg heller ikke bort I de samtaler og under de besøk jeg har hatt på Nav-kontorer, har det kommet frem mye interessant, og av de tingene som det ser ut til at mange har sterke meninger om, er det forhold at man tjener to herrer – altså kommunen og staten. Dette kompliserer den daglige driften, hevdes det, og bidrar i stor grad til mange av de utfordringene man har. har. Jeg har registrert at statsråden er i gang med å se på den problemstillingen. Dette ble også påpekt av representanten for Kristelig Folkeparti, som hadde besøkt et Nav-kontor hvor kommunen var i tredje etasje og staten var i fjerde etasje – så vidt jeg husker fra hans innlegg. Det viser jo at man har en lang vei å gå på dette området, og muligens kan man ikke løse det problemet før man får én felles eierstruktur og Dette med lang saksbehandlingstid er selvfølgelig et problem, ikke bare for dem som jobber i Nav, og som har store saksmengder, men også selvfølgelig – og helt sentralt – for dem som trenger disse pengene, som har krav på disse pengene, og som må vente lenge på avklaring av sine forskjellige søknader Nav. Under mine besøk i Nav må jeg si at det mest oppsiktsvekkende for en som er vant til moderne datasystemer – slik som vi bl.a. har her på Stortinget – var å se IKT-systemene man kjørte, bl.a. Infotrygd. På arbeidssiden er det ikke så verst, men på trygdesiden synes jeg det var

vi hadde, merket vi oss at tidligere statsråd Dag Terje Andersen gjorde det klart at han raskt etter å ha tatt over som statsråd etter Bjarne Håkon Hanssen i juni 2008, innså at rutinene for internkontroll i Nav var for svake. svake. Han gjorde det videre klart at det var behov for å iverksette en rekke tiltak for å rette opp disse svakhetene vinteren 2008/2009. Dette avslører jo noe relativt essensielt, nemlig at det er kritikkverdige forhold rundt det arbeidet som statsråd Hanssen utførte i sin virksomhet. Jeg har stor respekt for saksordførerens påpeking av at vi som storting ikke skal blande oss inn i hvilke personer Regjeringen ansetter. Samtidig må det være betimelig i denne sak – som er så stor og viktig for Norge – å påpeke at den mest stabile faktoren i Nav under hele reformperioden har vært Navs direktør, og at denne således er sentral i det vi nå diskuterer. Det må være lov å stille spørsmål om når nok er nok. Det er helt åpenbart at man med en slik rapport som er avgitt, og som vi

dette for å gjøre det lettere å bruke tjenestene, og for at disse tre etatene kunne nås ved at man kunne gå inn én dør. Det kom mange innspill om at rådene til brukerne var sprikende fra disse tre forskjellige enhetene, og at beslutningene ofte sto sterkt i motsetning til hverandre. Dette var ingen god situasjon for mange brukere, og de følte ofte at de ble skubbet fra den ene etaten til den andre og tilbake igjen. Dette føltes uholdbart for mange, og det var altså behov for en omlegging. Dette viser at alt ikke var perfekt da, og dette burde vi kunne lære enda mer av i den prosessen som vi er inne i. Jeg opplevde at dette var noe som opptok politikerne, brukerne av tjenestene og andre mer og mer, fordi organiseringen var uhensiktsmessig for brukerne, og i tillegg var den ikke effektiv. Jeg føler derfor at bakgrunnen for at den omfattende Nav-reformen ble iverksatt, var godt begrunnet, og nærmest var et krav. En felles førstelinje med Nav-kontorer i alle kommuner skulle altså gi brukerne ett sted å henvende seg, og jeg er av dem som tror at dette vil bli en god løsning for brukerne når det får virke en stund. Når vi tenker på dimensjonene og på alle menneskene som berøres av en slik stor omlegging, kan man ikke vente at alt går knirkefritt i en overgangsfase. Jeg vil benytte anledningen til å berømme brukerne, som har vist tålmodighet og forståelse i den fasen vi har bak oss. Jeg har forståelse for at det reageres når sterkt tiltrengte og rettmessige oppgjør kommer altfor sent, at hjelpen ikke er der når den trengs mest. Jeg vil også berømme alle ansatte i Nav-systemet, som har hatt en forferdelig tøff arbeidssituasjon, men som har beholdt stå på-viljen og jobbet videre med sin erfaring for å bedre prosessen og tjenestene for brukerne. Når det er sagt, synes jeg det er bra at Riksrevisjonen har tatt tak i saken for å gjennomgå hvordan omstillingen har fungert så langt, og jeg slutter meg fullt og helt til det saksordføreren sa i denne sammenhengen. Det er bred enighet om målet for Nav-reformen, men det er ikke enkelt å smelte sammen tre etater fra to nivåer til én etat. Derfor måtte det nok bli noen startvansker – og kanskje var det for store krav til framdriftsplaner. Jeg registrerer at det ved noen Nav-kontorer fungerer meget godt, men at det ved noen kontorer ennå er betydelige utfordringer. Her er det meget viktig at erfaringer og kompetanse kan overføres innad i etaten, og at det gjennom denne erfaringsutvekslingen stadig kan bli forbedringer over hele linjen. Etter gjennomgangen av Riksrevisjonens rapport og etter den åpne høringen vi hadde i Stortinget, føler jeg meg enda mer trygg på at reformen er riktig, og at den vil bli et godt redskap for alle parter i tida som kommer. Dette sier jeg jeg fordi jeg forventer at de svakhetene som nå har kommet fram, er tatt tak i, noe jeg mener at statsråden har redegjort godt for i dag. Nav-reformen er dag. Nav-reformen er den viktigste reformen i vår tid. Det at vi er samlet her for å diskutere en alvorlig rapport fra Riksrevisjonen, er en bekreftelse på hvor vanskelig det er å omsette en radikal reform fra papir til virkelighet. Riksrevisjonen peker på mange ting som opplagt kan bli Det er alvorlig når etaten ikke kan få godkjent sine regnskaper, men mer alvorlig var det at brukere ikke fikk utbetalt det man hadde krav på når man hadde behov for det. Men bak all vår resultatorienterte målstyring skapes det verdier som ikke lar seg måle, som kontakten mennesker imellom og at man får hjelp til å komme seg bort fra en håpløs livssituasjon. Et viktig mål for meg er noe som kanskje vil virke rart for andre her i salen, som er et viktig barometer for om vi lykkes, nemlig at flere søker om sosialhjelp – ikke fordi det er et mål at folk skal leve på velferdssamfunnets minste inntekt, men fordi det betyr at flere mennesker oppsøker hjelp når de trenger det. Mange mennesker har gått inn med brukket rygg og bedt om «almisser» fra samfunnet. Ingen mennesker skal måtte be om mennesker skal be om å få hjelp fra samfunnet til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Altfor mange mennesker gjorde ikke det på det gamle sosialkontoret, og kunne havne i et enda større uføre. Derfor synes ikke jeg at vi bare skal ha for øye det som kan måles og telles. Mennesket er for mangfoldig til at det lar seg gjøre. Det er når vi er mest sårbare – i livssituasjoner hvor vi kan miste troen på oss selv og selve livsgrunnlaget – at Nav skal være det vi ønsker, nemlig en døråpner til et annet liv. Kvalitet må derfor veie like tungt som kvantitet. Jeg er glad for at statsråden har et åpent sinn, fri fra tidligere prosesser, for hvordan Nav kan organiseres på en bedre måte. Vi må skape et enklere Nav hvor språket tar hensyn til at vi skal forstå det som står i vedtakene. Det handler grunnleggende sett om hver enkelts rettssikkerhet. Det handler om IKT-løsninger som forhindrer dobbeltarbeid og bidrar til mer personlig oppfølging, og en organisasjon hvor brukeren får kontakt med den som kan hjelpe. Er det noen lærdom vi ellers kan trekke av dette? I det sedvanlige behovet vi politikere har til å markere oss i møte med media som jakter på store overskrifter, lager vi et overdrevent negativt bilde av det som gjøres, eller vi spenner forventningene for høyt til det som ofte lar seg gjennomføre i praksis. Når brukere og ansatte møter hverandre med negative forventninger, blir det dårlig samhandling og høyt sykefravær. Vår omtale av Nav kan av og til være med på å gi slike negative forventninger. Det er rett at mange fra førstelinjetjenesten har blitt hentet til forvaltningsenhetene, men man må ikke skape et inntrykk av at det ikke er kvalitet igjen. Det stemmer ikke med mitt Førstelinjetjenesten må møte hele det menneskelige spekter. Språkproblemer, rusproblemer, psykiske lidelser og fortvilelse kan være det som møter de ansatte. Her gjøres det mye godt arbeid, i respekt for den som kommer. Det betyr ikke at enkeltmennesker ikke kan møte en ansatt som har en dårlig dag, men bildet av mangel på kompetanse i førstelinjetjenesten kan ikke bli stående uten at man trekker fram alt det gode og krevende arbeidet som faktisk gjøres. Igjen er Nav i en krevende reformprosess. Når det gjelder arbeidsavklaringspenger, kan vi vente støy når 95 000 flere mennesker skal levere meldekort hver fjortende dag. Unntaksbestemmelsene må behandles med sunn fornuft, slik at de som av helsemessige årsaker ikke kan levere kort, får unntak. Selv med en liberal praksis vil det måtte komme støy. Reformen er vedtatt i denne sal, og alle må Vi er ikke der enda at Nav som ombud kan møte hver enkelt bruker og si at «vi virkeliggjør dine muligheter». Men vi er på vei. Når vi skyver bort det politiske spillet som slike debatter som dette ofte kan bli, står heltene tilbake – ikke her i denne sal, men ute blant de Gjennom å hospitere hos Nav i Sarpsborg og Rygge er jeg styrket i troen på at vi skal lykkes med dette. Her har de ansatte, som på mange andre kontorer, jobbet overtid for å komme i rute til arbeidsavklaringspengene skal bli innført. Her har det vært ansatte som har jobbet på dugnad for å sikre arkiv, og dermed personvernet til Navs brukere. I mine møter med de ansatte kommer et sterkt ønske om å virkeliggjøre Navs visjon, å virkeliggjøre menneskers muligheter. La disse ildsjelene stå igjen fra dagen i dag som vår viktigste ressurs i kampen for et mer inkluderende samfunn. Gode, likeverdige offentlige tjenester ligger en sosialdemokrat varmt rundt hjertet. Det er samfunn. Gode, likeverdige offentlige tjenester ligger en sosialdemokrat varmt rundt hjertet. Det er kanskje det aller, aller viktigste i et samfunn som er preget av og skal gi alle mennesker like muligheter. Nav-reformen er et konkret resultat

i jobb hvis man trenger hjelp og støtte fra hjelpeapparatet. Det har vært en styrke i gjennomføringen av Nav-reformen at det har vært et bredt politisk flertall som har stått bak. Stortinget har ved flere anledninger diskutert Nav, og det har stort sett vært bred oppslutning rundt grunntanken om reformen. Det er noe av det som jeg også synes er gledelig når en nå skal begynne å oppsummere debatten her i dag. Det er fortsatt sånn at de politiske partiene og Stortinget har tro på at man skal lykkes med gjennomføringen av Nav-reformen. Det betyr ikke at man ikke ser at det er skjær i sjøen, og at det er ting som fortsatt skal forbedres i Nav, men troen på at man skal lykkes og komme fram til en bedre arbeids- og velferdsforvaltning enn den vi hadde før, er til stede. Jeg har også lyst til å si at det er veldig lett å glemme hvordan verden var i gamle dager – og gamle dager er i dette tilfellet fire år. Jeg jobbet i sin tid i Nav – i sosialtjenesten. er jeg tilbake i 2003 – at jeg måtte booke meg inn for en samtale med den gang Aetat, og jeg måtte vente i tre uker sammen med brukeren på å få den samtalen. I dag løses det gjennom at folk jobber tett: Man sitter rundt samme bord, man har et felles ansvar for den brukeren som kommer døra. Kasteballproblematikken har flere også vært inne på her i dag. Det var sånn at folk måtte gå fra kontor til kontor – veldig ofte gikk de den veien alene. Veldig ofte var det det ene kontoret som sendte personen videre til neste kontor, og ikke fulgte over. Verden var definitivt ikke perfekt før heller. Det samme gjaldt også IKT-systemer – det var ikke sånn at de kommuniserte i gamle dager heller. Nå kommuniserer de bedre fordi det har vært investert ganske betydelige midler i IKT – ikke nok, for det er ikke noe fullverdig saksbehandlingsverktøy i Nav. Men det er en start – man er på vei. Det foregår en viktig og riktig utvikling.

de aller fleste av oss, de aller fleste av de over millionen mennesker i Norge som får frikort hvert eneste år, vil helst ikke gå på Nav-kontoret. Vi trenger gode IKT-løsninger som gjør at dette skjer mer automatisk enn i dag. Når vi samtidig da kan

hvis vi skal bruke mye offentlige ressurser på enkle arbeidsoppgaver som vi heller kan løse ved hjelp av IKT, og derved sitte igjen uten ressurser til å hjelpe dem som kanskje virkelig trenger tung og langvarig støtte og hjelp for å til å hjelpe dem som kanskje virkelig trenger tung og langvarig støtte og hjelp for å komme seg tilbake i arbeid. Jeg mener det er rett prioritering, og jeg mener det er god politikk å effektivisere offentlig sektor samtidig som vi kan gi brukerne bedre tjenester. Så har jeg lyst til å si at at arbeidet med nye virkemidler i Nav er hjertet av Nav-reformen. Det gir innbyggerne bedre tjenester. Jeg har møtt mange opp igjennom som har sagt at kvalifiseringsprogrammet har gitt dem nye muligheter, at arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud som det har vært et skrikende behov for, og at mer fleksible arbeidsmarkedstiltak betyr mye for dem. De siste av de innholdsreformene som var forankret i St.meld. nr. 9 for 2006–2007 – arbeidsavklaringspenger – kom på plass 1. mars i år. Der også skjer det jo en viktig utvikling. Folk får rett og plikt til en arbeidsevnevurdering. Det skal gi bedre tjenester, men samtidig tror jeg også det er lurt – «lurt» er kanskje ikke det rette ordet, men det er viktig å huske på, som representanten Forsberg var inne på, at blant de 95 000 menneskene som nå kommer over på arbeidsavklaringspenger, kan det hende at det finnes mennesker som skal ha en uførepensjon. Da må man praktisere unntaksregelverket rundt det med meldekort på en smidig måte, spesielt knyttet til de gruppene som har vært på tidsbegrenset uførestønad, og som kanskje egentlig burde hatt en uførepensjon eller et lønnstilskudd – eller en annen type virkemiddel. Det har jeg lyst til å understreke fra denne talerstolen. Oppsummert: Ja, det er alvorlig når en etat ikke får godkjent regnskapene sine. Mye har skjedd i etterkant av det. Verden var ikke perfekt før, og brukerne får det bedre dag for dag. Utviklingen går i riktig retning. retning. Først vil jeg gi min helhjertede tilslutning til innlegget fra representanten Forsberg som satte hele saken inn i et riktig perspektiv, særlig fordi han også framhevet at de ansatte her strever. Jeg tror at hvis man hadde systematisert både ansattes og både ansattes og brukernes medvirkning i sjølve prosessen framover – altså de som faktisk skal gjøre dette i praksis – på en klarere og tydeligere måte tidligere, kunne man ha unngått noen av de problemene man har sett undervegs. Så til noe av den kritikken som har kommet her, bl.a. fra Fremskrittspartiet og Riksrevisjonen, om at bedrifter kunne tilby flere men som Nav ikke greide å henvise personer til. Det var oppgitt at det var 639 IA-plasser og bare 90 som var henvist. Ut fra de opplysningene som jeg har, er det en forklaring på dette. Det er sjølsagt uheldig at det er slik, og man skulle ønske at dette matchet bedre. Et av problemene knyttet til dette er at det ikke er samsvar mellom den arbeidskraften disse bedriftene faktisk ber om, og de som trenger en slik plass. Det betyr jo bare at man trenger mange flere slike arbeidsplasser i et mye breiere spekter av arbeidslivet for å kunne matche de behovene som den enkelte sykmeldte har, som trenger en slik plass. Jeg har sjøl besøkt Mandal kommune som har et slikt system, der de som er sykmeldt, kan få tilbud om en arbeidsplass også i det private, og noen har valgt det. Men det er veldig viktig at dette passer både for bedriften og for den ansatte. Så har det vært tatt opp litt ulike temaer her, men representanten fra Kristelig Folkeparti hadde en liten visitt til den prosessen som Stortinget hadde da vi vedtok sjølve reformen, nemlig at det først ble lagt fram en stortingsmelding om en reform som Stortinget avviste, og at regjeringen så kom tilbake med en ny reform, og at det skulle på en måte bety at Stortinget hadde vedtatt noe som var galt, og som ikke lot seg gjennomføre. Det er en beskrivelse som i hvert fall vi fra SVs side ikke kan stille oss bak. Jeg regner med at den regjeringen som la fram den stortingsmeldingen, sto bak

slik. Det er klart at det er noe som det blir viktig å følge med på framover, slik at det vi gjennomfører, er det som Stortinget har vedtatt. Så har det vært en del diskusjon her nå om det at det er to eiere i Nav. Det er to sider av den saken. Den ene handler om at det er mulig med delt lederskap. Nå er det sånn at de aller fleste kommuner ikke har valgt delt lederskap, og det er jeg glad for. Noen har det, og det var det var kommunesektoren og KS som var veldig innstilt på at vi måtte åpne for det da vi skulle gjennomføre reformen. Fra min og SVs side har vi hele tida ment at vi må ha én ledelse i Nav-kontorene, og at det må bli resultatet etter hvert. Det andre spørsmålet som Fremskrittspartiet har reist, om man skal gjøre en større endring av hele reformen og legge hele sosialtjenesten og da også noen av de endringene som vi i ettertid har gjennomført ved lov, ny Nav-lov for de sosiale tjenestene med andre tjenester også, inn i Nav-kontoret, er en større politisk debatt som vi må komme tilbake til. Men det er klart vi ikke kan overse at de praktiske problemene på Nav-kontorene knyttet til ulik arbeidstid og avlønning og den type ting overse at de praktiske problemene på Nav-kontorene knyttet til ulik arbeidstid og avlønning og den type ting skaper vanskeligheter på den enkelte arbeidsplass. Så har også Venstre hatt et innlegg her, der man snakket både om behov for større skjønn – og det er jeg ikke uenig i – og større individretting. Det er viktig. Men jeg vil jeg vil gjøre oppmerksom på at det er en stor fare ved å redusere rettigheter i lovgivningen, særlig de som er knyttet til de mest vanskeligstilte. Vi vet at folk med sterk egenkompetanse, som kanskje ikke er i en krisesituasjon, kan håndtere det; de er flinke til å snakke for seg sjøl, og de vet også hvordan man skal te seg i en vanskelig situasjon. Er man i krise og har hatt et vanskelig liv, hender det at man også kan komme i en så vanskelig situasjon at man virkelig trenger disse rettighetene som står der, helt uavhengig av hvordan man oppfører seg, eller hvor vanskelig man kan ha det i den akutte situasjonen. Jeg frykter at et stort rom for skjønn kan gjøre at de som har det mest vanskelig, ikke får rettighetene sine. Jeg er veldig opptatt av at vi har det for øye når vi ser på hvordan vi kan endre systemene. Det er sikkert mange regler her som man kan fjerne i framtida, og det er sikkert mange ordninger som kan slås sammen og brukes mer etter skjønn, men rettighetene for de mest vanskeligstilte må vi forsterke og ikke gjøre svakere. Venstre sier at vi i Stortinget skal være ombudsmenn. Ja, på et nivå der vi skal ta inn over oss det som skjer i samfunnet. For å si det sånn: Vi har hatt en pasientombudsordning i mange år. Det betyr ikke at jeg ikke hver eneste dag får flere e-poster som handler om helsevesenet. Hvis vi lager en Nav-ombudsordning, tror jeg ikke det betyr at vi ikke kommer i kontakt med disse menneskene. Men jeg er helt uenig i at den enkelte stortingsrepresentant skal følge opp den enkelte borger i forhold til forvaltningen og bistå den enkelte i saksbehandlingen. Vi har litt forskjellige meninger i dette huset. Skal vi gjennomføre slike prinsipper, kan det jo tenkes at det blir veldig annerledes hvis jeg skal følge opp denne ombudsrollen, enn om en representant for Fremskrittspartiet skal gjøre det. Jeg tror ikke at den forskjellsbehandlingen som da vil oppstå, er riktig. Derfor handler et Nav-ombud om den type praktisk oppfølging. Men det handler også om en systematisk oppsamling av de erfaringene som mange brukere har, og som kan være viktige innspill til endringer både i struktur og politikk. Til slutt kompetanseheving i Nav: Stortinget har flere ganger sagt at det må stilles klare kompetansekrav til de lokale Nav-kontorene, og Stortinget har sagt at det må stilles klare kompetansekrav til de lokale Nav-kontorene, og Stortinget har sagt at det må være både sosialfaglig og trygdefaglig kompetanse og attførings- og arbeidslivskompetanse i disse kontorene, selvfølgelig i tillegg til en rekke annen kompetanse som er nødvendig for å drive et slikt kontor. Jeg er veldig glad for at statsråden nå fokuserer på dette, og særlig at hun fokuserer på samhandling mellom de utdanningsretningene som tradisjonelt har vært inne i Nav, som selvfølgelig må være der framover, og samhandlingen med praksisfeltet, f.eks. gjennom de HUSK-prosjekter som foregår ved noen av våre høyskoler. Det er absolutt behov for mye mer samhandling mellom praksisfeltet og de utdanningene som skal serve velferdsstaten.

på sin økonomi. Det er sagt vektige ting om det, som jeg ikke skal gjenta, og innstillingen er meget klar i sin bedømmelse av dette. Riksrevisjonens rapport setter også søkelyset på hvordan Nav har fulgt opp de målsettinger som Stortinget har satt for reformen. Det ene målet er som kjent at Nav skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet, og at færre kommer på stønad. I denne sammenheng er Nav, som selve motoren i vårt velferdssystem, en helt avgjørende faktor. Men Nav er ikke den eneste faktoren for å lykkes med å nå det målet. Derfor kan ikke en manglende måloppnåelse på det punktet alene tilskrives Nav. Både storting og regjering må ta sin del av ansvaret for at vi i en periode som vi nå har bak oss, med rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft, ikke har klart å inkludere flere i arbeidsmarkedet enn det vi faktisk har. Det er et stort tankekors, for ikke å si det sterkere. Når det gjelder den andre hovedmålsettingen med denne reformen, nemlig å skape bedre brukerservice,

at «etableringen av forvaltningsenheter har medført konsekvenser for kompetansefordelingen i etaten i 2008, og Riksrevisjonen ser alvorlig på konsekvensen av dette. Komiteen» – dette er en samlet komité – «mener dette har gitt ulemper for brukerne og har ført til unødig lang saksbehandlingstid i ytelsesforvaltningen ved at saker sendes fra lokalkontorene til de såkalte forvaltningsenhetene for saksbehandling». Komiteen viser til at dette var et tema under høringen, og forutsetter at departementet vurderer endringer i grensesnittet. Etter min oppfatning har opprettelsen av spesialenheter for saksbehandlingen i Nav fått et langt større omfang enn det som noen gang var tilsiktet fra oss som arbeidet med denne planen i utgangspunktet. Det har ført til at kompetanse, myndighet og ansvar har forsvunnet fra førstelinjen og skapt nye kasteballproblemer, økt byråkrati, store frustrasjoner for brukere og ansatte og trolig en betydelig ineffektivitet. Jeg utfordrer statsråden som nå prisverdig har tatt tak i dette, og på en jeg si offensiv og ganske modig måte har latt det eksterne blikk få lov til å vurdere dette ved å ta brukerekspertisen med i vurderingen av dette, for det er brukererfaringene som egentlig er de avgjørende vurderingene for hvordan dette fungerer for dem som systemet er til for. Jeg ser at diverse professorer er for. Jeg ser at diverse professorer er tatt inn i ekspertutvalget, mens brukerekspertene må nøye seg med referanseplass. Det synes jeg ikke er klokt, statsråd. Så må jeg også få si at når det gjelder brukererfaring, handler det om å sette seg i brukerens sted og bedømme hvordan ting fungerer. Det er vel og bra at vi alle har hatt til hensikt å skille helsetjenester, syketransport og andre slike oppgaver ut av Nav og rendyrke disse oppgavene andre steder, men Stortinget har et ansvar for å se på hvordan det fungerer sett fra brukerens synsvinkel. Det er flott, som Laila Gustavsen sier, at vi frigjør arbeid ved at man får IKT-løsninger osv. Men hva med den store gruppen brukere som ikke nærmer seg en PC, og som får fullstendig fnatt – unnskyld uttrykket, president, det står muligens på presidentens liste, men da ber jeg om unnskyldning i forkant – av i det hele tatt å nærme seg, hva skal jeg si, et tastafondiktatur, hvor man ikke får snakke med mennesker og få hjelp til forholdsvis enkle og banale ting, men faktisk ganske grunnleggende ting i hverdagen? Jeg minner om at en stor del av brukerne er i en alder hvor IKT er gresk. Så må jeg også si at i forhold til brukerperspektivet kan man alltid skylde på ressurser, man kan alltid skylde på regelverk, men det er ingen unnskyldning for dårlig oppførsel. oppførsel. Jeg sier dette vel vitende om, og jeg er helt enig i det som er sagt om dem, at heltene i Nav-systemet gjør denne jobben hver eneste dag på en glimrende måte, de aller fleste er fornøyd. Men det er mange mennesker – det er litt for mange mennesker – som går ut av et Nav-kontor og føler seg litt mindre enn da de kom inn. Slik skal det ikke være, for de som jobber på Nav-kontoret, er brukernes tjenere, de er folkets tjenere, og de har å oppføre seg med vanlig folkeskikk. Egentlig skulle det være slik at du følte deg som et litt større menneske når du gikk ut av et Nav-kontor enn når du kom inn. Dette sier jeg i dyp respekt for kompleksiteten i den jobben som skal gjøres der – jeg vet ganske mye om det. Men det må være slik at god menneskebehandling er et hovedkrav til de som skal behandle mennesker på vegne av storting og regjering og det offentlige. Til slutt: Mye av det som er sagt her, handler jo om noe annet enn selve saken Stortinget behandler, nemlig hvordan reformen skal følges opp videre. Jeg vil gi min tilslutning til det initiativet statsråden har tatt, og gjenta rosen for det, og samtidig vil jeg gi statsråden en forsikring om at dersom hun skulle komme til at gjennomføring av denne reformen krever økte ressurser i forhold til den nødvendige fornyelsen av IKT-systemene, som er i gang, men som selvfølgelig kan kreve mer enn det man har planlagt, må hun for all del komme til Stortinget, og hun skal få Kristelig Folkepartis støtte til økte ressurser i så måte. Vi må ikke komme i den situasjonen som man nå har kommet i i politiet, hvor IKT blir en årsak til at politikammer etter politikammer må skjære ned på stillinger, mens Stortinget har vedtatt budsjettet i den tro at her var det økte ressurser – ja det var tidenes satsing på politiet. Vi må heller ikke komme i den situasjonen som man nå kommer i i deler av sykehusvesenet, hvor Stortinget er invitert til å gi sin tilslutning til betydelige organisatoriske endringer, og så viser det seg at disse organisatoriske endringer krever langt mer penger enn det noen har forutsatt, og så går dette ut over pasientene. 500 stillinger skal det nå skjæres ned på på Oslo universitetssykehus. Hvis denne type situasjon oppstår i Nav, må alarmen gå før det kommer så langt som det har gjort ved Oslo universitetssykehus og ved flere av landets politikamre. Helt til slutt: I dette arbeidet må man heller ikke undervurdere behovet for ressurser til den kultur- og kompetansereform som Det å gjennomføre en så kompleks reform av noe som på mange måter er hjertet i samfunnet vårt, krever betydelig omhu også i forhold til det som ikke er den harde kjerne, altså organisasjonsstruktur og IT, men det som har med mennesker å gjøre, kompetansen og kulturen i organisasjonen. Jeg er bekymret for at man for tidlig har trappet ned på ressursbruken i forhold til det, og vil gi det klare råd at den siden av saken ikke må undervurderes hvis man skal lykkes. Med den entydige holdningen i Stortinget om at vi inderlig ønsker å lykkes, og lykkes sammen, er vi

framover. Det er også enighet om at statsråden har vist mot, fordi hun har grepet fatt i forholdet mellom forvaltningsenhet og lokalkontor så raskt som hun har gjort, slik at vi kan se fram til at vi får forbedringer. For, som veldig, veldig mange har vært inne på, det at brukerne opplever at det verken er kompetanse eller kan fattes avgjørelser på Nav-kontorene, er antakelig noe av hovedproblemet, i hvert fall når vi hører alle de brukerne som har tatt kontakt med oss. Jeg skal også gjøre oppmerksom på en feil i innstillingen sett fra regjeringspartienes side. I nest siste avsnitt i Innst. 143 S – sak nr. 2 snakker vi da om skal regjeringspartiene være med på merknaden om manglende brukervennlighet. Ved en inkurie er vi falt ut. Det skulle da ha vært en enstemmig innstilling; det skulle vært en komitémerknad. La meg ta utgangspunkt i akkurat den merknaden, for det er viktig at mennesker som trenger hjelp, møtes med respekt og får hjelp. Det er egentlig det som står i den merknaden. den merknaden. Høybråten sa noe slikt som at det er viktig at vi setter oss i brukernes sted, og det tror jeg gjelder generelt i offentlig sektor: Vi skal av og til sette oss i brukernes sted, den vanlige mann og kvinne som oppsøker offentlige kontorer. For dette er, som komitélederen har sagt, også ryggraden i velferdssystemet vårt. Jeg synes eksempelet fra Politisk kvarter, som Per-Kristian Foss tok opp i dag, er illustrerende for at de aller, aller svakeste brukerne lider mest i slike situasjoner. Jeg var en av dem som høsten 2008 brukte veldig mye tid, sammen med bl.a. Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Marianne Marthinsen, for å få ut ekstra millioner kroner til tiltak for å få prostituerte ut av prostitusjon og inn i opplæring og arbeidstrening i det øyeblikk loven mot kjøp av sex trådte i kraft 1. januar 2009. Det lå også i stortingsbehandlingen at man skulle ha individuelle og tilpassede tiltak. Hvis det virkelig er slik at det har ligget 2 mill. kr ubrukt i ett år på Grünerløkka sosialkontor, er det veldig alvorlig og noe som vi må gripe fatt i. Både fagkomiteen og statsråden bør se på den saken så fort som mulig. Jeg skal også ta kontakt med Oslo kommune i den forbindelse. Så til slutt: Det er blitt sagt av flere her at Dag Terje Andersen tok mange grep sommeren 2008. Tidligere statsråd Andersen la fram St.prp. nr. 51 for 2008–2009, og blant de tiltakene som Stortinget sluttet seg til i forbindelse med behandlingen, var å se på grensesnittet mellom forvaltningsenhet og lokalkontor. Dette sier jeg til statsråden fordi det har vært oppe tidligere, så det er grunn til å gjøre noe med det. Det andre var å avdekke og fjerne ineffektive rutiner. Det tredje var å styrke kompetanseutvikling, eller sagt på en annen måte, slik det står i proposisjonen: «fylle kompetansegapene». Det var en forbedring av elektroniske selvbetjeningsrutiner. Så var det dette med å få utsatt innføring av arbeidsavklaringspenger til 1. mars – det skal for øvrig bli interessant å følge hvordan det utvikler seg og det var forenklet saksbehandling for dagpenger. Komiteen har ikke i denne omgang nevnt disse tiltakene, men vi har sagt at vi forutsetter at de tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med framlegging av St.prp. nr. 51, er fulgt opp, og at de videreføres. Det er i grunnen det viktigste budskapet som jeg kan gi her

Jeg mener at man skal være forsiktig med å måle kvaliteten på den tjenesten som gis, ut fra at alle som trenger tjenesten, skal fortsette å gå på Nav-kontoret. Jeg mener at de som trenger det, selvfølgelig må få hjelp, men, som jeg var inne på i mitt innlegg, er jo det beste for alle å unngå å gå på Nav-kontoret, altså at man får et som har direkte oppgjør mellom lege, apotek og det enkelte sykehus, at egenandeler blir registrert i et system, at pengene, dvs. eventuelt overskytende, kommer på konto, og at frikortet kommer i posten. Det er målet med det man gjør når det gjelder helserefusjoner. Ut fra mine betraktninger gir vi da bedre tjenester til folk, ikke dårligere.

Forslaget ble på sedvanlig måte nedstemt av det rød-grønne flertallet i saken, men det kom likevel noe positivt ut av det: Arbeidsrettet rehabilitering ble satt på dagsordenen. Ett av forslagene ble derfor faktisk fulgt opp fra Regjeringens side, selv om flertallet altså stemte det ned i stortingsbehandlingen. Det var forslaget om at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 skulle opprette en egen prosjektpost til finansiering av tiltak for arbeidsrettet rehabilitering. I statsbudsjettet for 2009 ble arbeidsrettet rehabilitering vedtatt som et landsdekkende

Bakgrunnen er for så vidt enkel: Der det i 2009 var egne budsjettmidler, i tillegg til overførte midler fra året i forveien, er det i 2010 en reelt sett 40 pst. lavere bevilgning enn i 2009. Tilbakemeldingene vi får fra tiltaksarrangørene, er foruroligende. Fylker som tidlig har satt i gang å lage prosjekter for arbeidsrettet rehabilitering, som har bygget opp kompetanse og tatt inn deltagere, må nå stenge dørene. Hvilken virkning dette har for den enkelte deltager, både motivasjonsmessig og mulighetsmessig, kan man jo lett forestille seg: håpløshet, maktesløshet, opplevelsen av at det offentlige hjelpeapparatet ikke er der for dem. Det samme kan jo sies fra tiltaksarrangørenes side: De følger opp vedtak og forutsetninger, de investerer i for så å oppleve at bestillingene erstattes med kutt. Nav ber om reforhandling av avtaler, som reelt sett innebærer at tiltaket ikke vil benyttes. Fra Nav kommer det i tillegg signaler om at tiltaket ikke tilbys fordi det er for dyrt. Hvor er logikken? Stortinget har ønsket dette tiltaket. Vi har forholdt oss til de måltall som Regjeringen har presentert for Og så ser vi altså at det vil være et reelt kutt i tiltaket allerede før det har gått en–to måneder ut i 2010, fordi pengene er brukt opp. Dette håper jeg ikke blir et mønster under den rød-grønne regjeringen. Vi ser stadig at flere jobbsøkende yrkeshemmede står i kø for å komme på tiltak – seneste tall er 98 000 mennesker. Det er 30 000 flere enn den Norge. I en kommentar til de nye tallene uttaler direktør for NHO attføringsbedriftene: «Det mangler ikke på nye tiltak og forslag fra regjeringens side, men vi stiller alvorlige spørsmål ved gjennomføringskraften.» Det er ikke bare i Attføringsbedriftene de stiller seg dette spørsmålet. Vi i Høyre stiller det samme spørsmålet, og jeg vil tro mange av de sykmeldte som nå møtes med en

Likevel er det bare om lag én pst. av langtidssykmeldte som får tilbud om slikt tiltak. Dette alene burde tilsi at tiltaket styrkes, og at flere får tilbud om det. I stedet opplever vi nå altså at det kuttes i det. Jeg vil anta at statsråden i sitt svarinnlegg vil vise til at den øremerkede bevilgningen til arbeidsrettet rehabilitering i 2010 tross alt er noe høyere enn i 2009. Men hva hjelper det når erfaringen tilsier at det nivået en foreløpig har klart å opprettholde og opparbeide, har vært avhengig av overførte midler fra tidligere år? Burde ikke Regjeringen tatt dette inn i beregningene for 2010, kanskje særlig ettersom det har vært et sterkt ønske fra både Stortinget og tiltaksarrangørene om å satse på dette tiltaket? I forrige uke eller vel det – framla statsråd Bjurstrøm og Regjeringen den nye IA-avtalen, der målsettingen er å redusere sykefraværet med 20 pst. fram til 2013. Jeg er glad for at avtalen støtter seg på flere av de forslagene som Høyre tidligere har tatt til orde for og fremmet, om tidligere inngripen, aktiv oppfølging og tilrettelegging, og medvirkning fra den sykmeldte. Det var likevel lite nytt i den nye avtalen, utover at stoppunktene er flyttet tidligere i sykmeldingsperioden. Et annet godt råd som mange har forsøkt å gi, er også mer attføring. Ventetiden for å få arbeidsrettede tiltak og attføring er nesten tre år. Til tross for at det i mer enn en måned har vært kjent at det kuttes i arbeidsrettet rehabilitering, kom det heller ingen signaler fra statsråden om hvordan dette skal løses. Strengt tatt har statsråden og Regjeringen vært lite synlige i hele sykefraværsdebatten etter statsministerens nyttårstale, hvor det ble invitert til samarbeid for arbeid. Det er mange som vil samarbeide med Regjeringen. Høyre vil samarbeide, og det er derfor vi tar opp dette her i dag, på samme måte som vi tidligere har fremmet forslag om så vel arbeidsrettet rehabilitering som en rekke tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Tiltaksarrangørene vil samarbeide. Attføringsbedriftene har i løpet av få år bygget opp stor kompetanse på å drive denne typen tiltak. Og de har kapasitet til å hjelpe folk. De sykmeldte vil selv samarbeide. Som mange har vært inne på flere ganger: Det er ingen som vil være syk, eller som vil ha uførepensjon. Mange er faktisk innstilt på omskolering, enten det er i forhold til arbeidsoppgaver, arbeidssted eller i forhold til å mestre helseutfordringer, arbeidssituasjonen og livet.

og skal avslutte med å minne om at første anledning for Regjeringen til å gjøre noe med akkurat dette temaet er allerede i revidert nasjonalbudsjett. På

I løpet av 2007 etablerte Arbeids- og velferdsetaten tjenestene avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte innenfor sin del av budsjettrammen. Ettersom dette var nye tjenester, tok det tid for etaten å komme i gang. Både de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten har gjennom anbudskonkurranser inngått avtaler med et stort antall leverandører innen arbeidsrettet rehabilitering over hele landet, inkludert dag- og døgnbaserte tilbud. Innenfor ordningen Raskere tilbake har pr. august 2009 over 50 000 sykmeldte siden oppstarten i 2007 fått tilbud om helse- og rehabiliteringstjenester i sykefraværsoppfølgingen. I løpet av 2007

For Arbeids- og velferdsetaten ligger gjennomsnittlig aktivitet i 2009 på knapt 1 000 personer fram til august. Tall for hele 2009 vil foreligge i løpet av kort tid. Fra 2009 ble målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering i regi av etaten utvidet til å omfatte personer med nedsatt arbeidsevne og etablert som et regulært arbeidsrettet tiltak finansiert over Dette kom som et tillegg til det allerede etablerte tilbudet for sykmeldte under kap. 605 post 70. Det er således samme tilbud for de to målgruppene, men forskjellig finansiering. Arbeids- og velferdsetaten har opplyst at den disponible økonomiske rammen for ordningen Raskere tilbake var ekstraordinært høy i 2009, med et nivå som var om lag 22 pst. høyere enn tildelt beløp i statsbudsjettet for 2010. Dette skyldtes at uutnyttede midler ble overført fra 2007 til 2008 og videre til 2009. Overføringen av midler ga rom for høyere aktivitet under ordningen i 2009 enn i de foregående år. I løpet av 2009 trappet etaten opp aktiviteten i tilbudene, slik at midlene ble utnyttet. Dette førte til at en måtte tilpasse seg en betydelig lavere disponibel ramme i 2010 sammenlignet med 2009. Budsjettet for 2010 innbærer en økning nominelt i tildelte midler fra 216,5 mill. kr til 220,9 mill. kr, dvs. på om lag samme nivå reelt sett. Gitt målkravet om antall tiltaksplasser og bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak over kap. 634 post 76 i 2010, har Arbeids- og velferdsetaten vurdert det slik at det er begrenset rom innen bevilgningen for arbeidsrettet rehabilitering for andre grupper enn sykmeldte. Det enkelte fylke har imidlertid innenfor sine rammer mulighet til å foreta egne prioriteringer av tiltaksmidlene. At innsatsen for 2009 var høyere enn det de bevilgede midler for 2009 ga rom for, medførte at flere brukere dette året fikk tilbud om Raskere tilbake og således kunne komme raskere tilbake til arbeid. Dette må betraktes som positivt. Samtidig har jeg forståelse for at det har skapt forventninger hos leverandørene. Jeg har forståelse for at denne situasjonen med mindre tilgjengelige midler i 2010 enn i 2009 er utfordrende for både leverandører, etaten og brukere som har behov for slike tilbud. Arbeidsdepartementet følger opp tiltaksbruken generelt overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet. I tillegg ser departementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet på hva som kan gjøres innenfor de eksisterende rammer totalt sett. Det er behov for et bredt sett av virkemidler overfor personer med nedsatt arbeidsevne, herunder de sykmeldte. Regjeringen er opptatt av å videreutvikle tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og styrke kunnskapen om hva som virker på dette feltet. I budsjettet for 2010 er det avsatt midler til metodeutviklingsforsøk innen arbeidsrettet rehabilitering som evalueres. Ordningen Raskere tilbake og arbeidsrettet rehabilitering vil også vurderes nærmere på bakgrunn av effektevaluering fra Samfunns- og næringslivsforskning AS.

næringslivsforskning AS. Jeg takker statsråden for svaret, og deler av det hadde jeg jo selv røpet i mitt innlegg, ettersom både Stortinget og statsråden er kjent med at aktiviteten i 2009 lå på et nivå som var noe høyere enn den reelle budsjettplanken for det samme år. Men det viser jo nettopp at det er behov for denne type tiltak. Jeg er glad for at statsråden også sier at Regjeringen er opptatt av å bredde tiltakene innenfor dette. Jeg er også kjent med at statsråden har møtt attføringsbedriftene, og det er jo slik at også de lurer på hva som skjer med denne saken – selvfølgelig.

taket må ned, antallet må ned, på grunn av pengemangel allerede i januar/februar i 2010, synes jeg at vi på vegne av disse brukerne heller burde sett en opptrapping. Både i tilbakemeldinger fra Nav lokalt, fra brukerne og fra leger og arbeidsgivere sier man altså at dette er gode tiltak. Bedriftene selv melder om at 60–70 pst. av dem som går inn på tiltakene, kommer tilbake i jobb. Da blir det fristende med retoriske spørsmål: Regjeringen tror vel på at attføring og tidlig inngripen er riktig? Og er det ikke like viktig å stille opp for langtidssykmeldte og utsatte grupper for å hindre unødvendig uføretrygd som noe annet i denne sammenheng?

Statsråden sa at ordningen var ny og under opptrapping i fasen i 2008 mot 2009. Derfor ble 145 mill. kr overført, fordi alle pengene ikke ble brukt. Det gir en reell økning for dem det gjelder, og jeg håper at statsråden kan sende en beskjed til både bruker og Nav og leverandører om at dette vil hun rydde opp i. Jeg vil med en

Det er ikke slik at man prioriterer dette mindre i 2010 enn man reelt sett gjorde i 2009. Men jeg ser klart at det er et viktig behov her. For Regjeringen er det særlig viktig, nettopp som også representanten viste til, det arbeidet man nå har gjort med IA-avtalen, hvor det å kunne få folk raskt over på rehabilitering for å hindre

øyne. Selv om hensikten med denne interpellasjonen åpenbart er å peke på behovet for mer penger og større innsats i arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering, gir det en kjærkommen anledning til å reise noen betimelige spørsmål: Hva får vi egentlig igjen for innsatsen? Hva er effekten av de tiltakene vi treffer? Eller rettere sagt: Ville vi fått igjen for pengene om vi hadde brukt pengene alternativt, altså på andre tiltak med større virkning for sykefraværet og derav følgende utstøting fra arbeidslivet? Når det etter min oppfatning er nødvendig å stille slike spørsmål, er det fordi vi altfor sjelden evaluerer eller måler effekten av tiltak vi setter i verk, og fordi nyere norsk arbeidslivsforskning faktisk betviler nytten av det vi gjør, eller i det minste stiller spørsmål om hvor stor nytten egentlig er. Ett slikt tiltak er ordningen med kjøp av helsetjenester for sykmeldte som venter på behandling, altså Raskere tilbake. I utgangspunktet bevilget Stortinget hele 600 mill. kr til kjøp av slike tjenester, vel vitende om at alle akutte lidelser behandles umiddelbart. I ettertid stiller forskerne spørsmål om ordningen har hatt den forventede effekt, og om den har truffet de pasientgruppene som i første rekke er årsak til det høye sykefraværet. Jeg refererer ikke til dette fordi jeg mener at Raskere tilbake er et unyttig tiltak, men fordi vi aldri har undersøkt effekten av det. Det gjelder for øvrig de fleste av våre attførings- og rehabiliteringstiltak. Vi vet for lite om dem, men lever lykkelig i troen på dem.

at vi i første rekke bør øke ressursinnsatsen, også fordi vi har sikker viten om at mennesker som har vært borte fra arbeid over lang tid, blir mer og mer uføre av selve fraværet, og til slutt mister arbeidsevnen. Desto mer krevende blir det selvfølgelig å gjenvinne slike personers evne til å arbeide. Dessuten synes jeg det er grunn til å understreke våre mange og ulike attførings- og rehabiliteringsordninger som er og må være rettet inn mot den enkeltes behov. Det er selvfølgelig også grunnen til at vi har et så variert tilbud. Muskel- og skjelettlidelser – les: ryggplager – og psykiske lidelser er hovedårsaker til sykefraværet her til lands. Danskene er også opptatt av dette. Det danske forskningssenteret for arbeidsmiljø har derfor laget en hvitbok om sykefravær og tilbakeføring til arbeid ved «muskel- og skeletbesvær», som det heter på de kanter. Her anbefales det bl.a. at pasienter med slike lidelser holder seg fysisk i gang, og at arbeid i mange tilfeller anses som del av terapien. Videre anbefaler hvitboken at arbeidsforholdet og arbeidsplassene tilpasses slik at mennesker med «muskel- og skeletbesvær» kan arbeide i størst mulig omfang, selv om det ikke lar seg gjøre med 100 pst. effektivitet. På samme måte vet vi at mange av dem som sliter med psykiske lidelser, faktisk ville hatt bedre av å gå på jobb framfor å gå sykmeldt, forutsatt selvfølgelig at bedriften og arbeidskollegene ble satt i stand til å ta imot dem. Det er solid grunnlag for å hevde at mange faktisk blir sykere av å gå hjemme og pleie sin sykdom. sin sykdom. Forleden hørte jeg en lege og professor uttale at han ofte kunne ha ønsket seg en mulighet for å sykmelde pasienter fra hjemmet. Jeg synes dette er nyttig viten når vi skal målrette vår innsats og gjøre våre prioriteringer. Arbeidsrettet rehabilitering er et viktig tiltak for dem som er sykmeldte. Arbeid, velferd og

av tradisjonelle sektorinndelte roller og ansvarsdeling mellom helse- og arbeidsrelaterte tjenester. Finansiering av tjenester og tiltak er et tilbakevendende tema. Fremskrittspartiet mener at et rehabiliteringstilbud med sammenheng mellom helse, arbeid og velferd bør ha en helhetlig statlig finansiering gjennom Nav-systemet, og at det ikke skal være delt ansvar, slik det fortsatt er. Det må settes av nok midler i budsjettsammenheng. Ifølge de regionale helseforetakene, som – slik statsråden nevnte – står for to tredjedeler av budsjettposten, er ikke arbeidsrettet rehabilitering en spesialisthelsetjeneste. Men på tross av det kjøper de denne type tjenester gjennom Raskere tilbake. Nav har ifølge Arbeidsforskningsinstituttets rapport fra 2007 kommet kort i tenkingen knyttet til hvordan arbeidet med helsetjenesten skal foregå, noe som rammer de sykmeldte ved at de ikke får optimal oppfølging. Vi får også mange henvendelser som viser dette, så det er mye som tyder på at dette ikke har bedret seg. I hvert fall er det ikke på langt nær godt nok. Delt ansvar har også ført til at det har blitt utviklet parallelle bestillersystemer, med ulike kravspesifikasjoner fra leverandørene for kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte. Raskere tilbake er tiltak hvor Nav har etablert egne tjenester for å hjelpe sykmeldte tilbake til arbeid, der brukerne kan få tilbud om arbeidsrettet rehabilitering, avklaring av arbeidskapasitet og oppfølging. Det er viktig også for å forebygge uførhet. Dette tiltaket er en del av IA-samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Fremskrittspartiet mener derfor at det spørsmålet som interpellanten nå tar opp, som gjelder å øke bevilgningen til arbeidsrettet rehabilitering, er høyst aktuelt å stille. Det er helt uakseptabelt å kutte i et tilbud som har som å føre sykmeldte tilbake til jobb, og spesielt nå som statsråden har varslet at kampen mot det høye langtidsfraværet har startet. Det må nok mer enn ord til for å endre sykmeldingsstatistikken. Slik vi ser det, vil det også være behov for økning av tiltakene arbeidsrettet rehabilitering og avklaring hvis den nye ordningen med arbeidsavklaringspengene skal fungere etter intensjonen. For dem som ikke kan gå tilbake til arbeidslivet, er det også en stor påkjenning ikke å få avklart sin situasjon.

Tjenestene tilbys nå både som dagtilbud og døgntilbud, og det er bra, for det er ikke alle som ønsker eller har behov for døgntilbud. Da er det også bra at det er gode dagtilbud ute i nærmiljøene. Brukerne deltar ofte i ulike mestringsprosjekt, livsstyrketreningsprosjekt, IA-grupper, hvor motivasjon, fysisk trening, innsikt i egen helse, kosthold og hvordan endre livsstil bidrar til at brukerne klarer å tilpasse seg sin egen helsesituasjon på en ny måte. Det var også med stor interesse at komiteen fikk høre om tiltakene som er i gang i Vestfold Nav, som retter seg mot dem med lettere psykiske lidelser. Mange av brukerne har imidlertid mer omfattende behov enn hva disse institusjonene kan tilby, og andre ganger har brukerne helt andre behov – de trenger bare tid til å bli friske. Sykmeldte som har en skade, må kunne få fred og må kunne få tid til å Flere av rehabiliteringssentrene har gitt uttrykk for at de ønsker å komme tidligere inn i sykdomsforløpet, og jeg er derfor positiv til de signalene som statsråden nå har gitt, at det kan bli aktuelt. Det er viktig å få inn tiltak tidlig, for vi vet at det er lettere å gå inn i uførhet hvis en går lenge sykmeldt. Kjøp av avklarings- og oppfølgingstjenester kan kun gjøres til yrkeshemmede og ikke til langtidsledige, ungdom, innvandrere, Fremskrittspartiet mener at det også er behov for tiltak overfor disse gruppene, som utgjør en stadig økende andel av dem som til slutt ender opp som uføretrygdede og fattige. Selv om ikke denne gruppen går inn under IA-avtalen, er det for mange av dem et klart behov for arbeidsrettede tiltaksplasser som forhindrer utvikling av sykdom – kall det gjerne Så vi støtter i hvert fall helt og fullt interpellanten, som etterlyser mer penger til arbeidsrettet rehabilitering, og håper at det vil komme en satsing på det området i revidert budsjett. Jeg er ikke i tvil om at arbeidsrettet rehabilitering og

pekte komiteen på behovet for bedre rapportering på effekt og hvilke kvalitetsmål vi skulle sette på oppfølgingen av tiltakene generelt gjennom Nav. Vi pekte også på behovet for samhandling med andre etater, f.eks. helse og utdanning, i dette arbeidet. Det har også stått sentralt i denne debatten at her må man komme i gang raskt og komme i et samarbeid der brukeren får et helhetlig tilbud. For hvis man er sykmeldt, har man jo behov for noen tjenester fra helsevesenet også. Raskere tilbake-pengene er, som flere har sagt, delt mellom Nav og helseforetakene. Jeg er kjent med at fagfeltet som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, nå spesielt knyttet til det som gjelder oppfølging av mennesker med lettere psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Det er interessant å se på kvalitetsmålene for eget arbeid og fagligheten i det, men også oppfølgingen som de planlegger i forhold til egen virksomhet. Det er nødvendig med en slik systematikk i alt dette arbeidet,

for. Stortinget har satt noen måltall for oppfølging av ulike grupper, men – jeg har sagt det fra Stortingets talerstol før og gjentar det gjerne – de måltallene er ikke hellige tall. Det som er viktig, er at etaten følger opp dem som trenger mest hjelp og der man mener at effekten er god, og at man har tidlig hjelp til flest mulig. Jeg imøteser også det arbeidet som statsråden og Regjeringen nå skal gjøre fram mot revidert budsjett på dette området, sånn at vi nå kan se at denne oppgaven som vi snakker om i dag, arbeidsrettet rehabilitering, men også feltet attføring generelt og oppfølging av dem som har sammensatte behov, blir forsterket. Dette for at vi ikke skal oppleve det vi har opplevd de to siste årene: at etaten ikke har greid å bruke opp de pengene som Stortinget har avsatt til å hjelpe folk som står utenfor arbeidslivet, enten det nå er sykdom eller mangel på kompetanse eller andre typer problemer det gjelder. Det er ikke noen tvil om at de avtalene knyttet til arbeidsrettet rehabilitering som Nav har inngått, har skapt forventninger både hos brukerne og hos dem som forsøker å tilby disse oppdragene. Jeg opplever nok at det har vært uheldig i denne situasjonen, for jeg regner med at etaten har gitt sine innspill til budsjettet, slik at det hadde vært mulig å stoppe dette tidligere. Men jeg kunne også tenke meg at statsråden kunne si litt om hvordan man

pst. Arbeidsretta rehabilitering er eitt av verkemidla for å få menneske raskare tilbake i jobb. Derfor burde dette tiltaket opprioriterast og ikkje nedprioriterast. Eg har besøkt fleire institusjonar og fleire som har fortalt litt om dei ulike tiltaka som dei jobbar med. Det eg synest er utruleg spennande med denne gruppa, er at dei greier å sjå at menneska er heile menneske og at mennesket er meir enn berre arbeidssituasjonen. Som oftast gjeld dette menneske med samansette behov muskel- og skjelettplager og kanskje psykiske plager – og mange av dei har vore lenge vekk frå arbeidslivet eller vore sjukmelde over lengre tid. At ein då klarar å sjå at det ikkje nødvendigvis er situasjonen på arbeidsplassen eller innanfor arbeidsgivar si rekkjevidd å kunne gjere noko med problema, synest eg er interessant. Den måten fleire tilbod rettar seg inn på, er å sjå det meir i eit 24-timars perspektiv, der ein ser at ein må meistre privatlivet for å kunne meistre arbeidsplassen. Eg synest det er utruleg spennande at ein klarar å få ein slik type tiltak. Meir til debatten som har vore og signal som eg har fått. Ein lokal Nav-leiar seier f.eks. klårt og tydeleg at i midten av februar var det tomt Det betyr at dei fekk signal om å seie stopp til fleire om å leie folk til tiltak. Det var altså i midten av februar – halvannan månad ut i det nye året. Det synest eg er utfordrande, for det signalet kan vere uheldig. I eit anna fylke sa dei på forvaltinga at dei hadde eit overforbruk, men eit bevisst overforbruk. Dei rapporterte inn for å kunne fortsetje på same måten fordi dei meinte at tiltaka var så viktige. viktige. Der meiner eg me er ved nøkkelen, for viss tiltaka er gode, viss ein trur på dei, må det satsast. Eg trur det er slik med nye tiltak at det ofte tek tid før ein kan bruke dei, fordi – som fleire òg har sagt – ein er litt usikker på om verknaden er der. Men når tiltaka er der og begynner å verke, og det då blir meldt at sorry, det er tomt på budsjettet, de må stoppe, er det eit svært uheldig signal å sende ut. For det som då skjer, er at kompetanse som er bygd opp, må byggjast ned, eller at dei Nav-kontora som tidlegare leidde menneske ut til denne typen tiltak, ikkje gjer det lenger fordi pengane ikkje er der. Då mister me det gode tilbodet, og dei som tidlegare var vande med å leie over på arbeidsretta rehabilitering, gjer ikkje Det er svært uheldig. Derfor må eg seie at når representanten Steinar Gullvåg begynner å stille spørsmål, er det kanskje på sin plass – og det er alltid lurt å stille spørsmål om korleis ting fungerer – men signalet ut må ikkje bli at me set spørsmålsteikn ved om arbeidsretta rehabilitering fungerer. rehabilitering fungerer. Det same gjeld det signalet statsråden gir i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Det meiner eg må vere klart og tydeleg at ja, me kjem med fleire pengar, fordi det er viktig. Dersom signalet om at det kjem meir pengar er der, trur eg òg at Nav-kontora faktisk vil bruke tilbodet og dermed fortsetje opptrappinga og få endå fleire raskare tilbake i arbeidslivet. Det hjelper veldig lite med samtaler og planar for oppfølging av sjukmelde, dersom tiltaka for faktisk å hjelpe dei tilbake ikkje er til

nok. Eg trur at for å hindre at desse menneska blir ståande i eit lengre sjukefråver i ein lengre periode utanfor arbeidslivet og kanskje ikkje kjem tilbake, er arbeidsretta rehabilitering eit av dei tilboda som vil sørgje for at måla i IA-avtala lettare kan bli nådde. Venstre er på lik linje med andre i denne sal en varm forsvarer av gode velferdsordninger og

Derfor vil jeg berømme interpellanten som tar opp dette viktige temaet. Norge er et godt land å bo i på de fleste områder. Vi har en godt utbygd velferdsstat, som Venstre historisk har vært en pådriver for. Årlig bruker vi store summer på helse- og omsorgsfeltet. Det er positivt, men likevel finner vi utfordringer også på dette området. Bedre rehabilitering er ett av disse områdene. Hvis primærhelsetjenesten fikk bedre muligheter til å gjennomføre rehabilitering og kjøpe flere behandlingsplasser, ville vi kunne hindre at flere havner i et langvarig sykdomsforløp, som i en del tilfeller ender med uføretrygd, som vi også har hørt flere ganger her i dag. En setning som jeg merket meg i statsministerens nyttårstale, som også interpellanten var inne på, var at Regjeringen vil satse på arbeid, fordi vi lever av hverandres arbeid. Det er det ingen tvil om. Økonomien avhenger av manges daglige bidrag, og de som er i arbeid, bidrar til mange gode velferdstilbud. Det er nettopp derfor rehabilitering er så viktig, for rehabilitering gir økt livskvalitet samtidig som det handler om å få folk tilbake i arbeid etter opphold i helsevesenet, det gjelder særlig eldre som å bidra. Det er bra for økonomien, det er bra for fellesskapet, og det er bra for den enkelte. Så står vi overfor en del utfordringer i fremtiden som må håndteres klokt. Vi kommer til å få en befolkning med et økende antall pleietrengende eldre, og vi kan oppleve mulig mangel på arbeidskraft. Det positive er at stadig flere overlever alvorlige skader og sykdommer. Det er flott at vi stadig blir eldre, men det betinger at vi møter dette på en virkningsfull måte. Etter Venstres syn er en bedre rehabilitering nøkkelen til dette – økt satsing på rehabilitering og forebygging ved å sørge for at kronikere, rusmisbrukere og mennesker med funksjonsnedsettelser kan komme i jobb. Derfor har Venstre prioritert 200 mill. kr ekstra til rehabilitering i vårt alternative statsbudsjett for 2010. Venstre har satset på å styrke primærhelsetjenesten på en rekke områder, bl.a. gjennom økt kapasitet og bedre tilbud av helsesøstre og helsestasjoner. Jeg vil oppfordre helse- og omsorgsministeren til å ta med seg Venstres forslag om å øke bevilgningene til dette i forbindelse med revisjonen av statsbudsjettet.

kritisert for å mene at Raskere tilbake og tidlig innsats ikke er viktig. Det er ikke det vi mener, tvert imot mener vi at Raskere tilbake og tidlig innsats mot den sykmeldte er avgjørende for å hindre langtidsfravær. Men vi er nødt til å se på om de tiltakene vi tilbyr, faktisk er av en slik kvalitet at de virker. Derfor

å ha deltatt for lite i debatten. Da vil jeg også bruke anledningen her til å svare på det. Før jul ble Regjeringen, og da særlig statsministeren, i denne salen kritisert for å ha tenkt for mye høyt. Og nå blir vi kritisert for å ha tenkt for lite høyt. Det er med respekt å Det var statsministeren og Regjeringen som startet den brede og folkelige debatten vi har hatt om sykefravær helt siden statsbudsjettet ble lagt fram. Vi inviterte til en bred debatt der alle skulle delta. Og alle har deltatt. Vi har fått enormt gode diskusjoner om hvordan vi skal redusere sykefraværet, rundt omkring på den enkelte arbeidsplass og rundt kantinebordene. Vi har vært aktive og reist ut til bedrifter, statsministeren har deltatt i debatten nesten daglig, og statsråden som sitter her i dag, har vært i enhver kanal – overalt hele tiden. Vi har vært opptatt av å få innspill i denne debatten, og det har vi fått. Det har lagt grunnlaget for at Regjeringen har satt seg ned sammen med partene i arbeidslivet og nå signert en ny og mer kraftfull IA-avtale, som vi har tro på vil kunne få ned sykefraværet framover. Så blir det sagt at det er ikke noe nytt i avtalen. Det er jo heller ikke riktig. Mye i IA-avtalen er nytt, men først og fremst gjør vi mer av det vi vet fungerer. Det er ikke noe hokus pokus som skal få ned sykefraværet. Det med bruk av gradert sykemelding som hovedregel tror vi er riktig, å fokusere på nærværet til arbeidsplassen selv om man er syk, det er nytt, legenes rolle skjerpes, det er nytt, og partene er enige om at man skal se på en modell for økt arbeidsgiverfinansiering, det er også nytt. Jeg vil utfordre opposisjonen tilbake – gjerne ved en annen anledning – om hva det er opposisjonen savner. Jeg oppfatter at i denne debatten vi har hatt, der Regjeringen og regjeringspartiene har vært svært aktive land og strand rundt med hvordan vi skal få ned sykefraværet, har opposisjonen vært opposisjonen komme med noen forslag til nye tiltak i en IA-avtale. Tvert imot: Det eneste jeg har fått med meg at opposisjonen har ropt på er mer pisk, mindre gulrot, normerte sykemeldinger – som i den svenske modellen – som handler om å presse syke folk tilbake til arbeid, og at representantene fra Høyre har vært misfornøyd med at partene i bruker bedre tid på å finne en god modell for økt arbeidsgiverfinansiering, slik at vi kan få en gulrotordning for bedrifter som faktisk forebygger bedre. Det er det eneste jeg har hørt at opposisjonen savner. De har ikke kommet med noen forslag til hva en ny og mer kraftfull IA-avtale skal inneholde. Det er det regjeringspartiene sammen med partene i arbeidslivet som har gjort.

så å forsvinne igjen. Vi har jo også valgte politikere for at de skal vise litt lederskap. Problemet med debatten er jo at statsministeren var der, på LOs konferanse, og startet debatten. Så ble han borte. Han var ikke til stede i debatten gjennom flere måneder. Og så har man svart på utfordringen med å komme med en IA-avtale som er tannløs – det er lite nytt – og å dra rundt på rådslagning. Jeg synes det er ganske paradoksalt at man etter å ha vunnet et valg på programmer som er vedtatt, og etter å ha vedtatt en regjeringserklæring for neste periode skal ut og spørre om råd. Hvis det skulle stå til troende, måtte man ha gått ut og spurt om råd før man vedtok programmene sine. Men nok om det. Jeg har et konkret spørsmål til statsråden, på bakgrunn av at vi

betyr det da at noen har unnlatt å informere statsråden om situasjonen, og at statsråden ikke har hatt oversikt over sitt felt? Hvis det er sånn at statsråden var klar over det, må jo det bety at statsråden med vitende og vilje har styrt mot den bråstoppen som vi ser i dag. Det er eit viktig tema interpellanten i dag, så takk til interpellanten for det! Eg skal ikkje gå så mykje i djupna når det gjeld å snakka om kor viktig det er med arbeidsretta rehabilitering. Det er kjempeviktig. Mi store bekymring gjeld langsiktigheit og føreseielegheit for dei som leverer desse tenestene. Fleire har teke opp det med at fleire har fått stoppordre når det gjeld å levera meir av tenestene. Det er bekymringsfullt. I å levera meir av tenestene. Det er bekymringsfullt. I budsjettet for fjoråret stod det ei setning om at ein skal ha ei større føreseielegheit når det gjeld avtalar. Det er positivt. Så takk til Regjeringa for det. Men det hjelper jo veldig lite når eit rehabiliteringssenter fekk eit brev den 25. februar, der det blir varsla full stopp frå den 1. mars. Det er ikkje mange dagane, det. Då lurer eg på: Har statsråden noko svar å gi på om kva ein gjer frå mars og kanskje fram til revidert budsjett? Det er jo forferdeleg å tenkja på at brukarar blir skadelidande, og dei tilsette ikkje minst. Dei har faktisk krav

Det skapes av og til et inntrykk av at det er politisk uenighet om dette, at noen vil dette mer enn andre. Det håper jeg vi kan tilbakelegge. Men politikk er faktisk ikke bare å ville, men også å sørge for at noe blir gjort. Mange av dem som har lyttet til Regjeringens beundring av den norske modellen med at man skal bruke og at det skal satses på fellesskapsløsninger og ikke skattelette, har grunn til å være skuffet. De som venter på å komme inn på arbeidsrettet rehabilitering, møtes nemlig ikke av varme og omsorg, men av en kald skulder. Hvilket inntrykk man sitter igjen med når man opplever at løfter brytes, og at satsinger ikke kommer, når dører stenges og muligheter ødelegges, kan vi vel egentlig bare forestille oss, vi som er i den privilegerte enden av skalaen. Debatten har vært interessant og fin, og jeg er glad for støtten i den. I den forbindelse vil jeg gjerne vise til Gullvåg fra Arbeiderpartiet, som sa at tidlig innsats er viktig for at folk kommer tilbake på jobb, og at mange med psykiske lidelser vil bli friskere av å komme tilbake på jobb. Nettopp derfor er arbeidsrettet rehabilitering så flott – det er gjerne tidlig i sykmeldingsperioden, Debatten i dag har bekreftet at vi har et samlet engasjement for disse utfordringene. Men jeg ønsker å påpeke at det faktisk er tre partier i denne salen som sitter med flertall og regjeringsmakt. Derfor var det både med glede og uro jeg hørte Karin Andersen uttrykke forhåpninger til revidert Når vi fra Høyre tidligere har tatt opp forslag på dette området, har de nærmest systematisk blitt nedstemt. Det kan vi leve med, sånn er kanskje situasjonen. Men de som venter på tiltak nå, og de som møter de stengte dørene, de som står i stor fare for å falle ut av arbeidslivet, de kan ikke vente. De fortjener faktisk at statsråden nå sørger for å sette handling bak ordene. Første anledning for statsråden til å gjøre det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Den sjansen bør hun ikke la gå fra seg, seg, særlig når hun nettopp har sagt fra denne talerstolen at hun ser klart at dette er et viktig behov. Jeg vil også få lov til å avslutte med å takke for debatten. Jeg er glad for at det er en så Jeg vil også få lov til å avslutte med å takke for debatten. Jeg er glad for at det er en så bred politisk enighet om at nettopp denne type tiltak er veldig viktig for å få folk tilbake til arbeid, forutsatt, som flere har vært inne på, at de virker etter sin hensikt. Jeg kan hensikt. Jeg kan da, som jeg også understreket i innlegget mitt, vise til at vi har i gang en evaluering nettopp for å se på om Raskere tilbake virker etter sin hensikt. Jeg er også enig i det som er blitt sagt, at det er typisk at det er den tidlige innsatsen som er helt avgjørende. Det viser alle undersøkelser, og det er nettopp derfor tidlig innsats er hele Jeg skal ikke bruke så mye av den tiden jeg har, til å snakke om IA-avtalen, men jeg har lyst til å understreke at jeg, i likhet med partene i arbeidslivet, har tro på at den nye IA-avtalen faktisk har viktige elementer i seg til å kunne virke inn på sykefraværet, og at det man gjør, som andre har vært inne på, nettopp er at man tar tak i de tingene man vet virker. Jeg har lyst til å si at sykefraværet er en så stor utfordring for oss alle og for samfunnet, at å tro at det er ett eller to virkemidler som man raskt kunne grepet til, det er ikke riktig. Det vi har gjort, er at vi i all hovedsak har fulgt alle anbefalingene fra det ekspertutvalget som ble satt ned, og som er alle anbefalingene fra det ekspertutvalget som ble satt ned, og som er de som presumptivt kan dette best. Så har vi sagt at når det gjelder arbeidsgivers motivasjon for å gjøre noe med langtidsfraværet, altså finansieringsordningen, skal vi i fellesskap vurdere dette og konkludere i slutten av året. Det jeg sa innledningsvis, selvfølgelig uheldig at man gjennom den måten man har budsjettert dette på, har fått et unødvendig høyt forventningsnivå både hos både hos brukerne og, ikke minst – som også representanten har tatt opp – hos disse tjenestetilbyderne. Jeg har inntrykk av – jeg har boret litt i det – at det er litt ulikt, for mange har andre tjenester som de tilbyr. Det er ikke nødvendigvis slik at de må stenge virksomheten sin, de har også snudd virksomheten til annen type aktivitet. Så vil jeg understreke at det betyr ikke at vi betaler for noe vi ikke får. Jeg har inntrykk av at noen hadde en slik forståelse. Dette er en rammeavtale som man trekker på. Helt avslutningsvis vil jeg bare si at som Stortinget var oppmerksom

Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra statsråden

Det andre minnet er at jeg av en barnehageansatt ble kjeftet huden full for noe jeg ikke hadde gjort. De to eksemplene kan være en liten pekepinn om hvordan det kan gå hvis det er for få ansatte på jobb til å ha oversikt over hva ungene holder på med, men også hva som kan skje hvis man ikke har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse. Disse minnene har brent seg fast i min bevissthet, men har heldigvis ikke gitt varig men. Jeg håper det heller ikke har ført til varig men hos de jentene som ble utsatt for min blotting. Det har i den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt sykefravær, unge uføre, frafall fra videregående skole, ungdomspsykiatri og mange henvendelser til barnevernet. Nå er det på tide, etter mitt syn, å se disse utfordringene i en større sammenheng. Som Finn Skårderud skriver i sin bok «Det er ingen dristig tanke å se sammenhenger mellom et moderne sykdomspanorama og den moderne familiens grenseproblemer.» Det handler om hva vi putter i sekkene til våre barn. Det er i dette lys jeg vil løfte barnehagens betydning, og i dette lys vi bør se arbeidet med kvalitet i barnehagene. Førskolelærerne og det øvrige personalet er den viktigste innsatsfaktoren for kvaliteten i tilbudet. Derfor er det skuffende at Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 pst. med pedagogisk kompetanse eller 80 pst. med barnefaglig kompetanse. Komiteens flertall understreker derfor at pedagognormen er en minimumsbestemmelse, og ikke et mål å strekke seg mot. Det er viktig at man øker rekrutteringen, øker antallet studenter, får inn nye yrkesgrupper, får inn flere menn og flere med innvandrerbakgrunn. Det er også viktig, mener undertegnede, at man vurderer å heve pedagognormen. Flere ansatte med mer kompetanse i barnehagene vil føre til større trygghet, mer ro, at alle barn blir sett, at man kan iverksette tiltak raskt, og at styrer kan ivareta sitt ansvar som leder. Det er et viktig mål at barn behersker norsk språk før de begynner på skolen. En samlet komité mener at gevinsten ved barnehagedeltakelse er særlig stor for barn som trenger ekstra språkstimulering utover det de får i hjemmet. Komiteen anerkjenner dermed barnehagens betydning. En samlet komité understreker at læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, og at læring og omsorg skal ses i sammenheng. Det skal altså ikke bli mer skole i barnehagen, men mer har den siste tiden vært stor uro knyttet til språkkartlegging i barnehager. Det har fra flere fagpersoner vært hevdet at dette er et stort sosialt prosjekt som man ikke aner konsekvensene av. Og jeg må si at jeg har selv stusset veldig på om det er riktig å innføre dette når såpass mange fagpersoner har uttalt seg kritisk. Derfor har man måttet begynne å grave litt i hva dette faktisk handler om.

at man har godt trent personale, og at foreldrene får anledning til å gi sitt samtykke. Vi innfører altså valgfrihet for foreldrene. Det er ingen, heller ikke opposisjonen, som stiller spørsmål ved kartlegging av språk i helsestasjoner, som jo er et fremmed miljø for barna. Mange foreldre forteller at barna nærmest blir stumme som østers når de kommer inn på helsestasjonen. Dét er ikke noe problem, men å ha en språkkartlegging og en observasjon av barn mens de leker under normal aktivitet barnehagen, skal liksom plutselig være et stort problem. Det får jeg ikke til å stemme. Der tror jeg nok at enkelte, både fagpersoner og opposisjonen, har falt for fristelsen til faktisk å ønske å misforstå hva det her er snakk om. Vi har også fått brev fra Hørselshemmedes Landsforbund, som Vi har også fått brev fra Hørselshemmedes Landsforbund, som har vært blant dem som har ønsket dette, nettopp for å fange opp barn med nedsatt hørsel. Mange barn med nedsatt hørsel kan gå gjennom hele barnehageløpet uten at det blir fanget opp at de har svak hørsel – fordi man kan lære seg ordene, men det er ikke sikkert man forstår betydningen av dem. Derfor vil vi understreke at dette skal være en integrert del av barnehagens hverdag, og at det verken skal gå ut over barnas lek eller Komiteen er samlet i ønsket om en bedre, tettere og mer koordinert oppfølging av barn med behov, når det blir avdekket. Barnehagene må bli flinkere til å melde fra, tiltakene må iverksettes raskt og i tilstrekkelig grad, og de må koordineres. Det er ikke bra at samarbeidet varierer mye fra kommune til kommune. Investeringer på dette området kan derfor være en god investering i velferdsstatens framtid og ikke minst i den enkeltes liv. Komiteen ber derfor Regjeringen vurdere hvordan man kan sikre at behov meldt fra barnehagene blir fulgt opp. Tilbake til det store bildet og til Finn Skårderud. Han skriver i sin bok at vi nå lever i et samfunn med høy omsetningshastighet hvor tradisjoner har kort levetid. Og et samfunn i forandring endrer også familien og en familie i forandring I den moderne familien legges det sterk vekt på indre arv. Foreldrene skal gi sine barn psykologisk kapital som muliggjør barnas selvrealisering og selvkontroll. Det er ikke enkelt – ikke alle klarer det, og det er ikke alle som er bevisst dette. Mange barn opplever uro, støy, forstyrrelser og et heseblesende tempo, og for noen barn er barnehagen kanskje den ene trygge havnen i deres tilværelse. Jeg tror det er et perspektiv som vil bli viktigere og viktigere i planleggingen og utviklingen av framtidens barnehager. Ved siden av å fortsette arbeidet med å stadig gjøre barnehagene bedre bør vi også hele tiden se på hvordan vi kan unngå at noen blir stengt ute fra barnehagetilbudet. Det er et viktig mål at det ikke skal være økonomiske hindre for barnehagedeltakelse. Vi har mange gode ordninger for dette i dag, og det bør det stadig jobbes med. Jeg ønsker å sitere fra Fordelingsutvalgets rapport, hvor de sier: «Egenbetalingen i norske barnehager bidrar trolig til å stenge noen ute fra barnehagetilbudet av økonomiske grunner. Barn av foreldre med lav inntekt og utdanning etterspør barnhage i mindre grad enn andre,

tar høyere utdanning og lykkes på arbeidsmarkedet. Det er derfor flertallet ber Regjeringen vurdere hvordan man kan sikre at barn fra familier med lav inntekt kan få reell mulighet til barnehageplass, og om dagens virkemidler er tilstrekkelig for å møte behovet, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med en vurdering rundt disse spørsmålene. I arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i barnehager har jeg

Målet om full barnehagedekning er nå nesten nådd, og det er på tide at vi også ser på kvalitet, og det vil jeg si litt om. Helt konkret er det ikke det helt store som kommer fram av meldingen, men man er i hvert fall på god vei. på god vei. God kvalitet er avhengig av om det er kommunale barnehager eller om det er private barnehager, om de er små eller store, eller nye barnehager. Uansett er det viktig at de barnehagene vi har på plass, gir et tilbud med god kvalitet til de barna som skal gå der. Barna oppholder seg der tross alt hele dagen – de er der mange timer. Derfor er det viktig at kvaliteten på disse timene er god. Før var det slik at foreldrene var glade for at de fikk en barnehageplass. Nå får Før var det slik at foreldrene var glade for at de fikk en barnehageplass. Nå får de som regel en plass, men derfor kommer kvaliteten på tilbudet de får, til å bli viktigere. Jeg tror foreldrene kommer til å ha et helt annet fokus på kvalitet i barnehagene enn før. Jeg vil, i likhet med med saksordføreren, si at det er noe som understrekes som viktig i denne meldingen, og i barnas hverdag er det, utenom foreldrene, personalet i barnehagene. Når vi overlater barna våre til personalet i barnehagene, er de ofte bare ett år, så det er en stor oppgave personalet får. Jeg har også lyst til å gi ros til dem som jobber i barnehager. I saken sier Regjeringen at de skal ha en pedagognorm. Det mener Fremskrittspartiet er feil vei å gå. Det er ingen vits i å stadfeste eller tallfeste hvor mange pedagoger man skal ha i en barnehage. Det viktigste er at barna blir sett, og at de får den oppmerksomheten og omsorgen de trenger de timene de oppholder seg i barnehagen. Fremskrittspartiet ønsker et mangfold i barnehagene, og vi ønsker en bredde i barnehagene. Vi ønsker også en bredde når det gjelder personalet. Det må jo være utrolig flott å kunne ha en barnehage der man kan ha dansepedagoger, man kan ha ernæringspedagoger, man kan ha idrettspedagoger – ikke bare førskolelærere. Førskolelæreren skal, som sagt, ha det overordnede ansvaret, men det må være mulig å åpne opp for andre pedagoger også i barnehagene. Så vil jeg si at Fremskrittspartiet er veldig

Selvfølgelig skal det være en plass der en skal lære, men en skal lære gjennom lek, og det er leken som skal være hovedfokuset i barnehagen. Det skal ikke være et ledd i et utdanningsløp. Så er samarbeidet mellom hjem og Hvis foreldrene får tilfredse barn hjem og foreldrene selv er tilfredse med den barnehagen de har, er det viktig at de har et godt samarbeid med barnehagen. Å begynne med at en skal ha så og så mange foreldresamtaler og så og så mange kartlegginger, må være opp til hver enkelt barnehage – det må være et samspill mellom foreldrene og de barnehagene de har barna sine i. Jeg vil heller påpeke viktigheten av å ha et godt samarbeid mellom PP-tjenesten, helsetjenesten, skolene og barnehagene, og at en får tilrettelegging av det, slik at barnet får oppfølging. Taushetsplikt i mange profesjoner går ut over barna, slik at de ikke får det tilbudet de skal ha. så mange mailer om som i denne når det gjelder obligatorisk språktesting. Det snakkes om obligatorisk språktesting. Opposisjonen har ikke misforstått det som står der. Jeg tror de eneste som er enig med Regjeringen og flertallet i denne salen, er hørselsforbundet. Jeg har full forståelse for at hørselsforbundet er Men likevel, å begynne med en obligatorisk testing av treåringer når det gjelder språk, er ikke det rette. Hvorfor skal vi finne opp kruttet på nytt, eller hvorfor skal vi ikke ta lærdom i denne saken også – vi er så flinke til å ta lærdom av andre saker – og se til både Sverige og Danmark, som har prøvd dette i flere år og sett at det ikke virker, at dette er feil bruk av ressurser. I stedet bør en bruke ressursene på de barna som virkelig trenger det, som de ser og observerer i det vanlige arbeidet sitt trenger ekstra oppfølging, og gi dem ekstra oppfølging i stedet for at alle skal bli obligatorisk testet. Derfor er Fremskrittspartiet i alle fall sterk motstander av at vi skal få en obligatorisk språktesting av disse barna. Det å styrke kunnskapen om barn som ikke går i barnehage, stusser Fremskrittspartiet over hvorfor denne De som velger annerledes, de foreldrene som velger dagmamma, de som velger å være hjemme selv, de som velger å ta ut kontantstøtte, de som velger å ikke ha barna sine i barnehage, har tatt et valg på lik linje med de foreldrene som har tatt et valg om å sende barna sine i barnehage. Å begynne å kartlegge dem gjør at vi får assosiasjoner til helt andre land enn Norge. Til slutt vil jeg ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet sammen med andre partier har fremmet i saken. Jeg vil også signalisere at vi kommer til å støtte det forslaget fra Høyre som ligger på bordet i dag. Det er viktig at vi nå får fortløpende opptak til barnehage, slik at alle som trenger barnehageplass, får den plassen de skal ha. Det er også viktig at vi får på plass en nettportal, og det håper jeg Regjeringen kan se videre på, slik at disse foreldrene kan gå inn og få kunnskap om barnehagene sine. Da har representanten Solveig Horne tatt opp de forslag hun refererte til. Det er et gammelt uttrykk som heter at den som steller vugga, styrer landet. Det er

Høyre mener at full barnhagedekning er et viktig mål, men det må ikke gå på bekostning av kvaliteten. Det synes det som om det har gjort ved noen anledninger i det siste. I Høyre mener vi også at private barnehager, som utgjør ca. 50 pst. av tilbudet, må behandles på like vilkår med de kommunale, dette for å sikre kapasiteten og mangfoldet i tilbudet. Fordeling av tilskudd som et rammetilskudd til kommunene for fordeling derfra kan gi et svekket tilbud i enkelte kommuner. Derfor mener Høyre fortsatt at kommunal stykkpris er et system som best sikrer tilbudet. Det er nevnt tidligere, fra representanten Horne, at Fremskrittspartiet og Høyre foreslår at det utarbeides en nettportal som gir foreldre informasjon om innhold og kvalitet i tilbudet i de enkelte barnehagene. Forslaget er godt mottatt av dem som har skoen på i saken, foreldre, ansatte i barnehagene og flere kommuner. Også Utdanningsforbundet har støttet forslaget. Vi er derfor noe overrasket over at det synes som om regjeringspartiene vil gå imot dette forslaget. At vil gå imot dette forslaget. At det er lett tilgjengelig informasjon om aktiviteter, kosthold, årsplaner, fysiske rammer og ikke minst åpningstider, er viktig for foreldrene, viktig for å få det tilbudet som passer for de enkelte familiers prioriteringer. Det vil også kunne føre til et mer individuelt tilpasset tilbud, som i større grad gjenspeiler det variable arbeidslivet vi har ellers i samfunnet, og de arbeidslivet vi har ellers i samfunnet, og de individuelle prioriteringene til hver enkelt familie. Jeg må si at jeg har lang erfaring både som arbeidsgiver og arbeidstaker og med små barn, og vet hvilket stress det eksempelvis kan være å få tilpasset henting av barn i barnehagen, der standardisering av åpningstid fører til at barnehagebarna omtrent blir kastet ut av barnehagen klokken halv fem. Hvis det da er kø eller andre hindringer for å få hentet, er det ikke lett å være verken barn eller foreldre. Derfor synes vi det er veldig viktig også å kunne ha slik informasjon tilgjengelig for hver enkelt. Avslutningsvis vil jeg ta opp Høyres forslag. Representanten Lars Bjarne Tvete har tatt opp det forslag han refererte til, og som

Dette skal likevel ikkje vera noko sovepute. Det er vel noko av bakgrunnen for denne stortingsmeldinga at me vil vidare. Arbeidet no er å sikra at barnehagen i endå større grad vert ein del av utdanningsløpet, og dermed slå fast at barnehagen er ein pedagogisk institusjon. Her skil jo vårt syn seg frå f.eks. Framstegspartiet sitt. Men barnehagen skal ikkje misse sin

Framstegspartiet har uttrykt skepsis til at barnehagane ligg under Kunnskapsdepartementet og åtvarar mot å gjera barnehagen til ein del av utdanningsløpet til barna. Det er ein skepsis som SV ikkje deler. Me ønskjer jo å knyta veldig nære linjer der. Til liks med saksordføraren og andre har eg registrert ein del støy omkring det punktet som går på språkkartlegging. Eg har ein følelse av at dette er noko overdramatisert. Det er eit tilbod, ikkje tvang, og det er ei kartlegging, ikkje ei testing. Det er altså ikkje ei ny nasjonal prøve. Og som det vart sagt tidlegare: Alt no vert jo barns kompetanse

det er at Finland og Noreg har heilt ulike kurver når det gjeld spesialundervisning i skulen. I Finland byrjar dei høgt og sluttar lågt. Dei har altså mange timar i dei første klassane og veldig lite når dei kjem ut i ungdomstrinnet. I Noreg er det omvendt. Me byrjar veldig forsiktig med spesialundervisning, og så aukar det på etter kvart. Det seier seg vel eigentleg sjølv kva som bør vera målet. Finland har i veldig stor grad satsa på tidlege tiltak, og det har bore frukter. Kartlegging av språkferdigheiter i barnehagen kan vera ein reiskap for å setja inn tidlege hjelpetiltak i språkutviklinga, og satsa på at også her vil tidleg hjelp gje best

Ein må utvikla einsarta og gode metodar. Ein må sikra at kartlegging vert gjord av pedagogisk personell, som igjen stiller krav til tilsetjingane. Og så er det frykt for byråkratisering. Ein skal ha tid i lag med barna, ikkje driva kartlegging. Her er det vesentleg at dei metodane som er tenkt brukte, er knytte direkte til samværet med barna. Til slutt: Det er viktig å presisera hovudpunkta i arbeidet med stortingsmeldinga: sikra likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar styrkja barnehagen som læringsarena alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap Senterpartiet er oppteke av at vi skal bevare barnehagens eigenart, og eit inkluderande fellesskap Senterpartiet er oppteke av at vi skal bevare barnehagens eigenart, og at det er leik, omsorg og tryggleik som skal stå i sentrum. Det er viktig at vi ser heile ungen, og at aktivitet og læring skjer på ungen sine premissar. Denne eigenarten er framheva av mange, og står i motsetning til fokuset på testing og rangering Derfor er eg overraska over at det blir påstått at vi no beveger oss bort frå barnehagens eigenart, og mot ein rangeringskultur i barnehagen. Dette bidreg til å spreie ei misoppfatning av kva kvalitet i barnehagen går ut på. Vi foreslår ikkje å innføre obligatorisk språktesting av alle ungar i barnehagen. Det vi foreslår, er å gjere det om kartlegging av barnets språk ved tre års alder i barnehagen, sjølvsagt underforstått at foreldra har gjeve sitt samtykke. Det betyr at alle ungar skal ha like moglegheiter til å få den hjelpa dei treng. Ei kartlegging vil bli gjord gjennom å observere ungen i kvardagsaktivitet og leik, det vil ikkje bli ein For å få eit godt bilete av ungane sitt språk og forståing er det viktig at det nettopp skjer i ein naturleg situasjon som ungane kjenner seg igjen i. Veldig mange kommunar har ei form for kartlegging i dag. Eg trur at ein skikkeleg gjennomgang av korleis denne kartlegginga skal gå føre seg, vil heve kvaliteten og vere med på å hindre den testkulturen vi ikkje ønskjer oss. pst. av kommunane svarer at språket til ungane blir kartlagt i deira barnehagar. Vi vil sikre at kartleggingsverktøya som blir brukte, har nødvendig kvalitet gjennom fagleg vurdering og rettleiingsmateriell. Kompetansen og det faglege skjønnet til pedagogen er avgjerande for at verktøya blir brukte med klokskap og i tråd med regelverket. Vi kan ikkje ha ein situasjon der personale utan tilstrekkeleg kompetanse bruker enkle og for å kategorisere ungane. Vi vurderer derfor også å stille krav til personalet sin kompetanse og om at kommunane hjelper barnehagar som manglar tilstrekkeleg kompetanse. Eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet føreset eit godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og heim. Jo yngre ungane er, desto viktigare er det for både ungane og foreldra at personalet har tid til dagleg kontakt og dialog om trivselen og Mange foreldre ønskjer meir medverknad i barnehagen. Foreldre har rett til medverknad, og leiinga i barnehagen har ansvar for å invitere foreldre til å delta aktivt i planlegginga og vurderinga av innhaldet i barnehagen. Eit godt barnehagetilbod må sikrast uavhengig av om ein går i ein privat eller offentleg barnehage, om det er store eller små barnehagar, gamle eller nye. Lovfesting av likeverdig behandling av godkjende barnehagar vil bidra til å forhindre at det utviklar seg kvalitetsforskjellar mellom kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. Med denne stortingsmeldinga tydeleggjer Regjeringa ambisjonane om å sikre eit barnehagetilbod av høg kvalitet til alle. Det store fleirtalet av ungane i alderen eit til fem år bruker mykje tid i barnehagen. Barnehagen har derfor ein viktig rolle i samfunnet og eit stor medansvar for at ungane får ein trygg og god oppvekst og eit grunnlag for eit godt liv.

Det er foreldrene som velger omsorgsløsning for egne unger. Foreldrene må selv få kunne velge om ett- eller toåringen har best av å være hjemme med pappa eller mamma, bli passet av besteforeldrene eller en nabo, eller gå i barnehage. Det valget skal ikke politikerne ta for dem. Reell valgfrihet betyr derfor at det må være et tilbud om kontantstøtte, som er en viktig velferdsordning som gir fleksibilitet. Reell valgfrihet krever også full barnehagedekning og et tilbud av god kvalitet. Kristelig Folkeparti er det viktig å ha et mangfoldig barnehagetilbud både når det gjelder eierskap, pedagogisk og verdimessig profil samt mulighet for kortere oppholdstid. De private barnehagene bidrar til valgfrihet og gir større dynamikk og mangfold i barnehagesektoren. Det stimulerer til utvikling, det

I praksis betyr det at den frie etableringsretten forsvinner. På tross av massiv motstand fra fagmiljøene, Utdanningsforbundet og andre legger Regjeringen i meldingen opp til språkkartlegging av unger i treårsalderen i alle barnehager. Selv om det også foregår i dag, er det ingen tvil om at et slikt krav representerer en ny politikk og et signal om en ny tenkning i barnehagesektoren. Det er et paradoks når regjeringspartiene på den ene siden innfører kartlegging av en del av barnets utvikling og en del av barnehagens virksomhet, og så på den andre siden hevder at det ikke skal få noen betydning for hva barnehagens ledelse skal fokusere på framover. Kartlegging av enkelte sider av en virksomhet vil alltid styre innholdet og Folkeparti mener det er viktigere for kvaliteten i barnehagene at førskolelærerne kan være sammen med ungene enn at de bruker tiden på å skrive rapporter om dem. Erfaringer fra Danmark, som har innført språkkartlegging, viser at det brukes unødvendig mye tid på å kartlegge unger som overhodet ikke trenger noen oppfølging, i stedet for å følge opp de ungene som trenger det. Vi ser klare signaler i meldingen om en mer Det er overraskende at SV ser ut til å være den fremste drivkraften for en slik utvikling, og driver barnehagen i retning av mer fokusering på skole, mer skriftlig vurdering, kartlegging og testing. Vi ser klare signaler om en barnehage som tar skritt i retning av en virksomhet mer på voksnes premisser enn på ungenes premisser. Folkeparti fremmer derfor et forslag der vi ber Regjeringen ikke innføre krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging i treårsalderen. Kristelig Folkeparti er også, til dels med samme begrunnelse, kritisk til å overføre skriftlig vurdering av alle barn fra barnehage til skole, fra et frivillig til et obligatorisk pedagogisk tilbud. Barnehagens mål handler om verdier som ikke uten videre kan måles. Forskning viser at mer kartlegging bidrar til å snevre inn barnehagens innhold. Det er mange områder i barns liv og læring som ikke lar seg omdefinere til resultater på en kartleggingsprøve. Det gjelder bl.a. barnehagen som arena for fri lek, motorisk trening, natur- og kulturopplevelser og refleksjon.

at den ikke inneholder veldig mange konkrete tiltak, og heller ingen store forpliktelser. Det Venstre har vært opptatt av i de siste års budsjetter, har først og fremst vært knyttet til kompetanse. Det er stor forskjell på det å synes at det er viktig å satse på å få kompetanse og kunnskap inn i barnehagen, det å sørge for at vi får gode fagfolk der – det er

Derfor mener vi at en skal satse på kompetanse, en skal satse på kunnskap i barnehagen og kunnskap om barnehagen, men det skal først og fremst være slik at barnehagen skal være en arena der barn skal få utvikle seg med basis i lek, og der det skal være lov å henge litt etter, noe som er mye vanskeligere i et skolesystem. Vi kommer til å støtte forslag nr. 1, så klart.

av det blir, nemlig at i en by som Oslo har man brukt mange, mange millioner kroner på at de aller rikeste skal få billigere barnehageplasser, mens man i kommunen krampaktig har måttet kjempe for å klare å holde de laveste prisene nede på det samme nivået man hadde før. Hvis Oslo-politikerne hadde fått lov til å disponere disse midlene sjøl og sagt at

nemlig å bygge opp kompetansen til de ufaglærte i barnehagen. Det er det viktig å ha en plan for, og det er viktig å bruke dem. Når vi ser på hvor få varslinger som kommer fra barnehagen til barnevernet, tror jeg det har litt å gjøre med fokuset i barnehagen, der man veldig ofte oppfatter foreldrene som kunden og ikke barnet. Jeg tror det er et feil fokus i veldig mange barnehager når man oppfatter det slik at det er foreldrene som er kunden, som gjør at en får et lojalitetsbånd som blir feil. Men det handler også om at vi ikke har nok fagfolk som føler seg trygge på akkurat de avgjørelsene som er så vanskelige som disse er. Vi kommer også til å stemme for forslag nr. 2. Vi støtter ikke forslag nr. 3, men det forslaget som er framlagt i salen i dag, forslag nr. 4, kommer vi til å stemme for. Da tror jeg

Nå har vi hatt en dugnad som har gått land og strand rundt for å sørge for at vi kan tilby en barnehageplass til alle barn. Vi har innført rett til barnehageplass – det skjedde fra 2009. Vi har klart å gjennomføre barnehagereformen uten å senke kravene til kvalitet, og vi kommer igjennom den voldsomme opptrappingen med ca. en tredjedel førskolelærere i barnehagen fremdeles. Men nå er vi ved det stedet der vi skal løfte blikket og se hvilke enorme muligheter vi nå har til å tilby alle barn en plass i barnehagen, til å satse på kvaliteten og til å sørge for at det blir en god arena som vi vet kan stimulere alle barns utvikling, som kanskje er det viktigste virkemidlet vi kan ha for å bekjempe forskjeller mellom barn og gi alle Dette er en satsing som jeg er veldig stolt av, jeg er stolt av det samarbeidet som har vært. Men jeg synes det er paradoksalt at det i mange sammenhenger hvor vi har diskutert små barns oppvekst, synes å være mindre status og oppmerksomhet knyttet til det, selv om alle, når de tenker seg om, vet at det vi investerer i de minste, er det viktigste vi kan gjøre. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kan diskutere kvalitet og innhold i barnehagen og hvordan vi skal sørge for at vi klarer å få til et så godt tilbud som mulig til alle. Det vi da vet, er at vi kommer til å trenge flere førskolelærere for å lage en god kvalitetsbarnehage og for å oppfylle den pedagognormen vi allerede har. Vi har for mange dispensasjoner, selv om vi har klart å holde ca. en tredjedel av de ansatte i barnehagene som førskolelærere. Det er for stor variasjon mellom barnehagene, og vi trenger å sikre en likeverdig kvalitet. Vi vet at vi trenger et bedre samspill mellom de ulike kommunale tjenestene for barn – barnehagen, skolen, PP-tjenesten, barnevernet og helsetjenesten. Alle disse utfordringene er det vi nå adresserer. Jeg er glad for at flertallet i Stortinget støtter at vi skal ha en ambisiøs barnehagepolitikk med en klar tilslutning til at barnehagen er et pedagogisk tilbud, og at det betyr at vi må ha klare krav om pedagogisk kompetanse i barnehagene. Det er et klart satsingsområde i og det er det viktigste vi skal jobbe for framover; å sørge for at vi har god kvalitet. Vi må sørge for at den pedagognormen vi har i dag, etterleves, og – som det sies fra flertallet – vi må heve ambisjonsnivået når vi ser at vi har en mulighet til å komme lenger når det gjelder dette. Jeg er også opptatt av alle de assistentene som jobber i barnehagene. Det er mye kompetanse blant assistentene i og det er mulighet for å øke den kompetansen. Jeg vet at mange av assistentene ønsker å ta fagbrev og oppfordrer kommunene til å gi dem tilbud for å utvikle seg i sin jobb, enten de ønsker å ta fagbrev eller kanskje noen av dem også ønsker å gå videre og ta førskolelærerutdanning. Om et år står vi ved en ny milepæl i barnehagedebatten.

språkutvikling. Siden jeg er ny statsråd, så har jeg forbeholdt meg retten til å se med nye øyne på en del av de forslagene som ligger her, for å se om jeg synes at begrunnelsen var god. Jeg kan ikke forstå annet enn at det er en god begrunnelse for å innføre språkkartlegging i barnehagen – ikke i form av tester eller prøver, men som et system for å ha en bedre observasjon av barns utvikling. Jeg var i en barnehage hvor de sa at de hadde dette som hvor de sa at de hadde dette som et verktøy for observasjon, og at de fikk et mer trent blikk for å følge barnas utvikling. Det er det som er meningen. Når vi da også vet at veldig mange kommuner allerede har innført det, trenger vi en nasjonal veiledning og retningslinjer for hvordan det skal skje, for vi har også mange tilfeller av prøver som ikke bør foregå i barnehagene. Når vi vet at de fleste barnehager allerede har et system for å følge med på dette, tilsier det også at vi har en plikt til å sikre at det er god kvalitet i det tilbudet. Det åpnes for replikkordskifte.

Telemarksforskning har hatt en undersøkelse, som også er blitt gjengitt av PBL, Private Barnehagers Landsforening, som klart viser at maksprisen slår helt feil ut, også i forhold til søskenmoderasjon. De som skal betale minst, har faktisk fått en økning i barnehageprisen i forhold til dem som betaler makspris, som har fått en nedgang. nedgang. Mitt spørsmål til statsråden er: Har hun gått inn i disse tallene og sett på dette? Hva vil statsråden gjøre for å utjevne denne forskjellen, slik at de som har problemer med betaling, får en lavere betaling? Jeg er helt uenig i at det ikke skulle være et mål å få redusert prisen i barnehagene. Jeg tror utrolig mange har glemt hvor for fattig og for rik – for kun få år siden. Prisen er redusert for de aller fleste. Stortinget var, da vi lagde barnehagereformen, opptatt av at kommunene skulle foreslå inntektsgradering – søskengradering – og tilby rimeligere barnehageplasser til dem som hadde dårlig råd. Og så vet vi at det fins ganske mange forskjellige kommunale måter å gjennomføre det på. Problemet med det som er flertallets forslag her i dag, dag, er at hvis man innfører det, med den kunnskapen vi har i dag, så kan enkelte risikere å få en dyrere barnehageplass. Det vi trenger, er en god nok oversikt over hvordan dette ser ut i hver enkelt kommune. Det skal vi få til gjennom barnehageundersøkelsen, og så skal vi komme tilbake til hvordan vi skal jobbe med gradert
En del av de mange reaksjonene som har kommet når det gjelder språkkartlegging i barnehagen, tror jeg må forstås i lys av de underliggende trender som har vært, altså en del av den debatten som er om læring – læringsaspektet – i barnehagen. Små barn vil vi det beste for, og derfor vil vi gjerne vite mye om dem. dem. Vi vil kartlegge og vite noe om språkutviklingen, vi vil kanskje også vite noe om kunnskapsutviklingen når det gjelder tall og bokstaver – det er noe med den personlige utviklingen som det i og for seg er lett å forstå at man vil følge. Så skal altså dette barnet forhåpentligvis få med seg et stykke papir videre opp i skolen. Da tenker jeg: Mon tro om det ikke er et personvernaspekt ved dette? Mon tro om ikke også

at man får et tilbud – det er jo ikke obligatorisk, det er et tilbud – om et verktøy som gjør at man kan finne ut av om barn har problemer med språkutviklingen på et tidlig stadium. Vi har altfor mange ganger opplevd at man sier om en 18-, 19- eller 20-åring, at han kunne man se slet allerede i barnehagen. Sånn kan vi ikke ha det. Hvis man ser at en treåring sliter, så skal en treåring ha hjelp. så skal en treåring ha hjelp. Jeg har stor forståelse for at det er diskusjon rundt dette, ikke minst fordi vi har så mange eksempler fra Høyre-styrte kommuner, som hals over hode har satt i gang de rareste tester av småbarn i barnehagen uten noen av de kritiske innvendingene som Thommessen her kommer med. Så jeg forstår den tilbakeholdenhet som har vært i barnehagesektoren når det gjelder dette. Det jeg ikke forstår noe av, er hva Høyre

kartlegge uten kartleggingsverktøy og pålegg om kartlegging. Mitt første spørsmål går nettopp på statsrådens understreking av at dette bare er en observasjon. Men hvordan kombinerer man et tilbud om observasjon med frivillighet, siden dette bare skal være et tilbud? Det andre spørsmålet er knyttet til det som ble sagt på høringen, om at

Men det som vi har gått inn for i forbindelse med kvalitetsmeldingen i barnehagen, er nasjonale retningslinjer for kartlegging, som skal sikre kvalitet, som baserer seg på observasjon, som ikke skal endre barnehagens utgangspunkt der lek er det sentrale med tanke på læring, og der man tar utgangspunkt i det som er førskolens og barnehagens særpreg.

er mye nærmere til å observere et barns utvikling over tid, i sitt rette element og i trygge omgivelser. Replikkordskiftet er omme. Jeg er glad for at mine barnebarn slapp å stå i den barnehagekøen som mine barn måtte gjøre. Det som er

sa. Barnehagene er blant de viktigste bidragsyterne når det gjelder å gi barn i et moderne samfunn en trygg hverdag. Ingen foreldre kan utføre sine daglige gjøremål på en god måte uten trygghet for barna. Det har det til nå ikke vært særlig stor politisk uenighet om. For kvalitetsarbeidet i barnehagene har Regjeringa valgt tre viktige hovedmål: sikre likeverd og høy kvalitet, styrke barnehagen som læringsarena, og at alle barn skal få delta i et inkluderende fellesskap. Derfor er jeg veldig forundret over at denne debatten har tatt en slik vending. Språkkartlegging i barnehagen har fra opposisjonens side tatt det meste av oppmerksomheten, og det er vanskelig å få tak i ryddigheten i begrepene og den massive motstanden. Mindretallet – altså opposisjonen – ønsker ikke obligatorisk språktest av barn i barnehagen. De ber oss om ikke å gjøre noe vi ikke har tenkt å gjøre. Vi foreslår ikke obligatorisk språktest av alle barn i barnehagene, men vi foreslår å gi et tilbud om kartlegging av barnets språk ved treårsalderen. Vi har registrert den massive tilstrømmingen av innvendinger fra ulike fagfolk. Heldigvis er også dette bildet nyansert. av innvendinger fra ulike fagfolk. Heldigvis er også dette bildet nyansert. For eksempel mener man ved Høgskolen i Oslo i dag at debatten er unyansert, og at man mangler kunnskap om ulike former for kartlegging. Jeg har lyst til å spørre opposisjonen: Er ikke hørselshemmedes organisasjoners argument viktig for opposisjonen? Er det ikke viktig at de som trenger det mest, vil bli fanget opp av et system? Det er ikke kartlegginga i seg sjøl som men at barn med særlige behov for språkstimulering oppdages tidlig. Det må da være kjempebra! At barnehagene får kunnskap som gjør at de kan tilrettelegge gode språkmiljøer, øker jo bare kvaliteten i barnehagene. Pedagogenes hovedverktøy for å finne ut om barna har forsinket språkutvikling, er observasjon. observasjon. Hva er det som er så skremmende med det, når 92 pst. av kommunene svarer at barnas språk blir observert allerede i barnehagene? Vi vil jo bare sikre at kartleggingsverktøyene som brukes, har høy kvalitet gjennom faglig vurdering. Vi vil jo så gjerne at barna våre skal være trygge og inkludert der de oppholder seg. Det er lett å falle utenfor leken og fellesskapet dersom man ikke har språk og kan gjøre seg forstått av de andre barna. Det er stadig vist til eksempler fra Danmark, som fra 2007 har stilt krav til kommunene om at de skal tilby alle barn en språkvurdering. Foreldrene kan sjøl velge om de vil benytte seg av tilbudet, med unntak av foreldre til tospråklige barn. Tilfeldigvis har jeg sjøl barnebarn i danske barnehager, og jeg må bare si at det det har vært utelukkende positivt og trygt å vite at de barna blir observert i barnehagen, at de blir fulgt opp, slik at vi også kan følge med på om de utvikler det danske språket slik at de kan følge alle aktiviteter og gjøre seg forstått blant de danske barna. At danskene nå ser ut til å endre på det, kan vel heller ses i av en rekke velferdsgoder i Danmark. Dette er ett av mange tiltak. Så er det en annen ting med danskene, og det er at de er veldig opptatt av at barnehagebarna skal være klargjort for skolen. De har veldig sterk og god dialog med foreldrene på det området. De blir ikke skjøvet inn i skolen hvis ikke de er klare for det. Slik skal vi også gjøre Så til det siste: Barnehagene er i en enestående posisjon til å se om barn er utsatt for omsorgssvikt. Å styrke samarbeidet med barnevernet og å styrke kompetansen hos de ansatte i barnehagen slik at de er faglig i stand til å ta de vanskelige valgene, er virkelig en investering i barns framtid.
Neste taler er Olemic Thommessen.

med statlige midler. I år måtte kommunene selv bidra med 700 mill. kr utover det Stortingets barnehageforlik forutsetter. Når man kjenner til kommuneøkonomien, og når man kjenner til den stramme og tøffe hverdagen kommunene har med mange lovpålagte oppgaver, skjønner man at dette er tøft for kommunene. Sverige og Danmark har ment noe om kartlegging.

barnehagene skal utvikles, men mange ser på kartleggingen som et minus. Det må være økonomi på plass i kommunene, og mange mener at denne kartleggingen vil ta en del av økonomien. Man mener at utvikling av lek kanskje er bedre – finne andre måter å drive barnehage på enn hva som har vært gjort fram til i dag for å definere kvalitet. Da snakker man om dans, man om dans, om utebarnehager, friluftsbarnehager, og man snakker altså om en helhetlig barnehage som gjenspeiler samfunnet. Vi må ha tillit til dem som jobber i barnehagen. Vi må ikke kalle det støy når de som jobber i barnehagen, og som er fagfolk, sier noe om dette med kartlegging. Vi kan ikke kalle det støy. Vi må lytte til Disse kartleggingene kan minne noe om hva som foregår i Kina, og om hva som har foregått i det tidligere Øst-Europa. Ja, det er et kartleggingshysteri i Norge. Vi skal kartlegge alt i stedet for å se på barna som en enhet. Dette går ut over kvaliteten, og, som jeg sa tidligere, det går også ut over økonomien i barnehagene. Av statstilskuddet til barnehagene mangler det mye. Ifølge KS

ved direkte overføring av midler fra staten til barnehagene. Det er ingen vits i at det går via kommunene, for kommunene blir jo overkjørt allikevel. Med de økonomiske utfordringene kommunene har i dag, burde det være en selvfølge at de kunne stole på det løftet som ble gitt av et stort flertall i Stortinget, om at barnehagereformen skulle fullfinansieres. Kommunene bygger i økende grad barnehager som foreldrene ønsker for sine barn. barn. Det kaller kommunene kvalitet. Enklere og billigere løsninger som korttidsbarnehager og familiebarnehager reduseres. I en situasjon med full barnehagedekning, som det er i mange kommuner i dag – kommunene har vært flinke til å følge opp Stortingets ønske om full dekning – vil det i perioder være barnehager med ledige plasser, noe som også vil Dette er en utfordring for barnehagene, og det kan senke kvaliteten. Hva mener regjeringspartiene om det? Ingenting! Full barnehagedekning var et viktig prosjekt, og det bør vi fokusere på. Da bør også kvaliteten være der. Regjeringen må ha et annet fokus enn fokus på kartlegging, som den har i dag. En kartlegging av barn bør gjøres på den måten man gjør i Danmark, gjennom lek og annen aktivitet, og ikke kalle det støy når ansatte og fagfolk sier hva de mener, og når de snakker om hvilke konsekvenser dette vil ha for de ansatte og for barna i barnehagen. Vi må spille på lag med de ansatte, ikke bare hylle i festtaler.
Neste taler er Olemic Thommessen.

knyttet til personverndimensjonen i det vi snakker om, når vi nå diskuterer denne kartleggingen. Hun snakket om mye annet som jeg skal komme tilbake til, men selve det at barn faktisk er små mennesker som har de samme kravene til personvern som oss andre, hadde hun ingen tanker om. Det synes jeg ikke lovet så veldig bra. Jeg mener det er viktig at vi noen ganger opp gjennom livet får mulighet til å begynne med blanke ark. Jeg mener at det er et problem i skolen, at det kan være tilløp til at man stigmatiseres opp gjennom skoleløpet. Man får et stempel som man sliter med. Til en viss grad er det vanskelig å komme rundt akkurat det. Men er det da virkelig nødvendig – jeg hadde nær sagt – å begynne før tiden? Er det virkelig nødvendig at vi allerede i barnehagen – hvor vi vel har hatt hver våre modningsløp

som er en del av den helsemessige oppfølgingen av barn som vi har i vårt samfunn. Det står vi fast ved. Men det er et poeng å holde det til tanken om helse og ikke gjøre det til en del av tanken om utdanning. Det er i det perspektivet regjeringspartienes og Regjeringens forslag blir problematisk. For det er jo en debatt – og om i hvilken grad barnehagen er et forum med utgangspunkt i lek, eller om det er et sted hvor man skal begynne et utdanningsløp, så å si. Jeg minner om at da Regjeringen hadde lave bevilgninger til forskning i forrige stortingsperiode, pleide daværende finansminister Kristin Halvorsen å svare at man hadde god samvittighet for dette på grunn av den store barnehagesatsingen, for det var starten på utdanningsløpet. Vel, jeg skal ikke trekke det for langt, men det er allikevel et perspektiv å ta med. Det man bekymres for – og som også Høyre bekymrer seg for – er nemlig at man skal miste den grunnleggende forskjellen vi har mellom barnehage og skole. Der skole skal ha læringsfokus og bruke de virkemidler som det tilsier, skal barnehagen ha fokus på lek og utviklingen av hele bredden av det som handler om utvikling av en personlighet, altså der læring er nøkkelord i skolen, skal lek være nøkkelord i barnehagen. Allerede i dag vil jo en godt utdannet barnehagepedagog også følge med på språk. Så jeg regner med at når man nå skal kartlegge dette, Så jeg regner med at når man nå skal kartlegge dette, handler det om å oppgradere den innsatsen i barnehagen. Slik har jeg også forstått det. Det betyr også at det kreves ekstra kompetanse. Den manglende kompetansen vi har i dag av pedagogisk personell, blir mer penibel, og vi har helt åpenbart en ressursproblematikk når det gjelder bemanning og utdanning, som jeg synes Regjeringen har gått for enkelt Den andre svakheten ved dette er jo at de barna som trenger det mest, går kanskje ikke i barnehage. De ville ha blitt fanget opp hvis vi hadde hatt en språkkartlegging i fireårskontrollen. De vil ikke bli fanget opp av dette. Slik sett synes jeg også det er påfallende at Regjeringen angriper spørsmålet om språkutvikling fra den for det betyr jo igjen av Regjeringen setter system og systemtenkning foran egentlig å nå dem som trenger det aller mest. Så Høyre stoler på førskolelærerne. Vi tror at språkutvikling vil bli ivaretatt med kompetente lærere, helt uavhengig av om man har en obligatorisk kartlegging eller ikke. Vår oppskrift er å ta tak i dette i forbindelse med fireårskontrollen.

og det som Torger Ødegaard gjennomfører i barnehagene i Oslo, er jo det en helt annen politikk enn det Høyre på Stortinget ønsker. Torger Ødegaard har faktisk søkt departementet om å få sette i gang med læringsmål i barnehagene, og han ser jo åpenbart på barnehagene som en del av utdanningsløpet i Oslo. Da synes jeg det er litt underlig at Høyre på Stortinget er så kritisk til en regjering som ønsker at man faktisk skal kartlegge til barna i treårsalderen, noe som overhodet ikke har noe å gjøre med læringsmål, og som overhodet ikke har noe å gjøre med det Høyre i Oslo prøver å gjennomføre. Så har vi sett at Dagsavisen de siste par dagene har skrevet om foreldre som går fra privat barnehage til privat barnehage og ber på sine knær om å få en barnehageplass til barnet sitt, og gjør det til en oppsiktsvekkende sak. Situasjonen er jo at foreldrene har gjort det i mange, mange år nå. Det som er det positive, er at det er færre og færre foreldre som gjør det, og forhåpentligvis slipper alle foreldre i løpet av et års tid å gå til det skrittet at man må be på sine knær for å få en barnehageplass, fordi man faktisk har fått full barnehagedekning. Vi har altså gått fra at barnehage var en rett for de få, til at det nå er blitt en rett for alle.

vært innom barnehagen før de begynner på skolen. Det er altså den største velferdsreformen på 30 år. Vi har fått full barnehagedekning, og i tillegg har vi lovfestet retten til barnehageplass. Det meldingen nå dreier seg om, er at nå tar vi det neste skrittet. Nå har vi fått på plass kvantiteten, og nå skal vi sikre kvaliteten ytterligere. Det som er det positive her, er at til tross for den massive utbyggingen vi har hatt de senere årene, har vi likevel greid å holde oppe pedagogtettheten. Vel å merke er det slik at en del kommuner har fått dispensasjon, men det har ikke hatt negative utviklingstrekk. Men skal vi lykkes med å fylle opp de ubesatte førskolelærerplassene, er vi nødt til å utdanne mange nye førskolelærere de neste årene. Det har Regjeringen satt i gang med. Vi har utvidet utdanningskapasiteten med 900 nye førskolelærerutdanningsplasser, og hvis vi fortsetter med det de neste par årene, vil vi klare å dekke opp de ubemannede plassene i 2012. Likevel vil vi være langt fra å være i mål. Vi er – som sakens ordfører nevnte tidligere i dag – det eneste OECD-landet som verken har 50 eller 80 pst. barnefaglig kompetanse i barnehagene. Så vi er nødt til å fortsette å utdanne flere. Etter hvert må vi også sette oss mer ambisiøse mål for bemanningen i barnehagene. Jeg er litt overrasket over høyresidens kritikk av barnehagene som et sosialt utjamningsmål. Fra regjeringspartienes side mener vi at sosial utjamning er viktig, for det vi at sosial utjamning er viktig, for det er dét som vil gi alle barn en god mulighet, og vi vet at de barna som har gått i barnehage, har bedre forutsetninger for å klare seg senere enn barn som ikke har gått i barnehage. Vi vet også at barn av ressurssterke foreldre i større grad bruker barnehage enn barn av ikke-ressurssterke foreldre. Ergo: Barnehagen er et viktig redskap for å utjevne sosiale forskjeller. Det poengterte Fordelingsutvalget da de overleverte innstillingen sin til tidligere finansminister Kristin Halvorsen. Men dette har også blitt poengtert gjennom Folkehelseinstituttets forskningsrapport. Helt til slutt må jeg si at jeg er også litt overrasket over den store striden rundt språkkartlegging, for det framstilles som om det er noe helt nytt man skal starte med i barnehagene, og som alle førskolelærere motstridende blir revet med på. Men 90 pst. av kommunene gjør det i dag, og det er mange førskolelærere jeg har møtt i senere tid, som mener at dette er et veldig positivt tiltak for at de skal klare å kartlegge hvilke barn som trenger ekstrahjelp med språket sitt. De sier veldig tydelig og klart at skal vi klare det, er vi nødt til å sjekke alle barn, slik at vi ikke overser de barna som aller mest

refleksjoner og betenkninger omkring hensynet til personvern og behovet for barn til faktisk å kunne starte med blanke ark. Når det sies at 90 pst. av kommunene allerede har denne typen tilbud, og at det er mange førskolelærere som synes dette er bra, så er det riktig. Men faktum er at førskolelærernes egen organisasjon har sagt tydelig fra i forbindelse med komiteens behandling om at dette forslaget er man faktisk imot. Det er fordi man nettopp ser at å innføre et sånt krav til kommunene og til barnehagene faktisk innebærer en ny politikk og en ny retning. Vi har heller ikke fått svar på hvordan det skal forstås at det utelukkende dreier seg om observasjon, som man heller ikke skal bruke særlig tid på, og som igjen skal være et frivillig tilbud. Hvordan kan observasjon av barn være et frivillig tilbud til foreldrene? Så vil jeg sitere fra Solveig Østrem fra Høgskolen i Vestfold, som leder arbeidet med å innføre en ny rammeplan for barnehagen, som i komiteens høring sa: «Barnehagens mål handler om verdier som ikke uten videre kan omskrives i termer som evidens og effekt, Problemet med testing og kartlegging er at man glemmer hva som er det egentlige formålet, og at testene i praksis overtar som styringsredskap, slik at den daglige praksisen styres mot mer eller mindre vilkårlige detaljmål.» Det er ikke noe som er spesielt for barnehagesektoren. Dette er en generell, anerkjent organisasjonsteori for alle organisasjoner. Dette er et redskap som innføres, og som vil påvirke ledelsen og utviklingen av barnehagesektoren videre. Når man også viser til de hørselshemmede som bekreftet på høringen at det var hørselen det var viktig for dem at man fikk testet, så har man faktisk andre verktøy for det enn å tilby språkkartlegging i samtlige barnehager over hele landet. Debatten viser med all tydelighet at man ønsker å problematisere at noen velger andre ting – at barn ikke går i barnehage – og at det er en mer resultatstyrt og skolefokusert barnehage vi beveger oss i retning av.

Vi foreslår verktøy som gjør det mulig å overvåke barns språkutvikling mer bevisst. Det er faktisk veldig viktig fordi språkutvikling kan man f.eks. sette i gang tiltak for i barnehagen – bli mye mer observant i forhold til hvordan man jobber med språk i barnehagen, og dermed være med på å gi ungene en bedre start. Så til dette som dreier seg om hva slags dokumentasjon eller hva slags opplysninger man skal overføre fra barnehagen til skolen. Det er en viktig debatt, og det dreier seg både om hvordan man har jobbet i barnehagen, og om hva man skal opplyse om et barn. Det reiser spørsmål rundt personvern – det er helt riktig. Men det reiser også spørsmål som ikke egentlig er personvernspørsmål, men som dreier seg om: Er det sånn at et barn skal få lov til å begynne med blanke ark, at ingen skal vite noe om en når man møter til første skoledag? skoledag? Det kan jo være et edelt mål på en måte. Men hvis det er et barn som har spesielle utfordringer, så er det klokt at skolen vet om det. Men det skal også være sånn at hvis man har spesielle interesser – om det er noe spesielt man kan – så bør skolen også vite om det. Dette skal vi nå sørge for at vi skal få sendt på høring, at vi tar den diskusjonen. Det er viktig ikke å gjøre noe hals over hode og tenke at mest mulig mulig ukritisk overføring av informasjon fra barnehage til skole er det beste. Det er viktig å finne en form på dette som gjør at det som er relevant, og som kan hjelpe barnet, kan overføres, men at voksne samtidig kan ha mulighet til å se på et barn med nye øyne også. Når det gjelder Høyre, skjønner jeg rett og slett ingen ting. Høyre i Oslo foreslo en kartlegging i barnehagen som heter «Her kommer jeg

Å pålegge Høyre lokalt å stoppe det? Å si at dette har ingen ting med språkutvikling eller læring å gjøre; dette har med helse å gjøre, så det skal foregå på helsestasjonen slik som det gjøres i dag? Men da vil jeg avvente og se hva slags nasjonale direktiver som kommer fra Høyre på Stortinget, når de har én mening lokalt – til dels ganske ekstreme meninger om testing lokalt – og en helt
Neste taler er Olemic Thommessen.

Det må være et mangfold av tilbud til barna på forskjellige barnehager. Jeg tror at når man får full barnehagedekning, kommer det til å være mye mer fokus på kvalitet og på at foreldrene selv kan få lov til å velge de barnehagene som passer best for deres barn. Men når lederen for i sitt innlegg sier at de barna som går i barnehager, klarer seg bedre enn de barna som ikke går i barnehage, får det i hvert fall en representant fra Fremskrittspartiet til å steile. Dette er forskjellen mellom den sosialistiske regjeringen vi har i dag, og den Sosialistene pakker det inn på en fin måte at de ønsker at i grunnen skal alle barn gå i barnehage. For Fremskrittspartiet er det viktig at foreldrene selv velger om de vil ha barna sine i barnehage eller ikke. Så syns jeg at regjeringspartiene bortforklarer hele språktestingen. Det er ikke hvem som helst som har sendt e-post til oss, eller som har vært på høring og uttalt seg om dette. Det er både Utdanningsforbundet og førskolelærere – det er de som jobber med det til daglig. Det vises til Danmark i flere innlegg her. Når Danmark har kommet til at de bruker unødvendige ressurser på å teste barn som i grunnen ikke trenger det, som ikke trenger å få ekstra oppfølging, og heller mener at man må bruke de ressursene på de barna som virkelig trenger det, mener jeg at Norge må se på de erfaringene som er gjort der, og ta dem med seg før vi går inn på dette.

man gjøre? Man må vel da gjøre noe for å foreta denne kartleggingen? Man må vel prøve ut noe? Hva dreier det seg om? Det er umulig å få tak i hva det dreier seg om. Så dreier det seg kanskje ikke om så mye? I så fall kan det jo tenkes at det ikke er så mye å snakke om, men det er det veldig vanskelig å sette seg inn i. Hvis man skal avmystifisere dette, må man jo kunne ha en slags konkret beskrivelse av hva språkkartlegging innebærer. Er dette en ekstra utdannelse i førskolelærerutdanningen? Er det snakk om en eller annen form for logopedisk utdannelse? Skal det komme folk utenfra for å følge opp dette? Altså en eller annen form for beskrivelse. Hvis man skal gjennomføre dette som en standard over hele landet fordi man vil rydde opp – jeg tror det gjelder atskillig flere enn de Høyre-styrte kommunene når det gjelder hvordan man gjør det – må man jo beskrive en standard som da kommunene er nødt til å følge. Ellers er jo dette innholdsløst. Så her er det flere spørsmål i luften enn det er svar, og det gjør at dette er en sak som faktisk er ganske vanskelig å forholde seg til. Da må man regne med at man får reaksjoner, og man må regne med at saken leses i lys av de diskusjoner som ellers er når det gjelder barnehage og kunnskapsmål. Presidenten håper at de som sitter utenfor salen, skjønner hva vi driver med, siden man i salen ikke skjønner hverandre.
Det gjenstår å se. Først til Solveig Horne om barnehagens betydning. Vi har rapport fra Folkehelseinstituttet som forteller oss at barnehagen er positiv for barns språkutvikling, og at dette slår sterkest ut hos barn av foreldre med lav utdanning, lav inntekt og et annet morsmål enn norsk. Det kan man ikke ignorere. Jeg skal sitere videre fra Fordelingsutvalgets rapport, hvor det står om barn i hvor det står om barn i førskolealder: «Tiltakene fører til at barna presterer bedre på skolen samt at flere fullfører videregående skole, tar høyere utdanning og lykkes på arbeidsmarkedet.» Det er en av grunnene til at vi ønsker å løfte barnehagens betydning i forhold til velferdsstatens og ikke minst barnas framtid. Så er det debatten om kartlegging. Det jeg hører opposisjonen si, er: Ja, vi ser hva Regjeringen skriver, vi hører hva vi ser hva Regjeringen skriver, vi hører hva Regjeringen sier, men vi tror ikke på det. Det minner om barnet som stikker fingrene i ørene, rister på hodet og nekter å høre hva som blir sagt. For å nå gjennom hos opposisjonen her tror jeg nesten man trenger førskolelærerutdanning for å klare å ta det rette pedagogiske grepet. Det er altså slik at det allerede i dag gjennomføres språkkartlegging i nesten alle barnehager. Det er ikke snakk om at dette skal bli obligatorisk for barn, men det skal være obligatorisk for barnehagene å tilby det til barna. Hvis opposisjonens forslag blir vedtatt, innebærer ikke det at prosjektet språkkartlegging blir avsluttet, og at det ikke skal gjennomføres. Tvert imot vil det bety at man fortsetter med språkkartlegging og observasjon av barn,

ønsker å gjøre dette nettopp fordi det kan hjelpe mange barn. Det gir trygghet for de ansatte i barnehagen, slik at de føler større trygghet for at de ikke overser barn som trenger oppfølging og tett hjelp, og ikke minst representerer det en trygghet for oss som foreldre. foreldre. Jeg skal se de foreldrene som vil velge å takke nei til en slik mulighet for sine barn. Det tror jeg heller ikke de av opposisjonens medlemmer som er foreldre, vil takke nei til når man faktisk ser hvilken stor mulighet dette er til å fange opp de barna som trenger ekstra språkstimuli, og som trenger ekstra hjelp, slik at de ikke faller fra og risikerer å gå glipp av verdifull læring

Vi skal nå sørge for at dette blir en språkkartlegging basert på observasjon, med utgangspunkt i de kvalitetene og den kompetansen som førskolelærerne, dvs. heretter barnehagelærerne, har, og som barnehagepedagogikken er tuftet på. Vi skal opprette en referansegruppe som tester ut dette i praksis, slik at vi får se nytten av å ha raskt kan sette i gang tiltak. Bare to stikkord om Danmark: Det er ikke slik at de har oppsummert med at språkkartleggingen i Danmark har vært så tidkrevende at de har måttet gi seg. De har funnet ut at ca. 1 pst. av pedagogenes tid har vært brukt i forbindelse med språkkartlegging. Det er en del av en større gjennomgang av rapportering på mange som har gjort at Danmark har konkludert slik de har gjort når det gjelder språkkartlegging. Så må jeg gi uttrykk for at det blir med fryd og glede jeg kommer til å treffe Torger Ødegaard, som er skolebyråd for Høyre i Oslo, neste gang, for det viser seg altså at han ikke følger partipisken, og at det han driver med i Oslo, er i strid med Høyres partiprogram. Det synes jeg er interessant. Det viser seg også i Stavanger, i Asker og i mange andre Høyre-styrte kommuner. Jeg tror det kommer som en overraskelse på dem, og at det fremdeles er veldig vanskelig å forstå. Jeg er ikke sikker på om de forstår hva som er Høyres politikk når det gjelder språkkartlegging. Så bare en liten kommentar til slutt. I debatten virker det som om noen snakker om lek eller læring. Jeg mener det er helt i strid med det vi og vår barnehagetradisjon står for. Der er det lek og læring. Hele poenget er jo nettopp at veldig mye av det barn lærer, læres nettopp gjennom lek. Mange av måtene man kan stimulere småbarn på, er nettopp gjennom lek. I tillegg er det utrolig viktig at man lærer å leke. Det er nemlig heller ikke alle barn som kommer i barnehagen med det som et utgangspunkt. Det er utrolig verdifullt for senere. Så til verdien av barnehager. Det er ingen sosialister som har funnet ut hva som er verdien av barnehager. Vi vet at barn har stort utbytte av å gå i barnehager. Jo mer utfordrende utgangspunkt de har, jo større verdi har det. Men det understreker også at det må være kvalitet i barnehagene. Hvis vi skal klare å få til et godt utgangspunkt for alle barn, dreier det seg ikke bare om å skaffe en barnehageplass, det dreier seg også om å ha kvalitativt gode barnehager. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og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

er frivillig, men vi ser at de enhetene som har vært gjennom en konsolideringsprosess, har kommet styrket ut av det. Det er også verdt å nevne at opptrappingsplanen i ABM-meldingen er oppfylt, på vel 298 mill. kr i 2009. Bare de siste fire årene har det vært en økning på vel 73 pst., et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Denne meldingen har Det skal gjøres ved å sette fokus på selve kjernen i museenes virksomhet, nemlig de fire f-ene: forvaltning, forskning, formidling og fornying. Meldingen synliggjør ulike tiltak som skal sikre faglig utvikling over hele aktivitetsfeltet som disse fire f-ene representerer. Det er viktig å presisere at alt ikke kan skje samtidig, at det må en viss prioritering til, og, ikke minst, det meste av arbeidet må museene selv utføre, men staten skal spille på lag. Når det gjelder behovet for nybygg, påbygg eller rehabilitering, er lista lang. Vi vet at det ligger innmeldte prosjekter på rundt 1 milliard kr fra hele landet. Det forteller litt om museenes betydning på det lokale og regionale plan. Staten er en aktiv medspiller for å få disse realisert, og hovedregelen er at den statlige finansieringsandelen over kap. 320 post 73, Nasjonale kulturbygg, er på om lag ⅓, slik den også er når det gjelder tildeling av spillemidler for kulturbygg. En av flere årsaker til at noe må gjøres med mange museumsbygg, kan knyttes til antall gjenstander museene har, og hvordan de er sikret. I et forvaltningsperspektiv gir det grunn til bekymring når vi registrerer at svært mye av det som er innsamlet, verken er tilfredsstillende registrert eller sikret. Det er en utfordring for oss alle. Komiteen er derfor fornøyd med at det skal utarbeides en nasjonal plan for samlingsforvaltning hvor sikring og bevaring av museumssamlinger skal være Både digitaliseringsmeldingen og denne meldingen understreker at det må legges til rette for en målrettet satsing på digitalisering av gjenstander og annet materiale i museene. Et slikt arbeid vil kreve store ressurser, og det vil utfordre museene til å utarbeide realistiske tall og prognoser når dette skal gjennomføres. Komiteen stiller seg bak en slik føring.

yrkene. Skal museene utvikle seg til å bli viktige samfunnsinstitusjoner, må det arbeides for å få enda flere mennesker interessert i historien og kunnskapen som forvaltes der. Undersøkelser viser at mange velger ikke å besøke våre museer, og det av flere årsaker. Arbeidet med å øke besøkstallet bør prioriteres i årene framover. En bevisst satsing på museenes rolle som reiselivsaktører kan være et viktig bidrag til å få flere besøkende. En annen måte kan være å finne nye former for både formidling og tilgjengeliggjøring. Et viktig element vil her være knyttet til en økt satsing på forskning. Det kan bidra til at museenes samlinger og anlegg kan framstå som enda mer spennende ved at det tilføres ny kunnskap gjennom samarbeid med andre fagmiljø. Det – sammen med bruk av ny teknologi – kan skape nye måter for å formidle det spennende og mangfoldige innholdet som finnes i våre museer. Flertallet i komiteen tror også at en slik satsing kan gi muligheter for ny spennende teknologi- og næringsutvikling innenfor museumsfeltet. Jeg sa i min innledning at det norske museumslandskapet kan virke uoversiktlig. Årsaken til at jeg sa det, er at det finnes mange museer som ligger under andre departementer, og som dermed ikke omfattes av den meldingen som vi behandler i dag, men som allikevel er en viktig del av Museums-Norge. For å få en tydeligere samordning av museums- Museums-Norge. For å få en tydeligere samordning av museums- og kulturminnepolitikken her i landet, mener komiteen at en bør få til et interdepartementalt samarbeid mellom de departementene som har museer i sin portefølje. Flertallet ber derfor Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan det kan gjøres. Til slutt: Komiteen vil oppfordre museene til å ta samfunnsinstitusjonsrollen på alvor, sette viktige spørsmål på dagsordenen og reise viktige samfunnsdebatter. Kunst og kultur må være tilgjengelig for alle, slik at vi får et mer tolerant og åpent og klokere samfunn. Her har museene en viktig rolle. Meldingen Framtidas museum er

av offentlige aktører, i tråd med ønsker og prioriteringer fra nasjonale politiske myndigheter, som kan være beklagelig for mange. Naturlige konsekvenser av kulturlivets uavhengighet og av markedets betalingsvilje er at museene må fokusere på utstillinger som er interessante, og muligheter for å generere større inntekter. De fleste aktører innenfor det ikkekommersielle kulturlivet har et sterkt søkelys på å utvikle og prioritere kunstnerisk interessante produkter, noe som kan føre til et mer begrenset fokus på publikumsbesøk. Derimot må museene ha et kulturtilbud som når et så bredt publikum som mulig. Per i dag har museene tilgang på informasjon om antall publikummere ved de ulike museene, men liten kunnskap om hvilke grupper som nås av tilbudene, og

er viktig å ha med seg. Kulturarven binder samfunnet sammen, i tillegg til å ha en egenverdi. Vi har en forpliktelse til å bringe kunnskapen om vår fortid videre. Staten

kunsten og kulturskattene, samt øker en eventuell inntekt for museene. Seks år etter er det fortsatt ikke etablert en utleieordning som kan gjøre kunstsamlingene tilgjengelige for mange flere. Man kan lure på hvorfor departementet og statsråden ikke har fulgt opp saken skikkelig. Dette er beklagelig. Det ligger fortsatt store mengder kunst- og kulturgjenstander bortgjemt magasiner. Publikum fortjener å få glede av disse. Mange i næringslivet er også interessert i å leie dem for dekorasjon i sine lokaler. Statsråden har vært i England for å lære hvordan man skal få større publikumsbesøk til museene, kunne jeg lese i Aftenposten. Men det er allerede utviklet et forum for det. Norsk publikumsutvikling, som holder til i Men det er allerede utviklet et forum for det. Norsk publikumsutvikling, som holder til i Bergen, jobber akkurat med disse tingene. Det er en medlemsorganisasjon som arbeider for å oppnå kunnskap for å øke publikumsoppslutningen i de enkelte museer. Bergen kommune skal ha ros for å ha tatt initiativ til å opprette et slikt kontor. Det er helt nytt i Norge. Statsråden behøver ikke å reise til England for å lære dette. Det hadde holdt med en tur til Bergen. Dette vil føre til økt forståelse og vekke nysgjerrighet for kulturtilbud blant folk som ikke har kjennskap til slike tilbud fra før. Initiativet kan rette oppmerksomhet mot det viktige arbeidet som skjer i landets museer, og at det er viktig å samarbeide om tiltak, slik at man kan lære av hverandre. De siste ti årene har det vært Jeg ser også at det er noen som tenker på å danne et sms-museum. Jeg ønsker at statsråden ser på om vi kan etablere et audiovisuelt museum, altså at vi kan ivareta alt det audiovisuelle utstyret som nå står i gangene, f.eks. hos NRK. Man vil se av sakens merknader at her er

det stor enighet og bred konsensus rundt utviklingen videre for museene – tilsynelatende. For det mest interessante når det gjelder spørsmål knyttet til museer akkurat nå, er ikke det som står i meldingen, det er det som ikke står i meldingen. Mens Stortinget har vært invitert til å slite seg gjennom hundrevis av sider med politisk sett har departementet «kokket» sammen en skikkelig oppskrift. De har de facto nedlagt ABM-utvikling ved å ta bibliotekdelen, eller B-en, ut og flytte den over til Nasjonalbiblioteket. Gjennom det, hvis man har forstått det riktig – det er ikke så godt å forstå så mye av det, for vi har fått lite å vite har man altså gjort et skarpt brudd med det som har vært politikken innenfor museum, bibliotek og arkiv de siste ti årene. Det er et meget dramatisk grep som reiser store spørsmål det er all grunn til å diskutere både i denne sal og ellers – langt viktigere spørsmål enn noen jeg har sett i museumsmeldingen så langt. Hva er de egentlige, faglige vurderingene bak å gjøre dette bruddet? Det er jo slik at vi lever i en endringens tid, hvor man har ment at disse tre feltene har mye til felles og ville kunne utvikle prosjekter sammen fremover som ville styrke alle feltene, også museumsområdet – ikke minst museumsområdet, for så vidt som museene er de mest bærekraftige og sterkeste institusjonene i dette bildet. De vil mange steder være bærende. Jeg må også spørre hva som blir igjen av ABM-u når det blir en A og en M. Hva er Regjeringens tanker videre for museene? Tenker man et eget organ? Tenker man et eget organ sammen med arkivdelen? Det er spørsmål som jeg forventer vi skal få vite mer om her i dag. Ikke minst innenfor arkivområdet er det stor bekymring, for så vidt som man ser for seg at Arkivverket kanskje er det stedet hvor man havner. havner. Ikke minst vil det i et maktkonsentrasjonsperspektiv være til ettertanke, og grunn til å se nærmere på. Vi mener det ville vært riktig å følge ABM-tanken videre, bygge prosjekter videre. Jeg ser av Aftenposten – for det er jo der man må hente sin informasjon – at vi skal få et digitaliseringsråd som angivelig skal ivareta dette som skulle være felles i ABM-u. Det blir sikkert et fint råd, og vi gleder oss til å høre hva det skal gjøre, men jeg vil jo understreke at ABM-tanken har vært noe langt mer enn bare det som knytter seg til digitalisering. Her burde det vært iverksatt en bredde av prosjekter og piloter der vi kunne høstet erfaring og utviklet feltet. Det kunne dreie seg om konsolidering mellom arkiv og museumsinstitusjoner, felles lokalisering og drift av museer og bibliotek, kanskje fellesløsninger for konservering og lagring innenfor arkiv og museum, kanskje også bibliotek. Mulighetene er mange. Spørsmålet nå er: Hvem vil være vil sitte på den tversgående kompetansen som faktisk skal bygge og stimulere til at slike prosjekter kommer til å se dagens lys? Kanskje er det departementets nye kulturvernavdeling? Det vil vi kanskje få vite og få høre litt mer om. Ikke minst er det å gjøre ende på ABM-u og flytte virksomhetene over til sentrale Oslo-baserte institusjoner et ganske maktkonsentrerende grep. Det er et tema jeg vil komme tilbake til. Men jeg mener jo at de betenkelighetene vi har sett fremført fra bibliotekfeltet og ikke minst fra folkebibliotekenes side i forhold til å overflytte biblioteksektoren til Nasjonalbiblioteket, nettopp handler om de perspektivene. Jeg ser frem til å høre statsrådens innlegg her i dag. Jeg forventer at hun har med seg svar på hva som skal skje med A-en og M-en. Jeg forventer at hun vil skissere opp den tenkningen som ligger til grunn for at ABM-u blir fjernet, og hva man tenker seg isteden. Jeg skulle også like å vite hvordan hun tenker seg at ansvarsforholdene skal ligge fremover i forhold til å utvikle dette feltet. Avslutningsvis vil jeg også si at Høyre støtter Venstres forslag, som er lagt frem

og vi må unngå at nødvendige tiltak utsettes som følge av uklare ansvarsforhold. Meldingen omhandler de museene som mottar statlig tilskudd fra Kulturdepartementet. Jeg mener det også er viktig å rette et fokus mot de mindre, lokale bygdemuseene som ikke mottar statlig støtte, eller som inngår i de faglige museumsnettverkene. Det er svært viktig at også disse bl.a. ved at disse museene kan bruke kompetansen i de konsoliderte enhetene. Når det gjelder konsolideringsprosessen, så har jo dette vært – og er – en omfattende prosess. En rekke museer har valgt å konsolidere seg i tråd med signaler fra storting og regjering. Kristelig Folkeparti mener mye bra er oppnådd gjennom dette. Samtidig må vi respektere at forholdene ikke ligger til rette for sammenslåing alle steder. Jeg mener det må være rom for ulike løsninger, og vi må være svært varsomme med å bruke økonomisk tvang her. Men i hovedsak er Kristelig Folkeparti enig i at den omfattende strukturendringen har vært positiv for sektoren. Det var min partikollega Ola T. Lånke som var saksordfører for ABM-reformen da denne ble behandlet på Stortinget. Folkeparti har fulgt prosessen tett både i regjering og i opposisjon. Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men vi mener at vi er på rett vei. Et viktig mål for kulturpolitikken er å ta vare på, formidle og videreutvikle kulturarven og kulturverdier. Kulturen verner om tradisjoner. Kulturen gir oss rotfeste, trygghet og identitet. Museene har her en helt sentral rolle. Historiske impulser og tanker – og dokumentasjon på dette – må være tilgjengelig. Museene er et ankerfeste hvor vi finner gjenstandene og de nøyaktige arkivene over kulturminner som er nødvendige for å kunne hente fram fortiden. Det er en viktig statlig oppgave å sørge for at nye generasjoner kan ta del i den faktiske dokumentasjonen av våre historiske røtter. Jeg har lyst til å understreke den grunnleggende rolle som arkivfunksjonen har i et samfunn. Betydningen av dette vil alltid ligge fast, på tross av endringer både i det indre og det ytre landskapet. Ikke minst er dette viktig i et samfunn som er i ferd med å drukne i en flom av masseprodusert informasjon av varierende kaliber. Arkiv- og museumspolitikk dreier seg til syvende og sist om å sikre ettertiden et reservoar av autentisk dokumentasjon. Vi har en tendens til å ville omskape historien i vårt eget bilde. Fortiden består likevel av et utall faktiske hendelser, og her går det selvfølgelig an å skille mellom sant og usant. Men dette krever basiskunnskap, faste referanser og pålitelig dokumentasjon. Dette er en forutsetning for å kunne føre en meningsfylt debatt om fortiden og se historien i lys av vår egen tid.

står mye vakkert om museum i meldingen, og mange av de perspektivene som er med, deler også Venstre. Men i Kulturløftet har museumssektoren vært en glemt sektor. Venstre har prioritert museum i alle sine alternative budsjetter fordi vi har syntes at de har lidd under de mer populære tiltakene. Det er viktig nå at vi får til en nasjonal plan for samlingene våre – for å ta vare på det vi allerede har og få digitalisert det. Det er en viktig, men også meget omfattende oppgave. Derfor er det viktig at vi får en plan for det. Det er viktig å vise vilje – og evne – til å foreta de prioriteringene. Så er det viktig for Venstre å fokusere på at dette også er et område vi trenger mye forskning på framover – både når det gjelder formidling og også det å knytte forskning til de miljøene som i dag museene utgjør. Men vi er også veldig glad for at Universitetet i Oslo nå jobber med å ha museologi som en egen bachelor, noe vi tror kan føre til veldig mye høyere kvalitet i museumsformidling, da museologi – altså formidlings- og museumskunnskap – ikke har vært noe eget fag ved noen av utdanningsinstitusjonene i Norge, og vi som har studert historie og sånn, på en måte eier også formidlingsdelen. Jeg tror at det blir en spennende bachelor, og det blir spennende å se søknaden til faget, og jeg tror at det kommer til å føre til positive ting for norske museer. I den sammenheng kan jeg også nevne at vi er litt mer bekymret for arkivfaget, som er i ferd med å bli et mindre og mindre Universitetet. Mens det før var en egen fagutdannelse å bli arkivar, er det nå i ferd med å bli et mindre og mindre fag innenfor historiefaget. Så disse må ses i sammenheng – både arkivfaget og det nye museologifaget. Venstre er, på lik linje med Kristelig Folkeparti, veldig kritisk til mye av tvangen i sammenslåingen. Når man i merknadene skriver at 60 pst. er fornøyd, så veldig mye. Det er faktisk et skremmende lite tall når man skulle gjøre noe sånt som det virkelig var snakk om, nemlig å løfte museene. Jeg er grunnleggende enig i tankegangen knyttet til sammenslåing. Jeg tror at det har vært «nødvendige runder», for å bruke posisjonens merknadsbegrep, men jeg er ikke sikker på at det trengs «nødvendige runder», som det står i Jeg tror at mye av presset og mye av størrelsene på enhetene nå er i ferd med å ta bort noe av det som har vært drivkraften i norsk museumsbevegelse. Norsk museumsbevegelse har vært preget av stor grad av frivillighet og brennende sjeler, og da bør det ikke bli så store enheter at flammen forsvinner.

Så kort om forslagene som vi fremmer. For det første støtter vi forslag nr. 1 i saken. Vi kommer ikke til å gå for forslag nr. 2, da vi føler at det er litt underlig å trekke fram ett museumsbehov i samfunnet på den måten, uten at vi har vært med på behandlingen i komiteen. Forslag nr. 3 er basert på at vi var ganske sjokkert da vi fikk nyheten om at man i realiteten legger ned Vi er helt enig i alle bemerkningene som Olemic Thommessen kom med i denne sammenheng. Vi forventer at dette er saker som blir drøftet i Stortinget, og derfor har vi fremmet forslag nr. 3 og håper å få tilslutning til det, som plasserer en slik avgjørelse der en avgjørelse skal tas. Forslag nr. 4 går på å få til den opptrappingsplanen på infrastruktur og samlingsforvaltning som jeg nevnte i innlegget mitt. Det femte forslaget går på at vi har vedtatt en kulturlov her i Stortinget som ikke er veldig virkningsfull. Den er fin på papiret, men uten mye innhold. Vi ville hatt en felles bibliotek-, arkiv- og museumslov. Det hadde faktisk hatt en viss virkning på kulturarbeidet. Så fremmer vi også forslag nr. 6, som går på de små og utsatte fagene, som er en viktig del av formidlingen av norsk

og det er viktig. Vi trenger mange forskjellige typer museer i Norge for å gjenspeile mangfoldet i vårt samfunn. Vi er enige om at museene forvalter og formidler verdifulle deler av vår kulturarv. De velger ut, tar vare på og tilgjengeliggjør samlinger. Det gir grunnlag for kunnskap og opplevelser om samfunns- og kulturutvikling. Det er et mål at alle skal ha tilgang til denne kulturarven. I 2000 ga Stortinget sin tilslutning til hovedtrekkene i ABM-meldingen. Meldingen som behandles i dag, er en statusrapport. Den viser hvordan museumslandskapet ser ut åtte år etter reformen. Det er bl.a. gjennomført en stor strukturreform. Omfattende konsolidering har ført til større fagmiljøer har styrket museene, slik at de har flere ressurser å spille på. De siste årene er det etablert store enheter: Hedmark fylkesmuseum, Vestfoldmuseet, Akershusmuseet, for å nevne noen. Mye er altså på plass, men i noen fylker vil det fortsatt være riktig å se på behovet for ytterligere konsolidering. Det peker også komiteen på. I denne

Noen eksempler: Akershusmuseet lagde en utstilling om svineinfluensaen november 2009 og stilte bl.a. følgende spørsmål: Tar myndighetene ansvar, eller er det bare hysteri? Norsk Teknisk Museums utstilling «Sanatoriebarn» høsten 2008 dokumenterer overgrep mot tuberkulosesyke barn på sanatorier på 1950-tallet. Flere aviser fulgte opp. Jeg er ikke enig med Fremskrittspartiet, som tilsynelatende ser ut til å hevde at det er en motsetning mellom å nå et bredere publikum og å satse på kvalitet på kunstnerisk interessante utstillinger. Jeg tror det i stor grad er en sammenheng. De museumsutstillingene som har en god faglig utvikling, når også et bredere publikum. Vi har jo sett når vi de siste årene har satset på kvalitativ utvikling, at også museenes besøkstall har økt – med 30 pst. siden 2001. Jeg merker meg at komiteen er positiv til dette, og vi er også opptatt av å gjennomføre publikumsundersøkelser og utvikle mye mer målrettede formidlingstiltak. Norsk publikumsutvikling i Bergen er et godt tiltak i så henseende. Meldingen peker også på store utfordringer å ta fatt i. Det gjelder forvaltningen av samlingene. Det er behov for bedre oversikt, registrering, utbygging av konserveringstjenester og bedre magasiner. Når det gjelder samlingsforvaltning, har jo Norges museumsforbund kommet med veldig mange gode De ser behov for koordinering på nasjonalt nivå for å bevare og for å utvikle samlingene. Museumsforbundet peker også på den tette sammenhengen mellom samlingsforvaltning og digitalisering. Dette er verdifulle innspill som jeg vil ta med meg videre. Vi har formulert ambisiøse mål for forvaltning, forskning, formidling og fornying i og jeg er glad for at komiteen i så stor grad stiller seg bak hovedtrekkene i den. Til slutt vil jeg legge til at når det gjelder organiseringen av ABM-utvikling, vil jeg komme tilbake til Stortinget med en proposisjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Stortinget vil altså få rikelig anledning til å diskutere disse forholdene. Helt til slutt vil jeg peke på at det i 2014 er 200-årsjubileum for Grunnloven. Museet er i en unik posisjon til å formidle både historien om 1814 og utviklingen av det moderne Norge de siste 200 årene. Dette vil være et arbeid som vi vil styrke fram mot
replikkordskifte. Jeg vil innledningsvis fremme Fremskrittspartiets forslag. Jeg burde ha gjort det under innlegget mitt, men jeg gjør det nå i replikkordskiftet. Til utleie og utlån av kunst: Staten har store mengder kunst i magasinene, de har mye på lager, de har mye stående i museene. Kommuner, skoler og gamlehjem kan få glede av dette. Også gallerier, offentlige og private bedrifter kan få glede av disse store skattene. Jeg mener sågar at staten kan tjene penger på dette, og jeg mener at mange, mange kan få glede av Vi har Riksteateret, som når ut over hele landet. Jeg skulle ønske at også Distrikts-Norge kunne hatt glede av disse kunstskattene som gjemmes i Oslo. Jeg har derfor et spørsmål til statsråden: Hvorfor følger ikke statsråden vedtak fra Stortinget når det gjelder temaet utlån av kunst? Og hvorfor kommer ikke statsråden tilbake til Stortinget hvis man har store problemer med å få dette til?
Representanten Ib Thomsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Utleie av kunst er en god tanke, men det har også en del utfordringer knyttet til seg, bl.a. når det gjelder forsikring. Men vi har altså bedt ABM-utvikling om å utrede kunstutleie og vil komme tilbake med et konkret forslag på et

La gå med at vi da skal få lov til å være med på å snakke om det i ettertid. Jeg hadde kanskje håpet at vi skulle fått en anledning til å mene noe om dette i fortid, men sånn ble det altså ikke. Da får vi ta til etterretning at slik blir det, og da blir det en M og en A igjen i ABM-u. Spørsmålet er da: Hva med dem? Det er jo ikke uten konsekvenser at man nå legger om dette bildet. Hva tenker statsråden om og eventuelt A-en i det som er igjen? Hvordan tenker hun at dette skal håndteres fremover? Jeg merker meg at representanten Olemic Thommessen er konservativ i bokstavelig forstand. Han ønsker ikke på noen måte å endre noen etablerte strukturer. Partiet Høyre snakker ofte om fornyelse av offentlig sektor, men når vi fremmer et forslag om at 20 ansatte som arbeider med bibliotek i ABM-utvikling, skal få en ny leder, sitte i omtrent samme bygg og arbeide med de samme oppgavene, er det for mye fornyelse for Høyre. Vi kommer tilbake til Stortinget for å drøfte bidra til fornyelse av kultursektoren. På noen områder i Kultur-Norge er det dobbel administrasjon. Jeg vil derfor gå gjennom flere deler av kulturlivet for å se om vi kan effektivisere mer med tanke på å få mer kultur ut til folket. Derfor vil vi drøfte hvordan vi skal organisere resten av det som er med i ABM-utvikling, i tiden som
Jeg benytter anledningen til å presisere at Kristelig Folkeparti vil stemme for de omdelte forslagene nr. 3, 4 og 6, fra Venstre. Så til statsråden. Det er jo gledelig å se at det i store trekk er bred oppslutning om museumspolitikken, og at det er et bredt flertall som sammen skal løfte dette området framover. Og hvis vi ser bakover i tid, ser vi at siden behandlingen av ABM-meldingen har vekslende regjeringer og vekslende politiske flertall vært med på det løftet som dette feltet nå er inne i. Men da går mitt spørsmål til statsråden på et område som på en måte har vært litt utenfor den konsolideringsprosessen og den styrkingen som nå har skjedd, nemlig de lokale bygdemuseene, som i stor grad drives av frivillige med private og litt kommunale midler rundt omkring og ikke er med i konsolideringen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også de blir tilført kompetanse og kan få glede av veksten i sektoren – siden regjeringspartiene ikke var med på Kristelig Folkepartis ellers glitrende merknader på tre områder i innstillingen? Jeg mener at konsolideringsprosessen er en fordel for alle museer, også små, lokale bygdemuseer, for når vi bruker mindre tid på administrasjon og mer på oppbygging av kompetanse, er det en fordel for de små, lokale museene som Håbrekke er opptatt av. De har behov for kompetanse og de har behov for å få tilført kunnskap. Jeg mener derfor at på et overordnet plan er denne museumskonsolideringen en fordel for de små museene. Men så avhenger dette også av bevilgningene til kultursektoren lokalt. Vi har sett de siste årene at det har vært stor interesse for å bygge opp lokale museer, og det har også bidratt til, som representanten var inne på, mye lokal, frivillig innsats. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Avviklingen av B-utviklingen fremstår som reaksjonær, visjonsløs og uten nødvendige signaler om hvordan man ønsker å fornye dette feltet. Hele meningen med ABM-tanken var jo at man ønsket å se fremover, man ønsket å bygge nye konstellasjoner, og man ønsket å styrke fagområder og bygge ned barrierer mellom fagområder. Dette var et grep som hadde fremtiden for seg. Så har det kanskje ikke vært levert slik man skulle ha ønsket, og det tror jeg har mye å gjøre med at vi har vært igjennom en krevende konsolideringsprosess på museumsområdet. Og det er vel noe med, tross alt, at man skal gjøre én ting av gangen. Men jeg hadde virkelig ventet, og Høyre hadde virkelig ventet, at når konsolideringen nå var – hva skal jeg si – mer eller mindre tilbakelagt, at man da virkelig kunne begynne å arbeide med en fremtidsrettet tenkning. Det grepet som nå gjøres, fremstår ikke som modernisering. Det fremstår som et reaksjonært grep, og det er flytting tilbake til start – vi er tilbake nærmest der vi begynte for ti år siden. I virkeligheten signaliseres det i retning av en betydelig maktkonsentrasjon rundt tunge institusjoner i Oslo. Det er underlig at i særdeleshet Senterpartiet kan være med på den måten å nærme seg denne problemstillingen på. Modernisering handler om å forsøke å se inn i glasskulen og finne tidsmessige grep som også er besparende. Her finner man ikke tidsmessige grep, her skur man klokken tilbake, og man gir ikke en eneste faglig, fremtidsrettet begrunnelse på hvorfor man ønsker – helt grunnleggende – å legge om kursen i forhold til politikken for arkiv, bibliotek og museum. Fagmiljøene på alle tre områder er dypt sjokkert. Styret i ABM-u har gått av, fordi de mener at deres mandat ikke lenger er til stede. Da må jeg virkelig spørre: Hva slags håndtering i departementet er dette, at man kjører løs en sak av så stor betydning uten at det er forankret i fagmiljøene? Det kommer bastante meldinger tilbake, ikke minst fra biblioteksektoren, som mener at de har vært holdt til side, at dette er en prosess det har vært et ganske tungt lokk over. Og så kjører man løs med dette. Hvorfor er det så akutt behov for at dette skal gjøres nå? Hvorfor kunne man ikke ventet, og fått en skikkelig prosess, en god faglig begrunnelse og en debatt i Stortinget, som Stortinget hadde fortjent?
Presidenten vil bemerke at representanten Thommessen gjerne må være dypt uenig i statsrådens svar under replikkordskiftet, men å si at det var et usedvanlig dårlig svar, det vil ikke presidenten la passere i denne sal. Hvis representanten hadde lyttet til mitt svar, som han åpenbart ikke var fornøyd med: Jeg sa relativt ettertrykkelig at jeg vil komme tilbake til Stortinget med denne saken. Da vil vi få bred anledning til å diskutere dette i forbindelse med en proposisjon og også i forbindelse med framleggelse av revidert nasjonalbudsjett. Når det gjelder denne endringen, vil jeg redegjøre ytterligere for den senere. Men det som er viktig for meg, er å se på utviklingen av bibliotekene i årene som kommer. Det er store utfordringer på bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket forvalter nå store deler av musikkarkivene og filmarkivene. For å få levende biblioteker i årene som kommer tror jeg på I stor grad er det en dobbeltadministrasjon, hvis vi ser på det som i dag er ABM-utviklings mandat og det som er Nasjonalbibliotekets mandat. Og statlig dobbeltadministrasjon er jeg ikke tilhenger av. Jeg er tilhenger av å samle fagkompetanse for å fornye og utvikle folkebibliotekene. Derfor har jeg lagt fram dette forslaget, som vi vil komme tilbake til Stortinget med på en helt ordinær måte på et senere tidspunkt. Denne gjennomgangen ble varslet Stortinget i vår, i forbindelse med framleggelse av en stortingsmelding, den ble varslet Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, og den kommer tilbake til Stortinget i form av en stortingsproposisjon og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, så dette er en grundig, helt ordinær prosess som handler om flytting av noen statlige arbeidsplasser. Olemic Thommessen og jeg kan diskutere denne saken også på et senere tidspunkt.
Neste taler er Olemic Thommessen. har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad. Denne saken, i den grad den overhodet har vært varslet, har vært nevnt som en halvkvedet vise i bibliotekmeldingen. Jeg antar at det er det det er vist til. Så tar jeg til etterretning at statsråden gjennomfører en betydelig reform, at den faktisk vil være gjennomført før Stortinget har vært invitert til å diskutere den, og at hun ikke kan redegjøre for noen faglig grunn til at reformen skulle gjennomføres. Det synes jeg er til betydelig ettertanke.
Jeg merker meg at representanten Thommessen ikke har fått med seg det Regjeringen varslet i bibliotekmeldingen om denne saken, og heller ikke fikk med seg det vi varslet i statsbudsjettet. Det kan ikke Regjeringen ta ansvaret for, men andre har altså fått med seg disse signalene. I det som heter Museumsnytt, har man fått med seg dette på en helt riktig måte. «I fjorårets bibliotekmelding», står det, det signaler om at viktige bibliotekoppgaver kunne bli flyttet over til Nasjonalbiblioteket. Statsbudsjettet for 2010 forsterker disse signalene.» Så Stortinget har vært holdt løpende orientert om denne saken. At Olemic Thommessen har en annen oppfatning, at han ønsker å bevare systemet slik det er, at han ikke ønsker dette, det er en annen sak, men her har det vært en grundig behandling, varsling av Stortinget, og Stortinget vil også få saken til behandling på et senere tidspunkt. Da får vi kanskje diskutere det som er innholdet, det som er substansen, hvor Høyre ønsker å holde fast på det som er, mens vi ønsker å fornye offentlig sektor. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til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

Derfor er jeg glad for at komiteen står samlet i en rekke felles merknader både om livskvalitet og autonomi i forhold til døende. Det var av vesentlig betydning for meg å vektlegge behovet for en helhetlig tilnærming til den døende og dennes pårørende, og understreke at dette går på ulike plan for å sikre at døden kan bli en naturlig videreføring av livet. Komiteen deler i store trekk en slik vektlegging. Forslagsstillerne ønsker at det utarbeides en plan for satsing på livshjelp, og de trekker fram fem punkter en slik plan bør belyse. og Høyre deler et slikt syn, med unntak av finansieringsform for lindrende behandling. Regjeringspartiene ønsker ikke noen plan for livshjelp, men peker gjennom våre felles merknader på flere forbedringspunkter med tanke på alvorlig syke og døende pasienter. Det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av å styrke etter- og videreutdanning og forskningsinnsats hva gjelder lindrende behandling. Det pekes også på behovet for samarbeid både horisontalt og vertikalt innen helsetjenesten. Komiteen mener det må stimuleres til etablering av ambulante team, og at det er behov for å se nærmere på hva som er til hinder for at slike team etableres i tilstrekkelig omfang i dag. En samlet komité påpeker at det er altfor få kommunale palliative sykehjemsplasser i dag i forhold til behovet. Det vises også til at de fleste helseforetak har palliative team, og viktigheten av å sikre kompetanseoverføring fra disse teamene til andre avdelinger og miljøer. Hospicene har vært banebrytende i forhold til å gi døende en verdig avskjed med livet gjennom en helhetlig tilnærming med god og omsorgsfull pleie og ikke minst medmenneskelighet. Dette er en form for palliativ behandling som kan omfatte smertelindring, psykisk oppfølging og helhetlig omsorg. Alvorlig sykdom, død og sorg kan sette ens selvbilde i fare, og Angst, frykt, hjelpeløshet, fortvilelse og sinne er normale følelser i en slik situasjon. Men døden trenger ikke være vond og smertefull for et menneske. For noen kan døden faktisk være en befrielse som imøteses med lettelse og ro. Den palliative behandlingen tar mål av seg til å møte alvorlig syke og døende og deres pårørende på en helhetlig måte som tar hensyn til alle disse faktorene. Det er en vesentlig skjevhet i forhold til hvem som mottar et palliativt tilbud i dag. Kreftrammede utgjør 95 pst. av pasientene på palliative enheter. Det er viktig å sette fokus også på andre grupper av alvorlig syke og døende pasienter, slik at de også får en helhetlig behandling. Hele 95 pst. av de som dør i sykehjem, får ikke den tilstrekkelige lindrende behandling og omsorg som de har Jeg valgte også å løfte inn alvorlig syke og døende barn i denne saken, og ser til min glede at det har fått flere andre til å rette fokus mot de problemstillingene foreldre til barn som fødes med alvorlige misdannelser og begrensede leveutsikter, står overfor. Årlig dør rundt 160 barn i sitt hjem uten at barnet eller de pårørende har noe profesjonelt nettverk rundt seg. Det er nærmest en selvmotsigelse at barn, i begynnelsen av livet, skal dø. Men det skjer, dessverre. Noen foreldre takler overhodet ikke en slik situasjon. Jeg har hørt om foreldre som har avskrevet sitt barn allerede i første leveår og unngått kontakt, mens barnet har blitt undergitt offentlig omsorg i nærmere 20 år etter. Jeg har hørt om foreldre som har gått fullt og helt inn i oppgaven med å gi barnet mest mulig omsorg og kjærlighet, gitt avkall på egen jobb og karriere mens de hele tiden har levd med en slags ventesorg. Jeg forventer at statsråden nå ser nærmere på denne problemstillingen. Det er et stort behov for å øke satsingen på hjelp til alvorlig syke og døende og deres pårørende. Finansieringen av lindrende behandling er her en nøkkelfaktor. Jeg vil innstendig henstille til regjeringspartiene om å se på forslag nr. 4 en gang til. I merknadsform er regjeringspartiene enig i dette forslaget. Det eneste dette forslaget har med seg i tillegg, er å be om at finansielle hindre for samhandling må fjernes. Det vil være et dårlig signal med tanke på arbeidet med Samhandlingsreformen, om det er det som gjør at regjeringspartiene ikke vil støtte forslaget. Fremskrittspartiet påpeker at dagens finansieringsnøkkel som «Bondevik-partiene» og de rød-grønne står bak, kan sies å premiere sykehusene ved korte dødsleier, noe vi finner betenkelig. Finansiering må innrettes slik at den døende får en verdig behandling, Smerte er sentralt når vi snakker om lindrende behandling. Det er derfor uforståelig for meg at Fremskrittspartiet blir stående alene om å omtale pasienter som opplever at smertelindring ikke lenger har effekt. Når selv legeforeningene i Skandinavia har medlemsundersøkelser om hvordan leger vil håndtere pasienter med ukontrollerbare smerter, kan ikke politikerne lukke øynene. Det er nettopp da det etiske og medisinskfaglige dilemmaet om store doser smertestillende som faktisk kan ta liv, oppstår. Dette har ikke noe med aktiv dødshjelp å gjøre, men er den virkelighet helsepersonell står i daglig, og som også politikere må tørre å adressere. Vi kan ikke bare vente på en ny Sandsdalen-, Ottesen- eller Husebø-sak og så agere på bakgrunn av tabloide oppslag. Det er behov for medisinske retningslinjer og veiledere, det er behov for en plan om helhetlig pleie og omsorg til uhelbredelig syke og døende og deres pårørende – uansett den døendes alder og uansett om den døende befinner seg hjemme eller i institusjon. Jeg tar med dette opp de forslag som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til. Representanten Jon Jæger Gåsvatn har tatt opp de forslag han refererte til. Livshjelp og lindrende behandling i livets siste fase er

Derfor er vi opptatt av at man skal ha god kunnskap og gode rutiner for palliativ behandling ute i kommunene. Det er i dag mange kommuner som har bygd opp egne palliative avdelinger som gir et godt tilbud. Vi ser at videre utbygging av palliative plasser i kommunehelsetjenesten bør bli en viktig del av Samhandlingsreformen – det vurderes å bygge opp ambulante palliative team og plasser for lindrende behandling. Det er gjort mye når det gjelder livshjelp og lindrende behandling, og i Omsorgsplan 2015 er det flere tiltak for å styrke tjenestetilbudet til brukere av omsorgstjenesten, herunder mennesker i livets siste fase. Det er i dag en tilskuddsordning for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt som har som formål å styrke tilbudet i institusjoner utenfor sykehuset. Tilskuddet går til tiltak i kommunehelsetjenesten og enkelte tiltak i regi av private og ideelle organisasjoner. Videre har tilskuddet til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt blitt samlet under samme post som tilskudd til undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester. Tiltakene skal ses i sammenheng med nasjonal kreftstrategi, hvor kompetanse og kapasitet til å følge opp pasienter i den kommunale tjenesten står sentralt, og de må ses i sammenheng med aktiviteten i undervisningssykehjemmene. Når det gjelder pleiepersonalets kompetanse, vil vi vise til Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan Kompetanseløftet 2015, som har som delmål bl.a. å heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenesten, skape større faglig bredde og styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning. Et viktig fagområde for kompetanseløftet er nettopp Som en del av kompetanseløftet er det iverksatt et prosjekt for å styrke etisk kompetanse i tjenesten. Prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» skal bidra til å styrke den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I 2009 deltok 100 kommuner i prosjektet. Over tid skal alle kommuner få mulighet til å delta i prosjektet og etablere møteplasser for etisk refleksjon. Mye bra palliativ behandling foregår i dag ved sykehus, ute i kommunene og hjemme hos den enkelte, men vi kan alltid bli bedre, og det skal vi jobbe videre for.
Jeg vil først gi honnør til Kristelig Folkeparti som har fremmet et forslag om en plan for livshjelp. Høyre støtter alle forslag unntatt forslag nr. 6, som gjelder finansiering. I tillegg vil jeg takke saksordføreren og gi ros for et grundig og godt arbeid med saken, og også for redegjørelsen her i Omsorg ved livets slutt er kanskje en av de mest krevende oppgaver innen helsetjenesten som utfordrer oss både som fagfolk og politikere. Hver eneste dag opplever mennesker å bli rammet av alvorlig sykdom og nære tap som tvinger dem inn i en totalt endret livssituasjon. Vi møter slike utfordringer svært forskjellig, avhengig av hvor forberedte vi er, den livssituasjon vi er i, reaksjoner i omgivelsene, og ikke minst den hjelp som tilbys fra helse- og omsorgstjenesten. Respekten for menneskeverdet blir satt på en alvorlig prøve når vi møter mennesker i sluttfasen av livet. Det er i slike situasjoner det egentlige menneskesynet i helsetjenesten og hos helsepersonell kommer for en dag. Det er nettopp nær ytterpunktene vi finner de verdimessige prøvesteiner i vårt samfunn. er særlig utsatt for å bli krenket eller truet i livets sluttfase. Døden er institusjonalisert, avritualisert og i stor grad overlatt til spesialister. Selv om tilbudet har blitt atskillig bedre de siste årene, er det fortsatt altfor mange eksempler på at alvorlig syke for dårlig hjelp. For å motvirke kravene om at helsetjenesten skal medvirke til selvvalgt avslutning på livet, er det viktig å sikre at det tilbudet som blir gitt til mennesker mot slutten av livet, er så godt som mulig både menneskelig og faglig. Hovedutfordringen er å sikre den enkelte pasient et riktig tilbud av god kvalitet og på det riktige nivået i helsetjenesten. Så langt det er mulig, må det legges til rette for at helsetjenestene kan gis så nær hjemmet som mulig, eller i hjemmet dersom pasienten ønsker det. En alvorlig sykdom rammer ikke bare pasienten, men også den nærmeste familie, venner og nærmiljø. Mange alvorlig syke pasienter blir ofte isolert, de søker ikke selv kontakt, og de som står på utsiden, Spesialiseringen i helsevesenet gjør at en kan miste helheten i omsorgen. Her har hospicefilosofien vist vei. Verdigrunnlaget er optimal behandling, pleie og omsorg som retter seg mot pasientenes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige og eksistensielle behov. Gode og gjennomtenkte tilbud skaper tillit og trygghet for pasientene, for pårørende og for fagfolk. Hovedpoenget er at mennesker blir møtt og sett. Det er nødvendig å gi alvorlig syke og døende et reelt valg i forhold til hvor de ønsker å tilbringe livets siste dager. Dette er særlig viktig i lys av at vi er et flerkulturelt samfunn, der mennesker har ulike syn på hvordan en verdig avslutning av livet skal være. For mange er det viktig å kunne være hjemme i livets siste fase, andre ønsker å være et annet sted der de kan få ro. Dette krever at vi legger godt til rette for god hjemmebasert omsorg og samtidig bygger flere hospicer som et tilbud til dem som ønsker det. Dersom flere skal få mulighet til å avslutte livet hjemme i tråd med egne ønsker, må vi gi dem og deres pårørende en trygghet for at de får kvalifisert hjelp. Ambulerende palliative team kan gi denne tryggheten, forutsatt at man har fleksible ordninger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og at de samarbeider og samhandler om et helhetlig tilbud. Private tilbud som er finansiert av det offentlige, kan være en viktig ressurs i tjenestetilbudene til alvorlig syke og døende. Slike tilbud må tilpasses det ordinære tjenesteapparatet og være en del av det totale tilbudet til den enkelte pasient. Ordene «det er dessverre ikke noe mer vi kan gjøre» høres ofte fra helsepersonell når noen får beskjed om at helbredende behandling ikke hjelper. Da vil jeg si: Jo, det er avgjort «mer» vi kan gjøre, men dette «mer» er noe annet enn et forsøk på å helbrede. Dette «mer» handler om å hjelpe et menneske til å leve helt til det dør.
Møtet avbrytes nå, og nytt møte settes kl. 18 for fortsatt behandling av sak nr. 6. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.